en kursomlegging. Det er da jeg lurer på: Hvor langt skal kursen endres? I hvilken retning skal det gå? Vi har fått noen tegn, men det er et alvorlig og viktig spørsmål som må stå igjen etter denne jordbruksdebatten i Stortinget: Hvilke kursendringer kommer vi til å få se i tida framover? Jeg mener at også næringen fortjener å vite hvorledes en slik omlegging En stortingsmelding kan jo avklare noe av det, men en stortingsmelding kan også fange. Der ligger kanskje litt av det som er utfordringen for Kristelig Folkeparti og Venstre, at de er forsiktige med å bli fanget inn i noe som er en mer langsiktig og omfattende endring enn det årets jordbruksoppgjør representerer. I så måte var det godt å høre at Kristelig Folkeparti gjør det klart at f.eks. fylkesinndeling for melkekvoter ikke skal oppheves. Det er en viktig avklaring – og en helt nødvendig avklaring. Vi har nemlig opplevd tidligere at familiejordbruk har gått over til mer industrialisert jordbruk. Danmark er det klareste eksempelet på det. Danmark var egentlig familiejordbrukets vugge en gang i tida. I dag sitter Danmark igjen som kroneksempelet på det heltidslandbruket som regjeringen vil ha. Hvilket landbruk er det? Det er et forgjeldet landbruk. Det er et landbruk som er eid av banker og pensjonsfond, som i stadig større grad tar over og eier jorda, og lar bøndene drive det på leiekontrakter. Det er langt fra et bærekraftig landbruk verken når det gjelder matsikkerhet eller dyrevelferd. Så vi kan godt bruke muligheten til å se litt til det landbruket og se på hvordan det har utviklet seg de siste åra. Senterpartiet mener at å drive en landbrukspolitikk basert på å sette ulike produksjonsformer ulike produksjonsformer i ulike deler av landet og små og store bruk opp mot hverandre, er en politikk som på sikt kommer til å rive det norske landbruket

snu. Det sies, særlig fra Høyre, at man skal satse på dem som vil satse. Hva er det som ligger i det at man ikke skal satse på dem som er små og mellomstore, når vi trenger dem så mye som vi gjør? Hva er det som gjør at de som driver smått og mellomstort, ikke vil satse? Den strukturprofilen vi ser i dette, er jo egentlig ikke et argument for å satse på dem som vil satse, men å satse på dem som vil satse ordentlig stort, og som i dag er store.

januar har jeg absolutt behov for å si følgende om: Det er jeg veldig glad for at vi kom med. Hvordan skulle det vært om vi skulle gitt garanti i forkant, at vi skulle godta statens tilbud, når vi vet historien til Høyre og Fremskrittspartiet, med betydelige kutt? Det er jo én ting. Men hvordan skulle det vært om vi avga en sånn garanti i januar, tatt i betraktning at det ikke er ett parti i denne salen som støtter det tilbudet i dag? Skulle vi sitte igjen der alene og støtte statens opprinnelig tilbud? Det ville være helt meningsløst. Er det virkelig noen som har bidratt til å forlate den tradisjonen man måtte ha med å legge statens tilbud til grunn og stemme det igjennom i Stortinget, må det jo være de partiene som har skapt flertall i dag for at man faktisk plusser på 250 mill. kr. Det var helt uaktuelt for oss, og jeg vil bare varsle representanten Gundersen om at til neste år vil det heller ikke være aktuelt for oss å gi noen garanti på det. Forhandlingsinstituttet i seg sjøl er jo ikke hellig. Det som er viktig for oss, er hva som kommer ut av det. Men at det er en sterk tradisjon for at man ønsker å bevare det og legge det til grunn – ja, det er det. Men vi vil jo ikke se på at et forhandlingsinstitutt river ned viktige bærebjelker, og at man legger inn store strukturelle endringer i forhandlingene, som gjør sitt til at norsk landbruk ikke blir til å kjenne igjen. Jeg hører at Gundersen refererer Kaggestad, som han hørte på radio, og så ville de slippe kreativiteten og galskapen løs. Men etter å ha hørt representanten Gundersen, vil jeg advare sterkt mot et ytterligere frislipp av Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har i debatten pekt på at Arbeiderpartiet ville vært et mye bedre alternativ for Kristelig Folkeparti og Venstre enn det regjeringa er. Representanten Ingrid Heggø sa til og med at inntektsgapet ville blitt redusert med Arbeiderpartiets politikk. Det har hun ingen dekning for å si. Representanten Storberget har heller ikke tidligere vært villig til å anslå inntektsveksten til en gjennomsnittlig bonde, med Arbeiderpartiets opplegg. Når Arbeiderpartiet opplegg. Når Arbeiderpartiet er mer opptatt av å overby Fremskrittspartiet på billige matpriser, og så også bruke landbruksbudsjettet til å rette opp feilene i klimapolitikken, er pengene brukt opp på andre ting enn økte inntekter for bøndene. Hvis en er snill med regnestykket til Arbeiderpartiet, har de maks det samme til fordeling til mindre og mellomstore bruk som det forliket er, og som i dag har fått tilnavnene pynting, puslete og andre lignende ord. ord. Det setter egentlig representanten Storbergets innlegg rett før meg i et litt kunstig lys, når han er så opptatt av små og mellomstore bruk. Når Arbeiderpartiets økonomiske opplegg er på et nivå med det avtalen er, vil jeg så sterk tvil om Senterpartiets store tro på at Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ville fått flertall for sitt primærstandpunkt i Stortinget. I dag har vi sett at SV SV vil så tvil om forhandlingsinstituttet gjennom det opplegget de har lagt til grunn, med et arbeiderparti som heller vil ha lavere matpriser, med et miljøparti som vil doble målprisene – og så har vi et senterparti som vil at alt skal være der det alltid har vært. Med dette bakteppet kan ikke jeg se at Senterpartiet og Kristelig Folkeparti ville fått flertall for

bruk vil komme vesentlig bedre ut med dette oppgjøret kontra tilbudet. Det viser beregningene for referansebrukerne. Det er spesielt viktig for Agder, fordi vi har en spredt struktur med relativt små bruk. Så hadde Kristelig Folkeparti og Venstre ikke klart å rette opp dette, ville nok mye mer av jorda i Agder gått ut av produksjon.

Men dette er litt symptomatisk i debatten. Vi har hørt en merkelig debatt, der de rød-grønne er mest opptatt av å angripe oss for sine tenkte utfall av vår politikk. Man sier selv at man er opptatt av selvforsyning. Resultatene av åtte år med rød-grønn politikk er at selvforsyningsgraden har falt ganske dramatisk. Så sier man at man er opptatt av rekruttering. Resultatene av åtte år med rød-grønn politikk er at gjennomsnittsalderen på den norske bonden har økt med i hvert fall to år. Man snakker om at man er opptatt av jordbruk over hele landet. Ingrid Heggø var inne på at Hyllestad skulle være et eksempel for begrensninger for resten av norsk landbruk. Det høres ut som ingen skal få lov til å se muligheter, fordi Hyllestad har visse begrensninger. Det er en bemerkelsesverdig innfallsvinkel til en debatt. Det at man står på talerstolen i Stortinget og avgjør at bønder ikke skal kunne se mulighetene, er ganske bemerkelsesverdig. Jeg vil gi ros til Kristelig Folkeparti og Venstre for å ha gått inn i debatten og sikret at man har fått en plattform for landbruk også framover – med utgangspunkt i det Hareide var inne på. Vi skal begynne å se mulighetene, og vi skal begynne å gi muligheter til dem som er der ute. Det er ganske bemerkelsesverdig når Dag Terje Andersen og mange andre sier at landbruksministeren er avskiltet, samtidig som det har vært innlegg etter innlegg der man poengterer at strukturendringene er så dramatiske at man nærmest river alt over ende. Dette henger ikke på greip – for å si det med et bondeuttrykk. Man får i hvert fall bestemme seg for et budskap. Som Stefan Heggelund sa: Hvis strukturendringene også gikk sin gang med de rød-grønne, burde man være ærlig og si at det var sånn man ville ha det. Men man snakker hele tiden om at man vil ha det motsatte som resultat. Da kan man ikke kalle det en suksesshistorie. Når egen politikk har vist stikk motsatte resultater av det man egentlig ønsket, får man i hvert fall vedgå at det dessverre ikke gikk akkurat som man hadde håpet.

misnøgde med tilbodet dei då fekk. Det er underleg å registrere Arbeidarpartiet sitt frieri til Kristeleg Folkeparti no. Det står i sterk kontrast til Kolbergs retorikk eit par år tilbake. Kolberg var ikkje åleine. Eg kan også hugse partileiaren i Venstre, Trine Skei Grande, som i ein av dei avsluttande debattane i førre periode eitt einaste forslag frå Venstre – ikkje eitt einaste forslag på åtte år – vart akseptert av dei raud-grøne. Det seier litt om haldninga den gongen. No er ein mest oppteken av å peike på ansvaret ein har, eit ansvar som eg vil tru fell likt på oss. Høgre og Framstegspartiet har ein sterk, tydeleg og målretta politikk for ei næring som mange er opptatt av, og ein statsråd med ryggrad og vilje til å gjennomføre han. Eg må seie eg er stolt over å vere på lag med statsråd Listhaug. Vi hugsar alle ei anna basisnæring som var avhengig av betydelege subsidiar, nemleg fiskeflåten. I dag, etter store strukturelle endringar, går denne næringa godt utan store offentlege tilskot. Ingen tenkjer på å gå tilbake til slik det var. Men vi må la næringa sjølv få lov til å utvikle seg med dei fordelane dette kan ha for den enkelte utøvaren. Vi må også få til ein struktur – for dei som ønskjer det – for å få ei driftsform som gir utøvarane ein strukturert arbeidsdag med slik dei fleste andre har. Det veit vi at dei unge utøvarane som skal rekrutterast inn i næringa, absolutt ønskjer. Det har eg sterk og stor tru på at denne landbruksministeren vil få til. Eg vil berre ønskje Listhaug lukke til vidare. Representanten Ove Bernt Trellevik har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

– er at dei som vil produsera meir mat, skal få lov til det. Det er på denne måten ein klarer å få auka produksjonen i dette landet. Det er det som er den store kursendringa i budsjettet me behandlar i dag – ikkje nødvendigvis strukturendringa, vil eg påstå. Dette er ei vidareføring av politikken som har vore ført i svært mange år. Men det at dei store i dag skal få lov til å produsera litt til, betyr ikkje at skal nå taket – det som er moglegheitene i produksjonen – som ligg i budsjettet. Dette er moglegheiter for få, men me skal framleis ha eit landbruk over heile landet. Representanten Knut Storberget har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

så mye mattekunnskaper til, er det noe mer enn 250 mill. kr. Man har altså beløp til disposisjon. Etter mitt skjønn er det ikke riktig at det spises opp av en eventuell justering av målprisøkninga på frukt og grønt, som ble beskrevet som populisme fra Kristelig Folkeparti. Det er det ikke. Går man inn i tabell 6.5 på side 48 i proposisjonen, framgår det at verdien av målprisøkninga er på ca. 63,1 mill. kr. Vi mener det er fornuftig å se på en kr. Vi mener det er fornuftig å se på en viss justering av det, men det spiser slett ikke opp det handlingsrommet som et eventuelt opplegg med Arbeiderpartiet ville hatt. Etter mitt skjønn ville det være gode effekter også av en slik type politikk. Representanten Marit Arnstad har hatt ordet to ganger tidligere

Mye av det man har snakket om i dag, og noe flere har stilt spørsmål ved, er hvor den forenklingen som man har snakket om, er. Det er mange forenklingsforslag som ligger her, som regjeringen tar utgangspunkt i. Statsråden har vært inne på en rekke av dem. En av de aller, aller viktigste oppgavene vi har i årene som kommer, er bl.a. å rydde opp i den tilskuddsjungelen som finnes i landbruket.

og det er svært viktig at man fortsetter nettopp dette arbeidet, slik at man får på plass forenklinger. Jeg har hørt mange av de rød-grønne politikerne snakke ned norsk landbruk. Jeg er stolt av norsk landbruk. Norsk landbruk produserer hver eneste dag kvalitetsvarer av høy, høy klasse. Men det er litt rart at vi som politikere plukker ut én bransje, og så skal vi og så skal vi som politikere sette begrensninger for hvor mye man kan produsere. Når vi som storting og myndighet kan sette oss ned og si at du bare får produsere et gitt antall liter melk, og utover den produksjonen får du ikke penger for det, eller si hvor mange kilo kjøtt du kan levere inn til slakt, da er det på tide med en endring i landbrukspolitikken. Vi må sørge for dem som faktisk vil utvikle seg

Nord-Noreg. Det har vore vist til utviklinga frå mange av representantane. Men eg undrast på kva som vil vere utviklinga i talet på bruk i produksjon med Høgre- og Framstegsparti-styre og ein politikk som har gjeve vind i segla til sentraliseringspolitikken i landbruket. landbruket. Så seier representanten at bøndene har oppdaga dette, og at dei tilpassar seg. Ja, dei vil nok oppdage det og tilpasse seg. Men dersom det er slik at bøndene hadde vore nøgde med tilbodet, hadde det vore ei avtale med Bondelaget. Det blei brot. Representanten Ingrid Heggø har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

Kva rekrutteringstiltak ligg her for dei små og mellomstore bruka? Det er det ingen frå regjeringspartia som har nemnt. Korleis skal ein få tak i nok fôr til dei store bruka? Det er det ingen i regjeringspartia som har nemnt. Avslutningsvis vil eg seie at det biletet eg brukte om Hyllestad, er eit godt eksempel på at det er umogleg å hausta nok

på hva som var deres politikk på dette området. Det var jo faktisk en del positive trekk å spore i Arbeiderpartiets program, og jeg skal derfor ta meg tid til å sitere fra det. Det står: «Det er behov for å vurdere om aktuelle lovverk og praksis er tilpasset dagens situasjon i næring og samfunn. Dette gjelder jordlov, konsesjonslov, odelslov og problemstillinger rundt leiejord. Tilpasningene må legge til rette for at interesserte ungdommer/personer kan få plass i Tilpasningene må legge til rette for at interesserte ungdommer/personer kan få plass i næringen.» I lys av den debatten vi har hatt her i dag, og innleggene som har vært holdt av representanter fra Arbeiderpartiet – Storberget mfl. – må jeg få lov til å si at jeg savner en konkretisering fra Arbeiderpartiet om hva det er man egentlig mener med sitt politiske program, og hvilke tiltak man tenker man skal igangsette for å sikre den utviklingen som vi har sett at landbrukssektoren har stått overfor de siste årene. Kan det tenkes at lederen av Balsfjord Arbeiderparti, som er medlem av Bonde- og Småbrukarlaget i Troms, Kan det tenkes at lederen av Balsfjord Arbeiderparti, som er medlem av Bonde- og Småbrukarlaget i Troms, og som har skoen på – riktignok uttaler han seg som privatperson – vet hvordan det er å drive? Når han ser inn i glasskulen, kan han være verd å lytte til og be om råd når man skal snekre ut framtiden, også for Arbeiderpartiets politikk? Representanten Gunnar Gundersen har hatt ordet to ganger tidligere og får

stimulerer også dem som f.eks. har over 50 kuer, lite grann. Det er ikke sånn at man tar bort stimulansen for smådrift. Det jeg også har prøvd å si, er at bonden er uhyre flink. Han har vist en enorm evne til å ta i bruk teknologi og forbedre seg, og en produktivitetsvekst som mange kan som i og for seg var poenget i forrige innlegg, var at politikken i stor grad har gått ut på å motarbeide dette. Endelig begynner vi å realitetsorientere politikken litt, og det tror jeg landbruket skal være glad for.

fremmet forslag i denne sal om å redusere inntektsgapet, forslag som har blitt stemt ned. Med dette oppgjøret merker vi at tonen er en annen. Det kan jeg for så vidt forstå, for det var mitt andre poeng, nemlig at jeg ikke tror Arbeiderpartiet er så gode i landbrukspolitikken som de vil framstå som. Det tror jeg kanskje var utfordringa for Senterpartiet i forrige periode, at ikke Arbeiderpartiet gikk så langt som de nå gjør – visstnok. Der mener jeg at representanten Storberget ikke greier å svare på mitt poeng, poeng, og det er at hvis man tenker 450 mill. kr, og vi fikk til 250 mill. kr, er det 200 mill. kr, og så ble over 60 mill. kr brukt opp på målpriser. Vi vet også at Arbeiderpartiet ønsker en styrking av kornøkonomien og å reversere kutt i klima- og miljøtiltak, og de ønsker rekrutteringstiltak. Det blir ikke mange millionene igjen til små og mellomstore bruk da. Så mitt poeng er egentlig bare at Arbeiderpartiet ikke er så mye bedre mye bedre enn det som er avtalen som vi ble enige om. Det var mitt store poeng. Etter at jeg har oppsummert debatten og fulgt den i hele dag, er det faktisk et viktig poeng å løfte fram. Vi klarte dette med å ivareta forhandlingsinstituttet, som var viktig for Kristelig Folkeparti, og vi klarte å få en mye bedre struktur, som også var helt vesentlig for

eller skal du produsere på utenlandsk jord? Det er det gamle spørsmålet som er aktuelt igjen i dag: Skal du bruke plogkjøl, eller skal du bruke skipskjøl? Skal du satse på matvaresikkerhet, må du satse på den norske jorda. Skal du satse på den norske jorda, må du forbedre meitemarken og fruktbarheten i jorda. Da snakker vi om økologisk forståelse, og da må en vri investeringsmidler fra driftsbygninger til jord. Nydyrking, grøfting og å bedre jordkulturen er helt grunnleggende for å få til det som veldig mange har sagt at de ønsker. Det er håp dersom en går i den retningen. Flere har ikke bedt om ordet, og sakene nr. 1 og 2 er ferdigbehandlet. Ingen har bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av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

få områder i helsepolitikken der SV og Høyre er enige, men ved valget varslet Bent Høie nye tider på ett felt. Det ble sagt på denne måten i Bergens Tidende 2. september 2013 av Erna Solberg: «Slik vi har en Nasjonal transportplan for samferdsel, bør vi få en nasjonal helseplan for sykehusene.» Og i samme «Det vil alltid gå fakkeltog, men nå vil fakkeltogene vite hvor de skal gå. De kan henvende seg til sine egne politikere på Stortinget, som med vår modell vil ha ansvar for beslutningene.» Dette er umulig å forstå på noen annen måte enn at Stortinget skal få mye mer makt når det gjelder de viktigste beslutningene for mange av våre innbyggere, nemlig hvor i landet det skal ligge sykehus, og hva slags funksjoner det skal være normalt å ha på noe som kalles sykehus. Nå får vi nye signaler. Nå betyr ikke dette lenger noen «nasjonal transportplan» for sykehusene. Nå er det bare helt overordnede føringer som skal gis, og vi risikerer å få det verste fra to verdener – den altfor sterke makten til byråkratene som ligger i dagens system, og som Arbeiderpartiet dessverre i altfor lang tid har forsvart, kombinert med Høyres nye modell, der offentlige sykehus legges ned i distriktene, mens private klinikker opprettes i sentrale strøk på skattebetalernes regning. Neste år kommer det en nasjonal sykehusplan. Den bør diskutere nettopp de spørsmålene som reises i dette representantforslaget fra Senterpartiet. I slike debatter er det et veldig vanlig munnhell i Norge at vi skal «desentralisere det vi kan, og sentralisere det vi må». Men er det det vi driver med i Norge i dag? Nei, nå er det mye som peker i retning av at vi i stedet «sentraliserer det vi kan». Det ser vi nå når helseministeren godtar nedleggingsbeslutninger knyttet til akuttfunksjoner på Rjukan og i Kragerø. Vi ser det når lokalsykehus i Flekkefjord, Kongsberg, Kongsvinger og andre steder i landet er truet. Situasjonen i Telemark akkurat nå en situasjon som Stortinget ikke kan snu ryggen til. De aktuelle sykehusene er sykehus som skårer godt når det gjelder pasienters svar på hvor fornøyd de er med tjenestene, og når det gjelder de medisinske kvalitetsindikatorene. Det er et sterkt engasjement rundt opprettholdelse av sykehusene, og det er faglig uenighet når det gjelder hvor hensiktsmessig den omorganiseringen helseministeren har godtatt, er. Jeg mener at dette er en skjebnetime for lokalsykehusene i Norge. I regjeringserklæringen står det at nedleggelser av akutt- og fødetilbud vil bli stoppet «hvis det ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet». Men hva slags omorganiseringer er det som ikke begrunnes med pasientsikkerhet og kvalitet? Det regjeringen har gjort, er å åpne døren på vidt gap, slik at alle som sier de gjør dette av hensyn til pasientsikkerhet og kvalitet, kan få gjennomslag for omorganiseringer. Men nå kommer det jo fram at sykehuset i Telemark er pålagt å spare penger, og det reises store spørsmål ved om det er det som er motivasjonen for disse omorganiseringene. Det betyr at det ville være klokt å ta en «timeout», som det heter på godt norsk, og utsette disse prosessene til vi faktisk skal diskutere den overordnede retningen for norske sykehus i en sykehusplan neste år. Helseministeren tok ansvaret for disse nedleggelsene i går, og det var prisverdig, men Stortinget må også ta ansvar. Det vil være uforståelig for folk i Telemark og andre som er opptatt av lokalsykehusenes framtid, om det som er et flertall i denne sal av partier som sier de er kritiske til helseministerens beslutning, ikke makter å samle seg om et flertall som også pålegger ham å gjøre om den beslutningen. Derfor går min utfordring i dag til Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti: Hvis de stemmer mot de forslagene som i dag fremmes, kan de ikke heller fortsette å kritisere regjeringen for det vedtaket som er gjort. Da må de være med og ta ansvar for det. SV og Senterpartiet fremmer to nye – helt konkrete – forslag om situasjonen i Telemark i dag, som jeg vil oppfordre alle partier som er mot nedleggingen, om å støtte. Med det tar jeg opp de forslagene som SV har fremmet i innstillingen, og de to nye forslagene fra SV og Senterpartiet som er omdelt. Da har representanten Audun Lysbakken tatt opp de forslagene han refererte til.

dag, er de forventningene, det etterlatte inntrykket, som nåværende helseminister og Høyre skapte før valget. Det inntrykket er ikke det det gis uttrykk for etter at de vant valget. De vant et budskap og et utgangspunkt, så vant de valget, de inntok regjeringskontorene, og den 5. mai skriver helseministeren til Stortinget at nå skal Stortinget kun vedta overordnede prinsipper og ikke detaljstyre hvilke oppgaver som skal være på det enkelte sykehus. Han mener nå at Stortinget skal ta mer overordnede beslutninger, mens tjenesten må ha mulighet til å gjennomføre nødvendig utviklingsarbeid ut fra lokale behov og forutsetninger. Dette er til forveksling likt det systemet vi har i dag, og som Bent Høie kritiserte tungt før valget. Problemet er at det er for sent. Forventningene forhåpningene til at ting skulle være helt annerledes, er skapt. Folk blir skuffet når man blir stilt noe i utsikt, og så får man noe helt annet. Man kan kritisere Arbeiderpartiet for mye, men vi holder fast ved det vi mente i regjering, også i dag. Vårt utgangspunkt er følgende: Å organisere sykehusene i helseforetak og helseregioner er ikke et mål i seg selv. Det er virkemidler for å nå overordnede politiske mål. Likeverdige helsetjenester i hele den gangen vi overførte sykehusene fra fylkeskommunen til staten og helseregioner. Samlet sett mener jeg at det har bidratt til et bedre og mer likeverdig helsetilbud. La det ikke være noen tvil: Vi mener at målene for sykehussektoren må være nasjonalt forankret, men samtidig ha en tydelig regional og lokal forankring. Det har også skapt mange bedre resultater de siste årene. Et eksempel: For noen år siden behandlet vi hjerteinfarkt ved nesten alle landets sykehus. Nå behandler vi det på seks sykehus. Resultatene har blitt mye bedre: Folk overlever i langt større grad enn før. Gitt dette, mener vi det vil være feil og uansvarlig av oss å stemme for et forslag eller andre forslag som i realiteten ville innebære å stanse planer, nytenkning og omstilling i Helse-Norge. Det leder meg over til den mest spisse delen av debatten: vedtakene om akuttfunksjonene ved Rjukan og Kragerø, som helseministeren har stadfestet. Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark er vedtatt, og vi vil ikke overprøve denne på sviktende grunnlag her i Stortinget. Det har rett og slett ikke Stortinget forutsetninger til. Vi er ikke forelagt noe som helst beslutningsgrunnlag, og Stortinget kan derfor heller ikke ta stilling til saken, gitt den styringsmodellen vi har. I tillegg ville en slik beslutning kunne sette andre store forbedringer og investeringer i Telemark i fare. Jeg mener regjeringen har opptrådt kritikkverdig på flere nivåer i De stilte i utsikt at denne typen avgjørelse skulle løftes inn i Stortinget hvis de vant valget. Slik skaper man forventninger, og slik vinner man valg. Punkt nr. 2: Helseministeren har forholdt seg altfor passiv til den pågående prosessen. Punkt nr. 3: Helseministeren har ikke videreformidlet til Helse Sør-Øst at Sykehuset Telemark burde få tid og økonomisk rom til å finne gode løsninger i en vanskelig omstilling, slik vi i Arbeiderpartiet ville gjort, dersom vi hadde styrt Helse-Norge. Punkt Helseministeren har ikke klart å skape trygghet for befolkningen i de berørte områdene om hva som skal være igjen på sykehuset, og hvilken alternativ akuttberedskap som skal komme til erstatning for det som forsvinner. Det er ikke vanskelig å forstå fortvilelsen på Rjukan. Dette gir selvfølgelig dramatiske utslag for et lokalsamfunn som det. Gitt hva som så langt ikke er fulgt opp fra regjeringens side, føler vi oss ikke trygge på prosessen videre. Vi foreslår derfor at regjeringen kommer til Stortinget med statsbudsjettet for 2015 og synliggjør hvordan Sykehuset Telemark skal få økonomisk handlingsrom til å finne gode løsninger, og at de har en plan med konkrete tiltak og penger for hvordan regjeringen ser for seg at den alternative akuttberedskapen skal videreføres i de berørte områdene. Jeg sier det rett ut: Dersom regjeringen ikke leverer konkrete forbedringer og tilfredsstillende svar på det vi ber om i våre forslag her i dag, vil ikke Arbeiderpartiet sitte stille og se på dette. Derfor vil jeg understreke at helseministerens beslutning om nedleggelse vil bli vurdert i lys av hva regjeringen selv foreslår i statsbudsjettet. På denne bakgrunn ønsker jeg å ta opp de forslagene vi har levert inn i dag, og forslagene nr. 1, 2 og 4 i innstillingen. Representanten Torgeir Micaelsen har tatt opp de forslagene han refererte til.
Kristin Ørmen Johnsen

for å sikre hvordan spesialisthelsetjenesten kan møte framtidens behov og skape trygghet og forutsigbarhet. Det er nødvendig at Stortinget, som bevilger penger til behandling, forskning, utdanning og bygninger, får en oversikt over det framtidige behovet og hvilke investeringer som planlegges. Dette er begrunnelsen for regjeringens arbeid med en nasjonal helse- og sykehusplan. Den skal gjøre oss i stand til å planlegge en helsetjeneste med kapasitet og kompetanse til å møte framtidens behov. Planen skal tegne de overordnede prinsipper for utvikling, som gir grunnlag for lokale beslutninger. Planen skal legges fram for Stortinget høsten 2015. Senterpartiets forslag vil detaljstyre utviklingen i Det er en besnærende tanke å bestemme ulike tilbud på de ulike sykehusene fra dette huset. Hvilken kompetanse har egentlig Stortinget til å bestemme detaljering og utvikling av lokalsykehus? Jeg vil nevne tre eksempler fra den rød-grønne regjeringens tid da det ble foretatt omstillinger som verken Stortinget eller ministeren grep inn i: Akuttkirurgi på Røros sykehus ble samlet på St. Olavs Hospital. Fødeavdelingen på Mosjøen ble gjort om til fødestue. Larvik sykehus’ akuttfunksjoner ble flyttet til Tønsberg, og de utfører nå dagkirurgi. Stensby sykehus ble lagt ned. Detaljstyring, slik Senterpartiet ønsker, vil frarøve styrer og ledelser i Helse-Norge mulighet til omstilling og derfor også utvikling. Omstilling er ment å gi pasientene et kvalitativt bedre tilbud. Det er ment å gi Med Senterpartiets forslag vil mange prosesser i helseforetakene i Norge bli satt på vent. Dette gjelder prosesser om store investeringer og nye bygg – noe som mange har ventet på. Det blir ikke bare dyrt – man setter også en stopper for helt nødvendig nyinvesteringer, enten det er nytt psykiatribygg på Sørlandet sykehus, nytt sykehus i Vestre Viken i Buskerud eller nytt barne- og ungdomssenter ved Haukeland sykehus. Jeg vil minne om at det under den rød-grønne regjeringen er foretatt mange nødvendige omstillinger. Hele 13 sykehus har blitt berørt, enten av avvikling av fødetilbud eller akuttilbud, eller ved at sykehuset har blitt lagt ned. Denne regjeringen har sagt at føde- og akuttilbud kun skal avvikles dersom det ikke er god nok kvalitet på tjenesten. Framtidig sikring av kvalitet og robuste akuttilbud er at den medisinske akuttfunksjonen på Rjukan og Kragerø skal avvikles. Vedtaket har skapt uro, lokalt engasjement og frustrasjon. Men det er viktig å understreke at statsråden har sagt at Telemark Helseforetak skal fornye og oppdatere sine planer for prehospitale tjenester. De prehospitale tjenestene skal ha den nødvendige kvalitet og kapasitet før akuttilbudet avvikles. Dette er det viktig å presisere. Foretaket er eksplisitt blitt bedt om sikre kvaliteten på de prehospitale tjenestene. Vedtaket skal sikre en helt nødvendig utvikling av to robuste akuttsykehus, Notodden og Skien. Sammen med gode prehospitale tjenester, vil disse sykehusene gi innbyggerne i Telemark et kvalitativt bedre tilbud. Det skal fortsatt være spesialistpoliklinikk og Dagens plassering av sykehus ble i stor grad bestemt ut fra behovene for over 100 år siden. Den gangen tok det ganske lang tid å bevege seg fra et sted til et annet. Derfor måtte all behandling skje på det lokale sykehuset. Der kunne man som oftest litt av alt. Men den medisinske og teknologiske utviklingen har gått rivende fort. Vi behandler pasienter for sykdommer i dag som ikke ble behandlet for 5–10 år siden. Men slik behandling krever høyspesialisert kompetanse og arbeid i tverrfaglige team. Mye har endret seg. I dag drar vi fra en landsdel til en annen i løpet av en knapp time. Helikopter og ambulansefly har gjort landet kortere. De prehospitale tjenester har utviklet seg fra å være ren transport av syke til å være høyspesialisert behandling av pasienter under reisen. Skal vi sette pasienten i sentrum, må det foretas endringer. De overordnede prinsippene må vedtas av Stortinget. Jeg fremmer derfor følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre: «Stortinget ber regjeringen legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget, der Stortinget kan behandle de overordnede prinsipper for utvikling og struktur for sykehus og spesialisthelsetjenesten i planperioden.» Representanten Kristin Ørmen Johnsen har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Jeg skal prøve å holde meg til det overordnede. Jeg er nå inne i min fjerde periode i helse- og omsorgskomiteen, som den heter nå. Jeg har vært med på å behandle mange saker, mange initiativ av ulik karakter, og ikke minst har jeg vært med på ulike former for detaljstyring. Jeg må nok innrømme at også jeg har vært en av de personene som har vært med på å ta opp

skal sette oss ned og vurdere hver enkelt av alle landets sykehusavdelinger. Det ville være mange hundre sykehusavdelinger som vi da skulle sette oss ned og sette oss til doms over, for så å fortelle den enkelte innbygger hva som skal være på hver enkelt avdeling. Jeg er helt sikker på at det ikke er noen i denne sal som ønsker det, men i sin ytterste konsekvens ville det bli slik hvis vi skulle begynne med denne typen detaljstyring.

Vi kommer til å se dramatiske endringer i norsk helsevesen, både innenfor teknologi, innenfor ulike typer medisiner og innenfor behandlingsformer etc. Det eneste vi ikke vet om framtiden, er hvordan den faktisk blir. Det kommer til å bli annerledes. Ting går raskere enn vi klarer å fange opp. Derfor er det viktig at vi som politikere legger de overordnede rammene, mens detaljstyringen ned på det minste nivå skal gjøres av andre. Vi skal komme med våre innspill. Vi skal styre gjennom budsjettprosesser. Vi skal styre gjennom vedtak i denne salen, som skal sørge for at det norske folk og alle innbyggere i dette landet skal ha blant verdens beste helsetjenester. Det er det som må være målet vårt: Uansett hvor vi bor i dette landet, skal vi faktisk få hjelp når vi har behov for hjelp. Men det kan være at sykehusstrukturen kommer til å se annerledes ut enn det den gjorde da vi etablerte sykehusene. Det kan være at man kommer til å se endringer i funksjonsdelingen mellom sykehusene. Det kan være at vi kommer til å se mer sentralisering av enkelte ting, bl.a. innenfor kreftkirurgi,

hjelpe oss med å sørge for at tilbudet finnes der vi har behov for tilbudet, og at det er av den beste kvalitetsmessige karakter. Jeg er mer avhengig av å få et godt kvalifisert tilbud når jeg har behov for det, enn å ha det

Medisinteknisk utstyr kan etter hvert gi uante muligheter. Noen tjenester krever kvantitet for å gi god kvalitet. For noe medisinteknisk utstyr trenger en kvantitet for å gi god nok kvalitet i bruken av utstyret. Noen operasjoner er så spesielle at en må ha kvantitet

om folk som ønsker å reise til andre land for å få behandling, fordi de har sett at det er noen som kan noe mer enn oss, fordi de har flere å ta av til å bli gode på. Derfor trenger vi en plan, en plan som gir pasientene og innbyggerne den beste behandlingen. Når man skal få den beste behandlingen, er det òg viktig at en del av sykehusbehandlingen er akuttberedskap. Det handler om hva slags hjelp vi får nær oss, som er god nok den dagen ulykken skjer, eller vi blir alvorlig syke. Da kan minutt og sekund bety ufattelig mye. Derfor blir det for Kristelig Folkeparti viktig at den prehospitale tjenesten og akuttberedskapen blir en sentral del av sykehus- og helseplanen. Vi ønsker å vite hvor og hvordan vi tenker om luftambulansetjenesten. Når det gjelder f.eks. luftambulansetjenester, vet vi luftambulansetjenester, vet vi at det er noen områder i vårt land som på en måte er som mørke hull. I en merknad til skriver Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: Stortinget skal involveres sterkere i å ta de viktigste beslutningene om hvordan spesialisthelsetjenesten skal utvikles.» Det samme flertallet mener òg at den prehospitale tjenesten blir en viktig del av denne planen. Det handler om luftambulanse. Det handler om hvilken type ambulanse vi skal ha. Det handler om hvordan legevakten skal være. Det handler om at vi får et nødnett opp å gå. Det handler om ambulansebåter der det er nødvendig, og det handler om spesielle utfordringer som noen kommuner har, fordi de kanskje har E39 eller andre utfordringer med industri osv. i sin nærhet.

si med hensyn til sykehuset i Rjukan, for det er nærliggende. Kristelig Folkeparti er ikke med på noen nedleggelse av Rjukan Sykehus før ministeren viser til hva slags prehospitale tjenester, hva slags akuttilbud og hvordan en tenker at den totale pakken for folk på Rjukan skal være. På vegne av Kristelig Folkeparti vil jeg også gi en stemmeforklaring på hvordan vi kommer til å stemme. Vi vi er inne på per i dag. Vi kommer ikke til å stemme for det. Vi kommer til å støtte Høyre og Fremskrittspartiet i forslag nr. 10, og vi kommer til å stemme for Arbeiderpartiets forslag nr. 12. Det er

Erna Solberg sa følgjande til Bergens Tidende 2. september i fjor: «Slik vi har en nasjonal transportplan for samferdsel, bør vi få en nasjonal helseplan for sykehusene.» Artikkelen sa vidare: «den helseplanen de skal lage vil definere oppgavene til hvert enkelt sykehus, også lokalt, ut fra et nasjonalt hensyn.» Bent Høie sa til Dagens Næringsliv den 16. august i fjor at det er Stortinget, ikkje dei regionale helseføretaka som bør bestemme når det skal byggjast nye sjukehus, og kor og

at vesentlege sjukehusavgjerder av samfunnsmessig betyding skulle takast vekk frå Stortinget og vekk frå folkevald styring. Det er berre å lesa § 30 i føretakslova om avgrensing i føretaksstyra sin avgjerdskompetanse og Høgre, Arbeiderpartiet og Framstegspartiet sine merknader i innstillinga til føretakslova.

Det er nitrist å oppleva ein slik uærleg debatt som politiske parti og føretaksstyre køyrer i denne saka. Tilsløringar og vikarierande argument banar veg for ein omfattande sentralisering av Kvalitetsargumentet vert misbrukt av både helseføretaka og helseministeren. Ingen hevdar at det ikkje er god kvalitet ved lokalsjukehusa i Telemark i dag. Men Helse Sør-Øst og helseministeren krev at sjukehusa må verta robuste, altså større, for å klara å tilpassa seg nye kvalitetskrav i framtida. Eg har lese desse nye kvalitetskrava som føretaka viser til. Dei er utarbeidde av administrasjonen i Helse Sør-Øst, og er ikkje behandla av styret Dei set som fagleg standard at to ortopedar alltid skal arbeida i lag. I akuttmottak skal det ikkje vera turnuskandidat, men ein lege i spesialsering i tilstadesvakt 24/7. Eg vil seia til helseministeren: Vis meg det sjukehuset i Noreg som klarar å oppfylla desse såkalla kvalitetskrava. Dette er ikkje kvalitetskrav, men sentraliseringskrav, som vil forverra kvaliteten i sjukehustilbodet i Noreg totalt sett. Undersøkingar viser at to av tre sjukehuspasientar treng behandling på lokalsjukehusnivå. God kvalitet i lokalsjukehusa er derfor heilt avgjerande. Men urealistiske krav til måten å sikra kvaliteten på vil føra til nedlegging av lokalsjukehus som er mange gonger større enn Rjukan. Er det dette helseministeren planlegg i sin helse- og sjukehusplan? Nokon må snart innsjå kva for eit lureri dette er, og at argumentasjonen er tilpassa politikken, og ikkje faget. Det er føretaksorganiseringa som gjer dette

Arbeidarpartiet gir som vanleg inntrykk av at dei er for lokalsjukehus, men med sitt uforpliktande forslag gir dei si fulle oppslutning til regjeringa si sentraliserande sjukehuspolitikk og godkjenner nedlegging av sjukehusa i Rjukan og Kragerø. Det er Senterpartiet sitt fellesforslag med SV som er det beste for sjukehustilbodet i Telemark. Eg vil be Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti om å tenkja seg om. Eg fremmer med dette Senterpartiet sine forslag til saka.

For første gang i Norge skal det utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan. Den må i sin første versjon nødvendigvis bli noe overordnet. Samtidig må den bli så konkret at vi rammer inn et framtidig sykehustilbud, både i faglig kvalitet og økonomisk. Parallelt med at vi skal utforme en sykehusplan, skal det også behandles en stortingsmelding om primærhelsetjenesten, og de neste årene skal vi forme nye kommuner. De neste årene kommer det til å bli debatt om oppgavefordeling og ansvar for ulike typer behandling mellom lokalmedisinsk senter og lokalsykehus, hva som kan og skal skje i ulike typer ambulanser, om hvor stort volum som må til for å sikre forsvarlig kvalitet og om sentralisering og lokalisering. Vi venter også på at det såkalte Akuttutvalget skal avgi sin innstilling om framtidas organisering av bl.a. legevakt og øyeblikkelig hjelp lokalt. Det neste året skal vi også behandle en stortingsmelding om folkehelse. Den siste av disse er kanskje den det bør bli mest debatt om – om hvordan vi kan unngå å havne stadig oftere på sykehus og i langvarig sykemelding på grunn av vår egen livsstil. I tillegg til dette kommer det en viktig debatt om hvordan demokratiet i helsesektoren skal være. Som kommunestyre- og formannskapsmedlem har jeg de siste årene sett hvordan kommunal sektor har fått et stadig større ansvar for stadig sykere pasienter, både somatisk Tilsvarende har kommunene ikke fått økt verken personalressurser, investeringsevne eller mer penger til å håndtere denne økningen. Særlig gjelder dette innen psykisk helse og rus. Men også for eldre pleietrengende er det mange bøttekottliknende rom uten vinduer og forværelser i bruk i lokale institusjoner. I kommunene sliter mange folkevalgte med tøffe prioriteringer, for kommunene slipper ikke unna med å skrive ut. I beste fall slipper de unna med ikke å sykehussektoren av offentlig forvaltning sliter vi med et demokratisk underskudd, hvor de som skal svare overfor de egentlige eierne – innbyggene – blir sittende altfor langt unna både tjenesteproduksjon, forvaltning og pasienter og innbyggere. Statsråd Høie skal ha ros for at han var både ærlig og tøff da han møtte opp foran Stortinget i går og forsvarte vedtaket til Sykehuset Telemark. Demokratisk sett synes jeg imidlertid det er et problem at det er en statsråd, indirekte valgt av folket, som skal stå til rette og ta ansvar. Venstre ønsker endringer i styringsformen, hvor Stortingets folkevalgte i fylkene og Stortinget står mer direkte til ansvar for helse- og velferdstilbudet til sine egne innbyggere. Det kan innebære endringer både i valgordning, fylkesgrenser og foretaksmodell. En endring av foretaksmodellen er kanskje det mest nærliggende. De fire samarbeidspartiene har sagt at vi vil avvikle de regionale helseforetakene. For Venstre er det viktig hvilken modell vi kommer fram til for sykehusene og særlig for de tilbudene som i dag ligger i den såkalte som sender et stort antall pasienter ut i en krevende spagat. Jeg må nok si til representanten Harald T. Nesvik: Ja, det er små og store ting vi behandler i Stortinget. Jeg har nok vært med på atskillig mindre ting enn det vi i dag snakker om. Vi kan ikke fortsette med et så todelt helsevesen, der spesialisthelsetjenesten er basert på markedsmessige styringspremisser og lite samfunnsmessig helhetstenkning, mens den andre delen, primærhelsetjenesten i kommunene, tvinges til å ta hele det samfunnsmessige ansvaret. Helse- og omsorgskomiteen var på komitéreise i Skottland i vinter. Det første jeg hørte fra øverste helsemyndighet i et land med 5,2 mill. innbyggere, et sykehusbudsjett på 120 mrd. kr og hvor helseforsikringer og ventelister knapt eksisterer, eksisterer, var: Vi har så store hetseutfordringer at vi kan ikke bruke pengene på byråkrati. Til sammenlikning har vi 5,1 mill. innbyggere i Norge, et sykehusbudsjett på vel 133 mrd. kr, og for barn med cerebral parese er det opptil to års ventetid på operasjoner, og mange hundre tusen har tegnet helseforsikring i mangel på tillit til systemet. Midt oppe i denne helsepolitiske rekonvalesensen vi står i, mener Venstre det verken er tida for å avvikle noe som har en sykehusbetegnelse i seg, og ei heller aktuelt å holde Stortinget unna store samfunnsmessige beslutninger inntil vi har en helhetlig og framtidig sykehusstruktur på plass, og inntil vi har en ny kommunehelsetjeneste på plass. På vegne av Venstre vil jeg få fremme, om noen andre ikke gjør det, det opprinnelige forslaget, nr. 5, der Venstre fortsatt står. Representanten Kjenseth har tatt opp det forslaget han

for Stortinget for å skape åpenhet og forutsigbarhet i sektoren. Selv om staten har hatt ansvar for sykehusene og resten av spesialisthelsetjenesten i over tolv år, har ikke Stortinget behandlet en egen helse- og sykehusplan. Regjeringen mener at vi har behov for mer politisk styring med hvordan spesialisthelsetjenesten utvikler seg. Stortingets behandling av fødselsmeldingen viser hvordan vi tenker. Der trakk Stortinget opp hovedlinjene for hvordan fødselsomsorgen skulle organiseres og utvikles, deretter utarbeidet Helsedirektoratet kvalitetskrav, og helseregionene endret etterpå tilbudene i tråd med disse føringene. Dette betyr at Stortinget ikke bestemmer hvor det skal være fødetilbud, eller hvilke fødeavdelinger som skal bli fødestuer. Det viktige er at Stortinget vedtar politikken,

Helseforetakene skal fortsatt ha ansvar for å planlegge og gjennomføre nødvendig utviklings- og omstillingsarbeid for å imøtekomme nasjonale prinsipper og de faglige kriteriene. Nasjonal helse- og sykehusplan vil inneholde drøftinger av hvordan vi vil de skal planlegge for framtidens behov, og derigjennom gi Stortinget mulighet til å trekke opp de overordnete prinsippene for spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med planen har startet opp, og vi skal ha en åpen planprosess med dialog med alle landets helseregioner, brukere, ledere og ansatte i sektoren – og ikke minst skal pasientene sitte ved bordet når framtidens sykehustjenester utvikles. Så vil jeg kommentere endringene ved Sykehuset Telemark. De har gjennom grundig utredningsarbeid kommet fram til at en samling av somatisk akuttvirksomhet og døgnbehandling på færre steder vil være den beste måten å ivareta det samlede ansvaret for befolkningen i Telemark på. I regjeringsplattformen har vi fastslått at vi vil stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet. Sykehuset Telemarks beslutning er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet. Derfor har jeg gått spesielt inn i denne saken, og på den bakgrunn har jeg gjort vedtak om avvikling av akuttfunksjonene i foretaksmøtet. Dette er et vedtak som også inneholder et klart krav om at før akuttilbudet på Rjukan legges ned, skal en fornye og oppdatere planene for de prehospitale tjenestene, eller akuttfunksjoner utenfor sykehus nettopp for at en skal ha de planene på plass før akuttilbudet nedlegges, slik at befolkningen skal føle seg trygg med tanke på de akuttjenestene som de har krav på. Jeg håper også at denne beslutningen blir starten på et fornyet og forsterket samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Tinn kommune om utviklingen av felles helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for de områdene som skal være igjen på sykehuset i Rjukan. Det er polikliniske tjenester og dagtilbud, og der vil det også være mulighet for å utvikle et bedre samarbeid med legevakten, øyeblikkelig hjelp-senger osv. Dette kan altså være starten på noe nytt, ikke bare avvikling av noe som har vært. Jeg vil ikke legge opp til at Stortinget skal ta stilling til det faktiske tilbudet ved hvert enkelt sykehus. Det vil være ansvaret til styret og ledelsen innen de rammene som Stortinget trekker opp gjennom nasjonal helse- og sykehusplan. Det er regjeringens ansvar å sikre at helseforetakenes beslutninger er innenfor Stortingets rammer. En del av beslutningene vil også ende opp som store utbyggingsprosjekter som selvfølgelig vil bli lagt fram for Stortinget gjennom statsbudsjettene. Da blir det replikkordskifte.

f.eks. her i hovedstaden. Da disse pågikk for fullt – og det pågår fortsatt noe arbeid knyttet til det – mente vi i Arbeiderpartiet at det var riktig at de skulle få noe mer tid og rom, økonomisk også, til å finne gode løsninger i hovedstadsområdet. Det fikk de, og Bent Høie som opposisjonsleder mente at de fikk for lite tid og økonomisk rom. Spørsmålet mitt er derfor: Hvorfor har ikke til Sykehuset Telemark at de kunne ha fått mer økonomisk handlingsrom og mer tid til å finne gode løsninger i en vanskelig situasjon? Arbeiderpartiet fremmer i dag det som er forslag nr. 12 – som i realiteten er mitt vedtak i foretaksmøtet om prehospitale tjenester – men det en ber om, er at det skal meldes tilbake i statsbudsjettet til høsten. Det er verken å gi tid Tvert imot, det er å be et sykehus om å fornye og oppdatere sine planer for prehospitale tjenester mens store deler av landet er på sommerferie, og uten at de kjenner de økonomiske rammene for neste år. Mitt vedtak i foretaksmøtet innebærer at Sykehuset Telemark får god tid på seg til å lage kvalitativt gode, oppdaterte planer en situasjon der de faktisk kjenner de økonomiske rammene, fordi statsbudsjettet blir vedtatt til høsten i Stortinget. Og disse planene skal være på plass før akuttilbudet på Rjukan legges ned. Da tror jeg statsråden misforsto meg, for i budsjettproposisjonen fra den forrige regjeringen sto dette omtalt. Jeg kan si helt klart at dersom vi hadde styrt økonomiske handlingsrommet og tiden til å finne gode løsninger blitt kommunisert allerede i oppdragsdokumentet i januar. Nå er vi i juni. Jeg er enig i at da er det for sent, men det er ikke for sent å gjøre noe med det som nå oppleves som veldig utrygt enkelte steder. Det er grunn til ikke å stille seg i veien for omstilling og endring, men da må man samtidig stille i utsikt hva som skal være igjen, og hva som skal være den alternative akuttberedskapen for de berørte områdene. Og det er ikke for sent i statsbudsjettet, det kommer i oktober. Da har Høie god tid til å finne penger. Han kan kutte ut noen av skattekuttene sine – da finner han penger til dette – og komme med konkrete tiltak som erstatning for det som skal komme. Da vil det skapes større trygghet rundt det som skal skje. Vi sier igjen: Vi forbeholder oss retten til å se det, før vi gir noen blankofullmakt til regjeringen angående det som nå har skjedd. Det som er spørsmålet i forslag nr. 12 fra Arbeiderpartiet, er jo nettopp å følge opp det som er mitt foretaksvedtak, og det å stille krav om at dette skal rapporteres tilbake i statsbudsjettet allerede til høsten, innebærer at en verken gir tid eller rom for det. Så er dette et arbeid med en utviklingsplan som startet opp under den forrige regjeringen. Den ble fullført under denne regjeringen. Jeg mener at de endringene som ble vedtatt ved Sykehus Telemark, så vesentlige, spesielt med tanke på det som står i regjeringsplattformen, at det var en beslutning som måtte tas av meg i foretaksmøte, når det gjelder akuttilbudet på Rjukan og i Kragerø. Derfor er det min beslutning, og det er en beslutning som jeg tar ansvar for – sånn er også ansvarsdelingen mellom storting og regjering – som det er trukket opp bl.a. i § 30 i helseforetaksloven.

eller deler statsråden Kristelig Folkepartis anliggende, at akuttilbudet ikke blir lagt ned før en ny forsvarlig akuttberedskap er på plass? Jeg vil ikke bruke forsvarlighetsbegrepet i denne sammenheng, for det har en veldig tydelig og alvorlig betydning når vi snakker om helse. Selvfølgelig er tilbudet forsvarlig. Hvis det ikke hadde vært det, hadde vi vært i en dramatisk situasjon. Jeg mener at den situasjonen den situasjonen som er nå, ikke er god nok når det gjelder Sykehuset Telemark og det å ha prehospitale tjenester eller akuttilbud utenfor sykehus. Derfor er det en klar beskjed fra meg – gjennom foretaksmøtet – at før akuttilbudet på Rjukan nedlegges, må det være oppdaterte og fornyede planer for akuttfunksjonene utenfor sykehuset. Jeg hadde ikke vedtatt det hvis jeg mente at de planene som er i dag, er gode nok. nok. Derfor skal dette på plass før akuttilbudet på Rjukan legges ned. Å levere dette allerede i forbindelse med statsbudsjettet til høsten vil etter min oppfatning innebære at vi gir Sykehuset Telemark altfor stramme rammer – både tidsmessig og med tanke på at de ikke kjenner til de økonomiske rammene – til at de kan levere en god plan.

som viser at Høgre ville ha ein detaljert sjukehusplan, der Stortinget skulle ta avgjerdene. Eg har ikkje skjønt kva som er argumentasjonen for at ein snur, og kva ein fryktar ved å få desse avgjerdene forankra i Stortinget. Jeg er veldig glad for å få svare på alle beskyldningene om at vi har snudd når det gjelder Nasjonal helse- og sykehusplan. Jeg vil sitere det siste felles forslaget som Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti hadde i Stortinget om dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2013, i inngangen til valgkampen: «Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med en ny nasjonal helse- og sykehusplan i 2013. Planen skal forankre utviklingen av spesialisthelsetjenesten både lokalt og nasjonalt og behandles av Stortinget. Denne planen skal inneholde en oversikt over investerings- og vedlikeholdsbehovet i sektoren, et nytt investeringsregime og minimumskrav til hva ulike typer sykehus skal inneholde av funksjoner, samt utviklingen av prehospitale tjenester, herunder luftambulansetjenesten.» Det er et forslag som er helt i tråd med det arbeidet som vi nå er i gang med. Det var dette vi foreslo for Stortinget. Det er dette vi gikk til valg på, og det er det vi nå gjennomfører. Alle disse spredte sitatene er bare for å skape et inntrykk av at det vi lovte før valget, var det Arbeiderpartiet advarte mot. Det var ikke det vi foreslo.

Helse Sør-Øst har pålagt Sykehuset Telemark å spare betydelige beløp. Det er også kjent at det er en konkret, ganske stor innsparing knyttet til den nedleggingen som nå vil foregå på Rjukan – den var vel i styremøtet i Sykehuset Telemark spesifisert til 50 mill. kr. Kan helseministeren utelukke at økonomi har vært del av motivasjonen for det vedtaket om nedlegging som helseministeren har godkjent? Arbeidet med utviklingsplanen for Sykehuset Telemark har som utgangspunkt hvordan en skal etablere et framtidsrettet og robust sykehustilbud for hele befolkningen i Telemark. I Telemark i dag er det fire sykehus med akuttfunksjoner. Det er en befolkning på i overkant av 170

har etterpå blitt vurdert av Helse Sør-Øst – og etter det igjen av meg. Bakgrunnen for dette er å sikre et framtidsrettet og robust sykehustilbud for hele befolkningen i Telemark. I helsesektoren er penger ikke egentlig noe annet enn kompetanse og pasientbehandling. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

har tapt stemmer på det – både under kommune- og fylkestingsvalget i 2011 og under stortingsvalget i 2013. Det blir derfor spesielt når regjeringspartiene – og især Høyre – langt på vei har gått til valg på å frede lokalsykehusene. Også i tida etter valget, jf. regjeringserklæringa, har de signalisert det.

og statsrådens oppfølging av denne saka. Vi ber derfor regjeringa komme tilbake til Stortinget med en klargjøring av hva en legger i regjeringserklæringas formulering om lokalsykehusenes viktige rolle «for å sikre beredskap for liv og helse i hele landet». Det er grunn til å se kritisk på at helseministeren og regjeringa sa noe i valgkampen, men gjør noe helt annet når de har kommet i posisjon. posisjon. Det er grunn til å stille spørsmål ved den lokale og regionale demokratiske forankringa i sykehuspolitikken framover, ettersom regjeringa ønsker å svekke den folkevalgte representasjonen i sykehusstyrene. Det er også grunn til å spørre om statsråden har vært tett nok på prosessene omkring Sykehuset Telemark.

men la oss henge bjella på katten. Det er statsråden og regjeringa som har ansvaret her – ingen andre.

Jeg har lyst til å peke på noe som min kollega, representanten Bollestad, også var inne på i sitt innlegg, dette med prehospitale tjenester og spesielt luftambulanse. Det er et viktig ledd i den prehospitale akuttberedskapen. Vi vet at i Telemark er det hull – eller «mørke hull», som representanten Bollestad kalte det – der det er for lang tid mellom der det er for lang tid mellom der luftambulansen nå befinner seg, og til et eventuelt skadested. Dette er også en god anledning til å løfte fram akkurat det perspektivet, og det vil jeg gjøre i denne saken, fordi jeg synes at denne saken tvinger fram en ny vurdering av om ikke man bør etablere en luftambulansebase i Telemark. Dette er i hvert fall noe Kristelig Folkeparti kommer til å løfte fram ikke bare for Telemark, men selvsagt også for andre deler av landet der vi har disse sorte hullene. Til representanten Kjersti Toppe: For det første synes jeg kanskje ikke det var den hyggeligste invitasjonen jeg har blitt møtt med. Først beskyldes vi for å ha sviktet, og så skal vi bli invitert til å være med på et forslag som i realiteten vil sette hele prosessen rundt helseforetaket i Telemark på vent. Forslag nr. 13 lyder: «Stortinget ber regjeringen sørge for at Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014–2016 blir vurdert på ny når det gjelder lokalsykehusene på Rjukan og i Kragerø.» Her snakker man altså som om det handler om to forskjellige ting. Det gjør ikke det. Det ene henger sammen med det andre, og skulle vi støttet dette, betyr det at vi hadde satt på vent den prosessen som handler om å øke kvaliteten, sørge for flere sengeposter og høy kompetanse på Sykehuset Telemark både i Skien og på Notodden. Det er ikke forsvarlig, og det kan ikke Kristelig Folkeparti være med på. Jeg tror vi har vært veldig tydelige på hva slags forventninger vi har til statsråden på dette for å kunne sørge for at det er god akuttberedskap i hele

Senterpartiet mener at de folkevalgte skal diskutere og fatte beslutninger om sykehusstruktur. Foretaksloven har hele tiden forutsatt begrensninger i foretakenes beslutningskompetanse når det gjelder vesentlige saker av samfunnsmessig betydning, begrensninger som omfatter sentrale helsepolitiske prioriteringer som nedlegging av fødetilbud, sentralisering av akuttberedskap, fusjonering av sykehus og etablering av storsykehus til erstatning for lokalsykehus.

så sent som i går. Jeg registrerer at de har snudd i merknader, og jeg hører dem si noe annet her i salen. Jeg håper at man følger opp, ellers beklager jeg på det sterkeste overfor deres velgere. Arbeiderpartiet forsvarer selvsagt helseforetakene de Det er likevel synd at de ikke benytter muligheten i dag – som ligger gjennom vårt fellesforslag med SV – til å ta en ny vurdering av nedleggelsene ved Rjukan og Kragerø. Med vårt forslag kunne dette ha blitt gjort uten at det var til hinder for de andre endringsprosessene som er startet i helseregionen. For oss kan det se ut som at Arbeiderpartiet faktisk ikke har et ønske om å bevare akuttilbudet ved disse sykehusene, og at de derfor svikter den lokale befolkningen, som har vist et voldsomt engasjement. Senterpartiet mener det er behov for å lytte til lokalbefolkningen. Helseforetakene kan ikke styre på som de vil fram til det foreligger en nasjonal helse- og sykehusplan, for da vil denne planen ha lite betydning. Samtidig råder det stor tvil om nedlegging faktisk vil medføre økt kvalitet for pasienttilbudet, som ministeren hevder. Helseforetakene må derfor vurdere nedleggingen av akuttfunksjonene på nytt. Endringer av vesentlige oppgaver ved sykehus må avgjøres av Stortinget i en nasjonal helse- og sykehusplan. Dette handler til syvende og sist om hvem som skal bestemme over sykehusene våre. Senterpartiet mener at det er folket, gjennom politikerne. Dessverre er det et flertall i denne salen som mener at det er opp til byråkratiet å gjøre det. Presidenten vil gjøre oppmerksom på at etter tidsplanen skal vi antagelig stemme rundt midnatt, men sånn det ser ut nå, kommer det til å bli både mørkt og lyst før vi får avstemning. Men det er representantene som avgjør. I denne saken er det ikke tvil om at regjeringen og helseministeren har bidratt til å skape full forvirring om hva som kommer i regjeringens nye helse- og omsorgsplan. Forventningene som er skapt til planen, er det god grunn til – en plan som skulle være så detaljert at den bl.a. skulle gi en avklaring knyttet til innholdet for det enkelte sykehus. sykehus. Bakgrunnen for tradisjonen har jeg hørt mye om her, det er sitert flere ganger fra regjeringsplattformen, at sykehusplanene også må omhandle lokalsykehus og den viktige rollen de har når det gjelder beredskap for liv og helse i hele landet, og fra Høyres helseløfter i valgkampen, og Erna Solberg som sa at slik vi har en nasjonal transportplan for samferdsel, bør vi få en nasjonal helseplan for sykehusene. Bent Høie fulgte opp, som det er referert tidligere,

det gjelder både økonomi og kvalitet, men i høringsnotatet foreslås akutt- og fødetilbudet avviklet. Reaksjonene har ikke latt vente på seg – 5 000 deltok i fakkeltog. De fire Høyre-ordførerne som sogner til sykehuset, har uttalt at de har klare forventninger til helseministeren ut fra de tidligere refererte valgløftene, men det ser ut som helseministeren har snudd i det brevet som er sendt komiteen. I dag har vi fått et nytt forslag fra regjeringspartiene på bordet, som etter det jeg skjønner, vil få flertall etter støtte fra Kristelig Folkeparti. Når jeg hører Høie og også leser forslaget, oppfatter jeg det sånn at det ikke vil gi noen avklaring på det jeg refererte tidligere. I lokalavisen Agder i dag uttaler representanten Grøvan fra Kristelig Folkeparti følgende: «Det viktigste med dagens vedtak er at det sikrer at både struktur og innhold hjemles i nasjonal plan.» Videre uttalte han at Stortinget derfor vil kunne si noe om innholdet for sykehuset i Flekkefjord, at det skal være akuttfunksjon og fødeavdeling der, og at Flekkefjord sykehus sikres. Jeg vil spørre statsråden om han kan bekrefte at det er det som ligger i vedtaket. Arbeiderpartiet mener at det haster med at regjeringen avklarer hva den selv legger i formuleringen i regjeringserklæringen om lokalsykehusene og den viktige rollen de har for beredskap for liv og helse i hele landet. Derfor fremmer vi i dag forslag om at denne avklaringen må skje raskt, og at den må komme allerede i forslaget til statsbudsjett. Denne saken har en ekstra nerve og en ekstra dimensjon. Det handler om Telemark. Det er

Opplandet til sykehuset er ikke Tinn kommune eller Rjukan, men Vest-Telemark – seks kommuner, 7 700 km2, en del større enn Vest-Agder, tre ganger større enn Vestfold og nær dobbelt så stort som Østfold. Rjukan Sykehus scorer høyt på kvalitative normer som tilfredshet og kvalitet. Nerven ligger nå selvfølgelig i frykten for å miste akuttfunksjonen, mulighetene for å få hjelp i et krevende område, og ikke minst en frykt for at det som nå skjer og som helseministeren har verifisert, skal være starten på nedleggelsen av sykehuset. Det handler også om det øvrige sykehustilbudet i Telemark, som over lang tid har hatt betydelige økonomiske utfordringer, og ikke minst har hatt et betydelig behov

sikker på at det er det forslaget som best ivaretar den prekære situasjonen som Telemark er i, inkludert den situasjonen som er oppstått på Rjukan. I forslaget står det veldig tydelig at en må fremme tiltak for å «sikre tilstrekkelig akuttberedskap i berørte områder». Da er det ingen tvil om at særstillingen er i Rjukan. Hva er «tilstrekkelig akuttberedskap» i denne sammenheng? Det eneste helseministeren så langt har vist til, er de prehospitale tjenestene. Men det må i dette området fylles med noe. Det er det vi ber om i forslag nr. 12. Det er ikke sånn at alt skal være klappet og klart når statsbudsjettet legges fram, men da burde kanskje helseministeren ha en viss om hva som må være på plass i Rjukan før en kan gå videre med det. En må også kjenne de økonomiske rammene, og samtidig understøtte helsetilbudet i Telemark i en svært krevende tid. Representanten Harald T. Nesvik raljerte over at det var noen som tok opp de små sakene i Stortinget. Da

Dette Stortinget behandler detaljspørsmål og små spørsmål i veldig mange saker. Problemet i helsepolitikken er at Stortinget har frasagt seg makten over mange av de viktigste beslutningene når det gjelder våre sykehus. Det er nettopp den typen beslutninger Stortinget burde ta.

og om at Stortinget skal be regjeringen sørge for at akuttfunksjoner og døgnbehandling inntil videre videreføres på Rjukan og i Kragerø. Det var for å imøtekomme den kritikk som er kommet fra bl.a. Arbeiderpartiet, som ikke har villet stemme for at alt skal utsettes, men har sagt at de er imot nedleggingen på Rjukan og i Kragerø. Jeg har respekt for at partier kan ha ulike syn på systemet. Jeg er veldig forundret over måten Kristelig Folkeparti nå opptrer på, fordi de skal stemme for et forslag som altså velsigner en sykehusplan som vil bli mye mer begrenset enn det som til nå har blitt lovt, og samtidig sier de at det ikke er aktuelt for Kristelig Folkeparti å støtte nedlegging nå, men de velger å ikke bruke den eneste muligheten Stortinget har til å stanse nedlegging. Jeg er også veldig forundret over Arbeiderpartiet. Telemark Arbeiderparti har krystallklare vedtak om å gå mot nedlegging på Rjukan og i Kragerø. Likevel fremmer Arbeiderpartiet i dag forslag som innebærer en de facto godkjenning av den nedleggingen som skjer med henvisning til hvordan omstillingen skal gjennomføres. Det er det som skjer. Derfor kommer ikke SV til å stemme for Arbeiderpartiets forslag. Jeg har full respekt for at man kan ha ulike syn i denne saken, men har liten respekt for ansvarsfraskrivelse. at bare regjeringen sitter med ansvaret for denne beslutningen. De partiene som velger å ikke bruke muligheten til å pålegge helseministeren å tenke seg om på nytt, har selvfølgelig også ansvar. Det betyr at hvis Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti i dag stemmer imot de forslagene som vil pålegge helseministeren å vurdere dette på nytt, må også Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti ta ansvar for at de har bidratt til at

Høyre har gått til valg på at Stortinget skal behandle en nasjonal helse- og sykehusplan – den kommer. Det er bra at man er utålmodig. Men Høyre har ikke gått til valg på å frede alle lokalsykehus. Vår helseminister leverer. Førsteprioriteten for oss var faktisk å løfte feltet psykisk helse og rus. Den behandlingen økes i helseforetakene. Vi har som mål å få helsekøer ned – derfor er det åpnet for å bruke kapasitet til utredning på private sykehus. Og vi har kommet med forslag om fritt behandlingsvalg. Når det gjelder de prehospitale tjenestene i Telemark, har helseministeren bedt om en plan. Den skal utvikles i samarbeid mellom kommunene og foretak. Det vil ta tid, for den planen kan romme mange elementer. Min bekymring framover er behov for spesialisert kompetanse, ikke bare i spesialisthelsetjenesten, men også i kommunehelsetjenesten. Derfor er det viktig for meg at vi får en plan som sikrer god planlegging av framtidig personell og kompetansebehov, og at vi får et sammenhengende system for akutte tjenester i og utenfor sykehus. Det skal gi tilstrekkelig trygghet og kvalitet i hele landet. Jeg er derfor glad for at regjeringen har varslet at utviklingen i akuttilbudet og den akuttmedisinske kjeden vil bli et hovedtema i planen. Vi i Stortinget kan ikke stoppe endringer, slik Senterpartiet foreslår, for å sentralisere alle avgjørelser om omstilling. Vi skal ikke sentralisere all behandling. Det er en misforståelse. De fleste pasienter følges i dag godt opp av sine lokalsykehus og noen lokalmedisinske sentre, enten det gjelder dialyse, lindrende behandling eller medisinsk eller kirurgisk poliklinikk. Det er også viktig. Jeg vil minne om at mesteparten av aktiviteten på sykehus er faktisk poliklinikk. Skal vi sette pasienten i sentrum, kan vi ikke si nei til endring. Det betyr ikke at vi skal endre alt, men ingen kan gripe nye muligheter når man tviholder på gamle løsninger. Jeg vil vise til forslagene fra SV og Senterpartiet, hvor vi blir beskyldt for at vi ikke er med på dem, og at vi burde ta ansvar. Hvis vi ser på forslag nr. 13, ber en om å se på utviklingsplanen for Rjukan og Kragerø på nytt. Det betyr at en også utsetter utbyggingen i Skien og Notodden. Vi kan ikke dele opp en plan hvor et punkt henger sammen med et annet punkt. Når det gjelder forslag nr. 14,

kvalitet på det vi har. Når vi blir beskyldt for ikke å lytte til demokratiet, har jeg lyst til å si at 11 av 18 kommuner har støttet planene. Kristelig Folkeparti har sagt: Det hører vi på! Så hører vi i tillegg på at vi, for å kunne gjøre ting på Rjukan, skal legge ned hvis ministeren kan vise til prehospitale tjenester som faktisk ivaretar innbyggerne som bor der. Det kan bety legevakt, det kan bety ambulanse, det kan bety en ny base for luftambulanse en eller annen plass i Telemark. Det kan dreie seg om hvor vi har øyeblikkelig hjelp-sengene. Det kan bety at vi kan ta opp tjenester som de har gjort i Bjerkreim kommune, hvor de har utdannet sine egne sykepleiere til akuttmedisinsk utdanning, som kan bli en del av ambulansetjenesten. Her kan vi tenke nytt. Så har jeg lyst til å si noe til dem som drar fram Flekkefjord. For Kristelig Folkeparti er det en stor forskjell på sykehuset vi nå snakker om, og Avstanden mellom Stavanger og Kristiansand med E39 tilsier, som jeg sa i mitt første innlegg, at det må være en plass å stabilisere pasienter. Så Kristelig Folkeparti vil stryke ganske mye i forhold til å tenke at det i en sykehusplan ikke skal være en akuttfunksjon mellom Kristiansand og Stavanger, når E39 går der, og det går en togbane der. Det vil

ikke har vært beskrevet og blitt gitt uttrykk for fra denne sal. De signalene det styres etter i dag, er vedtatt i Stortinget. Derfor er det ikke fritt fram, slik enkelte hevder, til å gjøre hva man vil ute i Sykehus-Norge. Arbeiderpartiet har imidlertid vært opptatt av at blir bedre hvis de tas nærmere der folk bor. Derfor har vi vært opptatt av at f.eks. sykehusstyrene i de ulike regionene – også ned på foretaksnivå – i tillegg til fagfolk og eksperter også skal ha med seg politikere og andre med politisk erfaring som kjenner lokalsamfunnet godt. Vi er derfor kritiske til at regjeringen nå har startet arbeidet med å bytte ut en del av disse til fordel for Vi mener at det gir større trygghet for at flere hensyn blir ivaretatt når vi også har med folk som kjenner lokalmiljøet godt. Så er det mange som trekker fram at det har skjedd mange endringer i løpet av de siste årene mange steder i Sykehus-Norge. Det er helt riktig. Det har vært helt nødvendig. Én av grunnene til at vi i dag som nasjon leverer bedre resultater på vegne av pasientene, som er dårlige og trenger hjelp, er at vi har turt å gjøre forskjellige grep. Det har vært vanskelig hver gang, men det har vært nødvendig. Alle disse omstillingene og endringene i sykehustjenestene forutsetter én ting, nemlig at den øverste politisk ansvarlige følger disse prosessene tett, og med den modellen vi har i Norge, er dette regjeringen og helseministeren. Jeg mener at det ikke har skjedd i den aktuelle saken i Telemark. Jeg nevnte flere eksempler på det, og når helseministeren får seg til å si

at de forslagene vi har fremmet, ikke er slik å forstå at alt må være klart i statsbudsjettet. Statsråden må gjerne tolke forslagene dit hen at han da kan komme med en foreløpig statusbeskrivelse. Poenget er at det er helt uaktuelt å støtte forslag om å legge ned noe før det er stilt til utsikt hva som skal komme til erstatning. Det er det vi ber om gjennom plan og penger, spesielt på Rjukan. Gode lokalsykehus er en viktig del av politikken for

Statsråd Høie snakker om de store forventingene til den nasjonale planen som skal komme. Jeg mener Høie selv har skapt disse forventningene, og det er brukt svært store ord om hva denne planen skal være. Ja, det er trukket paralleller til Nasjonal transportplan, men det er jo ikke det vi opplever blir sagt nå. Det var noe en sa før valget. Dette blir som en nasjonal transportplan uten investeringsprogram, og en kan jo tenke seg hvor mye engasjement det ville skapt. Så dette er en stor skuffelse, og en går vekk fra de løftene en hadde. I Flekkefjord er det et stort engasjement for sykehuset. Dette er et viktig tilbud til folk i både Rogaland og Vest-Agder. De som kjemper for et sykehus i Flekkefjord, venter at dettes framtid skal avgjøres i nasjonal helse- og sykehusplan. Det er jo derfor folk har grunn til å føle seg rundlurt av regjeringen og helseministeren når en ser på de vedtakene som ligger i dag. Senterpartiet vil ikke svekke sykehuset i Flekkefjord, og vi vil kjempe sammen mot Høies og regjeringens byråkratistyre for at føde- og akuttfunksjonene skal bestå. Jeg mener det er helt avgjørende for sykehuset i Flekkefjord at helseministeren i dag avklarer hva den saken vi har til behandling i dag, betyr for spørsmålet om føde- og akuttfunksjonen ved sykehuset i Flekkefjord. Skal dette bli en del av den nasjonale helse- og sykehusplanen, eller vil det bli et byråkratisk valg fattet uavhengig av den planen og stikk i strid med de forventningene Høyre skapte i valgkampen? Jeg må starte med Arbeiderpartiet som

og det inngir ikke den nødvendige tilliten til at Venstre vurderer å gå inn på noen av Arbeiderpartiets forslag. Det er vanskelig å se hva som er motivet – hva Arbeiderpartiet ønsker. Ser jeg til min egen region som er Mjøsområdet – jeg er fra Gjøvik – har Arbeiderpartiet vært den største pådriveren overfor Sykehuset Innlandets styre om å legge ned tre veldig store sykehus på Gjøvik, på Lillehammer og i Elverum for å erstatte dem med et nytt, stort sykehus som også ville blitt et av Europas aller største sykehus. Så den gigantomanien vi ser i norsk helsevesen i dag, er i første rekke etablert av Arbeiderpartiet. Jeg har da mer lyst til å prøve å gjøre noe sammen med noen andre, og foreløpig er jeg i hvert fall ikke avskrekket av Bent Høies tillit. Men det som står igjen som litt av spørsmålet etter denne debatten her i dag, er hvorfor vi har denne debatten, når alle sier at vi skal utsette dette omtrent til vi får en nasjonal sykehusplan. Det er den debatten jeg etterlyser og venter på, og da må vi ta oss tida til å ta den grundig. Som jeg sa, er et akuttutvalg i arbeid. Det skal si noe om den framtidige organiseringa av legevakt og øyeblikkelig hjelp. Som statsråden sier, er det usikkert om kvaliteten er god nok også for det som er utenfor sykehusene. Den er vi altså alle usikre på, og Kristelig Folkeparti henviser til den luftambulansen som vi gjerne skulle hatt, både i Telemark og Innlandet. Det er to store, sorte hull, men det tidsspennet vi er i nå, gir en veldig god anledning til å ta alle de store debattene samtidig om hele helsekjeden i Norge, om ansvarsforholdet mellom sykehusene og kommunene samt om hvilket mandat og hvilken myndighet Stortinget skal ha i denne debatten. Jeg vil si jeg er

innspill. Det legges også ut på nettet fortløpende. Det er igangsatt mye arbeid, f.eks. som representanten Kjenseth er inne på, at en skal ha et eget arbeid knyttet til akuttilbudet, for akuttilbud vil være en sentral del av en nasjonal helse- og sykehusplan. Det arbeidet vil fases inn i nasjonal helse- og sykehusplan som Stortinget får til behandling neste år. Faktum er at en nasjonal helse- og sykehusplan som mange partier i Stortinget har ønsket over lang tid, ikke minst i de åtte årene vi har hatt en rød-grønn regjering, nå er under utarbeidelse. Den kommer til Stortinget neste år, den har et innhold i tråd med det som Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet foreslo i forbindelse med statsbudsjettet for 2013. Da fikk vi ikke flertall for det, nå har vi flertall for en sånn plan. Jeg håper Stortinget i dag forsterker det ved å vedta på ny at denne planen skal utarbeides. Så må jeg minne om at tidligere helseminister, Jonas Gahr Støre, sa i den debatten at en sånn plan som vi foreslår, i enda større grad vil bli sykehuspolitikk – både smått og stort skal inn i denne salen, der helseministeren skal drive detaljstyring av smått og stort, og der alle saker vil drive oppover mot departementet i Oslo. Det advarte han mot. Jeg svarte ham og sa nei, det er ikke en sånn plan vi foreslår, det er en plan med de overordnede føringene og de grunnleggende prinsippene. Nå prøver Arbeiderpartiet å skape et inntrykk av at når det gjelder den planen som de advarte mot, men som vi ikke forslo – når vi ikke foreslår en plan i tråd med det som Gahr Støre hadde vært mot – er det vi som springer fra våre løfter. Vi har aldri foreslått en plan som skal inneholde den typen detaljer i Stortinget. Men jeg forstår det nå, for jeg har fått inntrykk av at planen skal inneholde dette, det er nemlig et inntrykk som de har fått fra sine regjeringspartnere i Senterpartiet og SV, som aldri fikk gjennomslag for en sånn plan. Det forstår jeg veldig godt. Den typen plan som Senterpartiet og SV tar til orde for nå, vil undergrave hele styringssystemet og ansvarsdelingen mellom storting og regjering. Jeg synes at bildet om nasjonal transportplan fortsatt er et godt bilde. Jeg har til hensikt å gi Stortinget oversikt over både planprosesser og regionens planlagte investeringer i nasjonal helse- og sykehusplan. Men på samme måte som på samferdselssektoren vil investeringene være avhengig av de årlige budsjettene, og at det etter de ulike prosjektene faktisk kan gjennomføres innenfor de rammene som er. Sånn er det også i samferdselssektoren, og sånn er det også i sykehussektoren.

og se der hva som ble sagt, og hva som står. Dette var nødvendig for å få vedtatt planen. Da, og særlig senere, har vi erfart statens rolle under de nåværende maktforhold. Jeg vil si det på denne måten: Statens rolle under de nåværende maktforhold er å sentralisere. Konsekvensen blir vekk fra likeverdige tilbud på sykehus, akutt- og fødetilbud for folk som bor utenfor de største byene. Derfor er det demonstrasjoner og enormt folkelig engasjement uavhengig av parti. Forslaget fra Senterpartiet og SV – i basis Senterpartiets forslag – i dokumentet var at vesentlige endringer i sykehusstruktur og oppgaver, føde- og akuttilbud, blir avgjort av Stortinget i nasjonal helse- og sykehusplan. Og punkt to: Store investeringer blir avgjort av Stortinget i Når representanten Ørmen Johnsen her sier at Senterpartiet vil detaljstyre tilbudet for sykehusene og setter en stopper for nødvendige investeringer, er ikke det noe annet enn desinformasjon, og det kan bare ha sin årsak i manglende argumenter, for enhver kan lese ordlyden i Senterpartiets forslag. Det sies fra representanten Ørmen Johnsen at føde- og akuttilbud bør nedlegges ved manglende kvalitet. Da kan vi ta eksempelet Rjukan. Det er feil, jeg har besøkt fagfolkene som gjør jobben som skal gjøres der, og det er topp kvalitet. Det gir et utrolig sterkt inntrykk å møte de 103 fagfolkene som er der. Og hvis ikke det skulle være nok, står jeg her med drøftingsprotokoll nr. 3 fra Sykehuset Telemark fra 14. mai 2014, som ikke er offentliggjort. Der står det i første punkt

Stortingets representanter må nå snart forstå at de mange som har vært med i denne prosessen, har gjennomskuet dette for lenge sida. Slutt å bruke uærlige argumenter – si det som det er, sentralisering er formålet med den politikken som bedrives.

Telemark. Med bakgrunn i det vedtok styret 29. januar 2013 å opprette ein prosjektorganisasjon med eit mandat: «Styret har funnet det nødvendig å foreta en gjennomgang av Sykehuset Telemarks spesialisthelsetjenestetilbud og har bedt administrerende direktør lage en utviklingsplan som tilfredsstiller nasjonale og regionale krav, faglige føringer og de presiserte Styret vedtok 17. desember 2013 å sende sluttrapporten for utviklingsplanen 2014–2016 ut på høyring. Det kom mange innspel, og engasjementet har vore stort, og naturleg nok mest frå dei to kommunane Tinn og Kragerø, som råka mest av innstillinga frå prosjektgruppa, i og med at dei medisinske akuttfunksjonane ved deira

akuttfunksjonen. Dette er eit veldig viktig punkt for innbyggjarar som tidlegare har hatt akuttfunksjon knytt til Rjukan sjukehus, dvs. Tokke og Vinje kommune. Telemark består av 18 kommunar, og i høyringsfråsegnene kjem det fram at eit stort fleirtal av kommunane støttar utviklingsplanen. Det same gjer brukarorganisasjonane og eksterne fagmiljø. For meg er det viktig at sjukehuset i Telemark leverer gode helsetenester til alle innbyggjarane i Telemark, og sikrar eit varig, allsidig akuttsjukehustilbod for Telemarks befolkning. Difor var det nødvendig med denne strukturendringa. Det var representanten Lysbakken

i denne sal, om at det ikke kommer noe om lokalsykehus i den nasjonale helse- og sykehusplanen. Hvis Stortinget er opptatt av å få avklart hva regjeringen selv mener i sin egen regjeringserklæring, burde de stemme for forslag nr. 11 fra Arbeiderpartiet, for det er den eneste måten å gå til roten, kjernen av dette spørsmålet, som er helt sentralt i den debatten vi nå har i salen, 12, synes jeg Per Olaf Lundteigen holdt et godt innlegg for å underbygge nettopp betydningen av å få vedtatt forslag nr. 12 i dag. Representanten Lundteigen henviste til en drøftingsprotokoll, hvor det åpenbart er frustrasjon på grunn av den økonomiske situasjonen. Ja, hvilket forslag i denne sak er det som underbygger det alvorlige i det forholdet knyttet til Sykehuset Telemark, utenom Arbeiderpartiets forslag nr. 12? Det er den eneste realistiske tilnærmingen til det å ta det på alvor. Det samme gjelder det å kreve av helseministeren at han ikke skyver ansvaret over på Sykehuset Telemark, som har dårlig økonomi – men at denne sal tar et ansvar for at en har tilstrekkelig akuttberedskap i det berørte området, må vel være å pålegge helseministeren noe nytt. Jeg synes – siden jeg kommer fra det fylket – at denne saken fortjener den oppmerksomheten som ligger i vårt forslag nr. 11 og i vårt forslag nr. 12. Det er det eneste som avhjelper situasjonen i Telemark. Det er

det. Jeg har også stusset når jeg har sett Kristelig Folkepartis uttalelser om sykehuset i Flekkefjord. Det forslaget som nå fremmes av Høyre og Fremskrittspartiet, og som Kristelig Folkeparti vil danne flertall for, vil nettopp si at regjeringen ikke pålegges å si noe om lokalsykehusene i en nasjonal helse- og sykehusplan, men bare gi en overordnet plan, der vi ikke nødvendigvis kan forvente at forvente at det skal stå noe om hvilke funksjoner Flekkefjord skal ha i framtiden. Det er jo vi andre som har det synet, at en nasjonal helse- og sykehusplan skal være såpass detaljert. Med tanke på Arbeiderpartiets forslag nr. 12 – det har kommet ulike forklaringer på hvorfor man ikke kan stemme for våre utsettelsesforslag. Jeg har bare lyst til å si – så det er sagt fra talerstolen – at alle partier i opposisjonen har alle partier i opposisjonen har vært invitert til møter for å diskutere formuleringer man kunne bli enig om. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har valgt ikke å være med på dem. Det må bety at ingen varianter – og det har jeg også respekt for – av forslag som stanser nedleggingen, var aktuelle. Det skjønner jeg følger av et syn som handler om at man ikke kan stemme for forslag som går inn i enkeltavgjørelser. Men da stusser jeg veldig over forslag nr. 12, for det går jo inn i en enkeltavgjørelse, og man ber om at vi skal stemme for tiltak for å gjennomføre omstillingen på en best mulig måte. I mine øyne er det å si ja til omstillingen. Vi er mot den delen av omstillingen som handler om Rjukan og Kragerø, og da kan vi selvfølgelig ikke stemme Avslutningsvis, til helseministeren: Det er mulig at Høyre aldri har vært for en sykehusplan, slik som den har vært beskrevet i offentligheten. Men Høyre må likevel ta ansvar for de uttalelsene man kom med i valgkampen. Da må vi forstå det slik at Bent Høie har falt for fristelsen til å si ting som Høyre ikke mente, men som de visste at mange mennesker i Norge mener. mener. Det man nå beskriver, når man prøver å godtgjøre den sammenligningen med Nasjonal transportplan, er som å legge fram en nasjonal transportplan som sier at det skal være vei, motorvei og jernbane rundt om i landet, men som ikke sier noe om hvor de veiene og jernbanene skal ligge. Det hadde selvfølgelig vært et totalt meningsløst dokument. Det som er

Han legg skylda på Senterpartiet – at vi har villeidd Arbeidarpartiet. Men eg trur ærleg talt helseministeren må ta seg ein runde med alle mediehusa i Noreg, som har klart å vri alle utsegnene hans på ein slik måte, og slik lurt alle veljarane hans. Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti seier munnleg at det er uaktuelt å godkjenna nedbygging av lokalsjukehus utan at dei er sikre på at beredskapen er varetatt – men det er jo akkurat det dei stemmer for i dag. ei ærleg sak å vilja leggja ned eit lokalsjukehus, men eg synest at då må vi kunna seia det høgt. Vårt forslag hindrar ikkje utvikling i Telemark. Vi tar ut dei to sjukehusa, så poenget med at vi vil hindra utvikling i Skien, held ikkje mål. Mange snakkar om prehospitale tenester, men dette vil aldri vera ei erstatning for eit fullverdig akuttmottak. Eg håpar ingen har tenkt tanken på å veksla inn to akuttmottak mot ein ny luftambulansestasjon i Telemark. Her må vi høyra på Mads Gilbert. Når det gjeld Arbeidarpartiet, som ikkje vil at Stortinget skal behandla slike ting som sjukehusnedleggingar, er dei seinare i dag med på eit forslag om å opna ein togstasjon i Buskerud igjen. Togstasjonar skal til Stortinget, men ikkje lokalsjukehus. Før i sesjonen har dei òg fremja eit forslag om at Stortinget skulle endra flagglova, slik at Drammen kommune kunne flagga med vimplar i flaggstengene sine. Flaggstenger skal til Stortinget, men altså ikkje nedlegging av lokalsjukehus. Når det gjeld forslaga, kjem Senterpartiet ikkje til å stemma for Arbeidarpartiets forslag, som vi ser på ordlyden at er ei godkjenning av nedlegging av akuttmottaka på Rjukan og i Kragerø. Difor kan vi ikkje stemma for det. Når det gjeld forslaget frå Framstegspartiet og Høgre, er det utan betyding. Viss ein ser på regjeringsplattforma, er ho meir detaljert. Eg stemmer heller for regjeringsplattforma – den er mykje betre. Argumentet til regjeringa for å nedlegge sjukehusene er

hva som rørte seg på sjukehuset. Ja, det er den – på den måten at den økonomiske situasjonen som Sykehuset Telemark er i, er meget krevende, på samme måte som den også er i andre omkringliggende foretak fordi overskridelsene ved Oslo universitetssykehus har vært så store og det politiske presset så stort at Helse Sør-Øst må samle penger inn dit. Det har gått ut over bl.a. Sykehuset Telemark. Da er vi nettopp ved det som er saken – det er økonomi. Så sa representanten Sundbø Abrahamsen at det hadde vært en åpen prosess. Den siste stedlige ledelsen ved Rjukan sykehus erfarte tidlig at det ikke var noen utviklingsplan, men det var en avviklingsplan. Hennes opptreden førte til at det ble en personalsak, og hun ga ut en bok – det er meget sterkt å lese. Så tok en sjølsagt vekk den stedlige ledelsen, og i sjukehus er det å ta vekk stedlig ledelse et av de viktigste grepene, for dermed tar en vekk lederen for det teamet som skal sikre utvikling på det sjukehuset, og erstatter det med en klinikkledelse. I Buskerud har vi et sjukehus som heter Ringerike sykehus, med en leder som er av de ypperste i Norge. En kan spørre vedkommende om han er for stedlig ledelse eller klinikkstrukturledelse.

Sentraliseringspartiene er nervøse for folkevilja og det folkelige engasjementet. Debatten kommer til å fortsette – debatten må gå og temperaturen må bli enda høyere på enda flere steder for å sikre mer likeverdige akutt- og fødetilbud over det ganske land. For dette gjelder trygghet, og det er derfor folk reagerer. Og det er sterkt å oppleve at i den planen som gjelder for Telemark, er alle prosesser fulgt, men folk erfarer at de ikke blir hørt. Det er grunnleggende problematisk for hele ledelsen av det norske sjukehusvesen. Det var en uttalelse fra representanten Aasland som fikk meg til å ta ordet, for selv om han sa det veldig høyt, er det ikke korrekt, det han sa, nemlig at jeg jeg har sagt at nasjonal helse- og sykehusplan ikke skal inneholde noen ting om lokalsykehus. Det er helt feil. Nasjonal helse- og sykehusplan skal ikke minst ha en vesentlig del som omhandler hva som skal være lokalsykehusenes funksjon videre, og hvilken betydning de har også for akutt- og beredskapsspørsmål i sine lokalsamfunn. Så nasjonal helse- og sykehusplan skal ikke minst omhandle omhandle nivået i sykehusene våre og deres utvikling videre. Jeg tror at det er store muligheter i en situasjon, som flere har vært inne på, der en ser en sentralisering av det spesielle – noe av det som er mest dramatisk og sjeldent – men samtidig ser en betydelig desentralisering av det som de fleste av oss oftest har behov for i helsetjenesten. I en slik utvikling har lokalsykehusene en har lokalsykehusene en god framtid, hvis vi klarer å trekke opp gode linjer for dette fra Stortingets side. Det er det vi kommer til å invitere til i nasjonal helse- og sykehusplan, som legges fram neste år. Så det må ikke stå igjen et inntrykk av at lokalsykehusene ikke skal ha en sentral plass i nasjonal helse- og sykehusplan. Flere har også vært inne på situasjonen

i tilbudet lokalt. Men da vet en at det er en endring som også er ønsket av Stortinget, ved at Stortinget har trukket opp linjene. Nettopp slik må en også tenke rundt nasjonal helse- og sykehusplan. Jeg er veldig glad for at det er et så stort engasjement i Stortinget for å få en slik plan, men det vil ikke være klokt, som Arbeiderpartiets forslag nr. 11 innebærer, at en skal delrapportere på den planen i statsbudsjettet allerede til høsten. Det er en plan som bør forankres gjennom gode prosesser, og da er tidspunktet å behandle det spørsmålet når planen legges fram for Stortinget til neste år, og ikke ta en bitte liten del og la den bli en del av statsbudsjettet. Representanten Kristin Ørmen Johnsen har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort

Det er balansegangen med å styre for å sikre kvalitet med stram økonomi som har vært og er utfordringen. Jeg lurer på om Senterpartiet har glemt hva de har vært med på de siste åtte årene. Det har faktisk vært 13 endringer i føde- og akuttilbud i Helse-Norge. Det er også omstilling. er også omstilling. Representanten Olaug V. Bollestad har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Når Kristelig Folkeparti ikke støtter Arbeiderpartiets forslag nr. 11, er det fordi vi stoler på at lokalsykehusene kommer som en del av den nasjonale helse- og sykehusplanen – og det skulle bare mangle, for de er noe av det viktigste vi har der ute, og som skal være en del av hele den helsekjeden som landet vårt skal bygge på. Når vi støtter forslag nr. 12, er det fordi vi ikke en gang til vil ha Oslo-prosessen, hvor det ikke var midler til en omstilling. Derfor har vi valgt å si at vi vil være med og stemme for forslag nr. 12. Vi vil også stemme for forslag nr. 10, fra Høyre og Fremskrittspartiet, for det er viktig å få på plass en helse- og sykehusplan. Som tidligere leder for et stort akuttmottak

Jo, eg er veldig bekymra for det. Det som skjer i dag, er at vi aksepterer ei nedlegging av sjukehus ut frå nokre kvalitetskrav, som eg sa i mitt hovudinnlegg, som er så enormt høge og spesielle at få sjukehus i Noreg eigentleg vil klara å oppfylla dei. Det er ein genial måte å leggja ned sjukehus på. Ein kan anten leggja dei ned, eller ein kan laga nokre kvalitetskrav til korleis skal skje, som ingen vil klara å oppfylla. Så er det òg eit klart signal ut til alle andre regionale helseføretak og føretak i Noreg at Stortinget i dag har vist for all verda at det ikkje grip inn, sjølv når det er snakk om nedlegging av sjukehus og sentralisering av beredskap – eit område som er geografisk krevjande. Representanten Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Politikere er veldig flinke til å snakke om prosesser, de er veldig flinke til å lage utrolig omfattende prosesser, men det er veldig mange praktikere som raskt gjennomskuer om det er en reell prosess, eller om det er en skinnprosess. skinnprosess. Når statsråden snakker om at planen skal forankres i gode prosesser, vil jeg i hvert fall gi det råd at da må en lære av de skinnprosessene som er gjennomført. Og hvis det skal gjennomføres skinnprosesser der en stiller faglige krav som ikke er forankret i politiske vedtak, medvirker en til å ta vekk denne tilliten. Til Ørmen Johnsen: Ja, det er riktig at det ble nedlagt mange føde- og akuttilbud under den rød-grønne regjeringa, og det er ikke ukjent at Senterpartiet kjempet mot flere av de nedleggelsene, bl.a. Nordfjordeid. Det som nå skjer, er at det ikke er på små steder lenger. Nå er det stadig større steder – Kongsberg er et av dem. Representanten Ørmen Johnsen har gått inn for å nedlegge det også. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

stilte seg i front i hele Norge mot et forslag de oppfattet som umoderne, og som ikke tilhørte framtiden. Jeg skal ikke bruke mer tid på det. Denne saken handler om at det gjennom denne prosessen har blitt avdekket at det er enkelte leger som har drevet med det jeg kaller ulovlig reservasjon, og som tilsynelatende fortsatt driver med det. Derfor mener jeg at saken ikke er avsluttet helt, og derfor er dette forslaget som vi diskuterer, viktig. Gjennom mediene har vi sett mange fastleger som reserverer seg i strid med gjeldende regelverk. Det framstår for meg svært uklart hvordan helse- og omsorgsministeren og tilsynsmyndighetene forholder seg til disse lovbruddene. VG omtalte f.eks. 3. april i år en sak hvor en fastlege nekter å sette inn spiral, og avisen hevder at «Høie har ingen planer om å gjøre noe med denne eller andre saker». Vi opplever dette som for passivt og er bekymret for at helse- og omsorgsministeren tilsynelatende ikke har gjort noe for å korrigere manglende oppfølging fra tilsynsmyndighetene i saker hvor fastleger urettmessig nekter f.eks. å forskrive prevensjon eller gi bistand ved svangerskapsavbrudd. Vi mener det også er uforståelig at helse- og omsorgsministeren i mediene skaper en usikkerhet om fastleger med såkalt fellesliste lovlig kan nekte enkelte ting. Jeg kjenner ikke til at det i noen lov eller forskrift er dekning for en slik tolkning av regelverket som ministeren antyder. Tvert imot er rundskriv I-4/2011 helt tydelig på at reglene gjelder alle fastleger uten unntak. Derfor mener jeg at om helse- og omsorgsministeren er uenig i det rundskrivet, en lov eller en forskrift, må han få utarbeidet et nytt rundskriv, en ny lov eller en ny forskrift. Vi kan ikke ha en regjering som spekulerer i at fastleger med fellesliste kan nekte tjenester til innbyggerne uten å vise til rettskilder som gir belegg for dette. Jeg mener at helse- og omsorgsministeren som øverste ansvarlig for Statens helsetilsyn må sørge for at det driver tilsyn på en god måte og har nok ressurser til å utføre sitt oppdrag. Selv om enkeltsaker avgjøres uavhengig av helse- og omsorgsministeren, har statsråden det øverste politiske ansvaret. Derfor viser jeg også til at daværende helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen fikk støtte fra daværende komitéleder Høie da hun den gang instruerte Helsetilsynet i tolkningen av regelverket knyttet til fastlegers reservasjon gjennom det aktuelle rundskrivet. I februar behandlet vi i denne sal saken om reservasjonsrett for fastleger, Dokument 8:2 S Da uttalte helse- og omsorgsministeren om nettopp reservasjonsretten: «Den handlet om en egendefinert reservasjonsrett, der den enkelte lege, uten noen som helst reguleringer, kunne reservere seg mot hva som helst – alt fra spiral og utskriving av p-piller til henvisning til abort og assistert befruktning, der en også kunne diskriminere mellom lesbiske par og heterofile par. Det er det denne regjeringen rydder opp i.» Dette er veldig bra og veldig tydelig i Stortinget. Men jeg er bekymret når det gis inntrykk av noe annet i mediene. Derfor er jeg opptatt av at det blir sørget for tilstrekkelig tilsyn og reaksjoner på ulovlige reservasjoner i kommunehelsetjenesten, derfor er vi opptatt av at Helsetilsynet gjennomfører et landsomfattende tilsyn der legers reservasjon både mot befatning med abort og andre temaer kartlegges, og derfor er vi opptatt av at regjeringen fremmer forslag til eventuelle lovendringer regjeringen finner nødvendig for at regelverket som forbyr nettopp den type praksis, skal kunne håndheves på en effektiv måte. Det er alvorlig når fastleger vilkårlig velger hvilke tjenester vedkommende tilbyr til sine pasienter, slik det kan virke som i noen tilfeller. Selv om slik praksis ikke har vært tillatt, har det dessverre dukket opp flere eksempler, slik jeg nevnte tidligere. Selv om innstramminger har vært gjennomført, bl.a. gjennom presiseringer fra forrige regjering i rundskriv om nettopp dette temaet, har det ikke hatt den ønskede effekten. Derfor er det behov for å ta nye grep. Derfor er jeg glad for at SV la fram dette Dokument 8-forslaget, og vi står sammen med SV om flere forslag, som jeg herved tar opp. Så tror jeg det er best at regjeringspartiene redegjør for hva som er deres syn i saken.

Det er ingen tvil om at høringsinnspill og diskusjon knyttet til regjeringens forslag om reservasjonsmulighet viste oss tydelig at dagens praksis ikke har fungert. Derfor var ikke forslaget umoderne, slik Torgeir Micaelsen sier. Det var behov for en opprydning, og det har regjeringen vært veldig tydelig på. Kanskje er dette også bakgrunnen for at SV nå ønsker det de kaller effektiv håndhevelse av forbudet mot reservasjon. Det kunne være fristende å spørre hvorfor SV ikke selv gjorde noen flere aktive og effektive grep for å sørge for nettopp dette da de satt i regjering. Kanskje var det slik at uten den publisiteten som er skapt rundt saken det siste halve året, ville problemet fortsatt passert under radaren, både for SV og andre. Det er i så fall trist for de jenter og kvinner som har opplevd vanskelige møter opp gjennom årene, men det er godt at vi nå kan få ryddet skikkelig opp. Etter stor debatt knyttet til reservasjonsmulighet er vi glade for at regjeringen har lyttet til høringsinnspillene, og at regjeringens nye forslag sendes på høring før sommeren med sikte på iverksettelse 1. januar 2015. Jeg vil knytte noen få kommentarer til dette forslaget, fordi det er svært relevant for saken vi behandler i dag. Regjeringens forslag går ut på å fjerne ordningen med at legen skriver under på skjemaet for begjæring om abort og henviser kvinnen til sykehus. Dette er en løsning som både ivaretar abortsøkende kvinners rettigheter og leger som av samvittighetsgrunner finner det vanskelig å henvise til abort. Det er selve henvisningen til abort som flere fastleger har hatt alvorlige samvittighetskvaler ved, og ønsket å reservere seg mot. Når denne fjernes, forsvinner også disse legenes ønske om og behov for å reservere seg. Det vil hindre at kvinner uforvarende møter leger som vil reservere seg, og bortfallet av henvisning hindrer at det vil praktiseres reservasjoner i strid med regelverket. I dette forslaget har regjeringen også varslet en tydeliggjøring av kommunenes ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med regelverket, videre at kommunenes mulighet for å si opp fastlegeavtaler hvis de blir kjent med at leger ikke følger reglene, skal tydeliggjøres. Etter vår oppfatning ivaretar dette SVs ønske om en tydelig presisering av sanksjonering av regelbrudd. Mange mener samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti var krevende på punktet om reservasjonsmulighet for fastleger. Forrige gang vi debatterte temaet, var det også vanskelig å få gehør for behovet for å rydde opp i den uholdbare praksisen med reservasjon uten åpenhet som hadde eksistert i mange år. SVs forslag og mediesakene de siste månedene har vist at det var behov for dette. SV fremmer med støtte fra Arbeiderpartiet nå forslag om økte ressurser både til Helsetilsynet og til fylkesmennene for å sikre at regelverket etterleves. Men regjeringen har allerede varslet at den vil følge dette nøye opp, ved å anmode Statens helsetilsyn om å gjennomføre en egnet tilsynsmessig

at vi mener regjeringen nå rydder opp i dette.

Arbeiderpartiet og SV viser i sine merknader bl.a. til et oppslag i VG den 3. april, og de ser med bekymring på at helseministeren tilsynelatende ikke har gjort noe for å korrigere manglende oppfølging fra tilsynsmyndighetene. Går man imidlertid inn i denne artikkelen, kan vi lese at helseministeren tvert imot svarer at dagens regelverk ikke åpner for å reservere seg mot å sette inn spiral av samvittighetsgrunner. Videre sier han at når to fylkesleger som har ansvaret for å håndheve og kontrollere dagens regler, behandler slike saker ulikt, viser det at dagens regelverk ikke fungerer i praksis. Så da er vi egentlig enige, da. Alle synes nå å mene at dagens praksis ikke er god nok, og derfor har det vært både riktig og viktig å finne gode løsninger. Dette har helseministeren vært derfor har det vært sendt ut forslag til løsninger på høring, og høringsinstansene har blitt hørt – en demokratisk og god prosess, som Arbeiderpartiet og SV finner krevende å forstå, skal vi lese deres merknader. Det sendes i disse dager ut på høring et forslag om å fjerne ordningen med at leger skriver under på skjemaet for begjæring om abort. Mange kvinner tar allerede i dag direkte kontakt med sykehuset, slik vi er kjent med at dette skjemaet i prinsippet er unødvendig. Når vi fjerner henvisningsskjemaet, fjerner vi også samvittighetslegenes grunnlag for å ønske en reservasjon. Videre vil forslaget som nå er sendt på høring, tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med regelverket, og kommunenes mulighet for å si opp fastlegeavtalen tydeliggjøres. Jeg mener derfor at forslagsstillernes ønske om en tydelig presisering av sanksjonering med dette er ivaretatt. I tillegg viser helseministeren i sitt brev av 23. mai til at Helse- og omsorgsdepartementet har anmodet Statens helsetilsyn om å gjennomføre en egnet tilsynsmessig oppfølging høsten 2016 av kommunenes og fastlegenes tilbud til kvinner og eventuelle lovstridige reservasjoner av samvittighetsgrunner. Høringsfristen er satt til 15. september, og jeg imøteser de innspill som der vil komme.

si opp leger som reserverer seg eller som ikke utfører innleggelse av spiral. Helsetilsynet skriver i brev til Helse- og omsorgsdepartementet 2. mai 2014 at de ser det som svært problematisk å tvinge kommuner til å gå til oppsigelse av leger når disse legene har sørget for at kvinnene har andre alternativer. Direktøren i Helsetilsynet sier:

Men hvis jeg sier til pasienten at jeg har dessverre ikke samvittighet til å legge inn en spiral, det er mot min overbevisning, men jeg sender deg til min kollega, er det ikke akseptabelt. Og begge ting går ut over kvinner. For Kristelig Folkeparti er spørsmålet da å sikre at det er en som gjør oppgaven, som har vært viktig for oss, samtidig som vi ivaretar legens samvittighet.

men som samtidig som de er uenige med legen sin i synet på spiral, for all del ikke ønsker å miste fastlegen. De synes det er helt greit å måtte gå til andre leger eller til en gynekolog for å få spiral, men de vil for all del ikke miste fastlegen. Det vil bli en problematisk situasjon for dem, fordi fastlegen betyr så mye for uavhengig av dette synet. Derfor sier Kristelig Folkeparti at vi skulle ønske vi kunne debattert noen av disse problemstillingene også når vi får en diskusjon omkring samvittighetens plass i norsk arbeidsliv. Derfor støtter ikke Kristelig Folkeparti noen av forslagene som foreligger fra Arbeiderpartiet og SV. Vi ønsker å la det stå sånn Og så ønsker vi samtidig å kunne ta sånne vanskelige debatter om samvittighet. Da må det også være rom for diskusjon om ting som gjelder norsk helsevesen, i de debattene.

behovet for praktisk oppfølging og eventuelle behov for nye sanksjonsmoglegheiter. I merknadene støttar vi Høgre, Framstegspartiet og Venstre i at i staden for eit landsomfattande tilsyn, som forslagsstillarane krev, skal Statens helsetilsyn gjennomføra hausten 2016 ei eigna tilsynsmessig oppfølging av kommunanes og fastleganes tilbod til kvinner som vurderer eller ønskjer svangerskapsavbrot, og lovstridig reservasjon av samvitsgrunnar. Utover dette kjem Senterpartiet ikkje til å stemma for forslaga frå Arbeidarpartiet og SV i denne

Det var en stor seier ikke først og fremst for opposisjonen, men for den store folkelige mobiliseringen som var ute i samfunnet. Det viste også at regjeringen og regjeringspartiene grovt feilvurderte stemningen ute blant folk og engasjementet blant Men selv om regjeringspartiene gjorde en sånn feilvurdering, skal de også ha honnør for at de hadde mot til å snu. Det krever litt å innrømme at man har tatt feil i politikken. Det er likevel viktig å understreke at debatten ikke er over med dette. Vi imøteser det Vi imøteser det nye forslaget som nå kommer fra regjeringen, og vil ta endelig stilling til det når det foreligger i en endelig utgave etter høringsrunden. Det er også viktig å understreke at det er problemstillinger knyttet til dette med reservasjon som vi ikke må slippe tak i selv om debatten nå har roet seg betraktelig. Det gjelder ikke bare den reservasjonen som praktiseres mot

å avdekke ulovlig reservasjon, vi er opptatt av å skjerpe inn overfor kommunene det ansvaret de har for å håndtere dette, og vi er opptatt av at ulovlig reservasjon faktisk skal sanksjoneres. Alt dette går fram av de tre felles forslagene fra Arbeiderpartiet og SV. Jeg har samtidig lyst til å si at jeg er glad for at regjeringen har sagt, og helseministeren har sagt, at det vil bli gjennomført nasjonalt tilsyn. Det synes jeg er bra. Vi imøteser med forventning når det skal skje, og på hva slags måte. Men veldig langt på vei har jo regjeringen kommet dette forslaget i møte allerede. merket jeg i et par av innleggene her et slags forsøk på å ta opp igjen debatten om hvorfor diskusjonen om reservasjon kom opp i vinter. Det var ikke fordi SV og Arbeiderpartiet plutselig kom på denne problemstillingen da regjeringen kom med et dårlig forslag. Den som løftet dette på dagsordenen, var tidligere helseminister Vi har ingen problemer med å erkjenne at det hun satte i gang, ikke var nok til å stoppe ulovlig reservasjon, men det var hun, og det daværende flertallet, som tok tak i dette, og som påla kommunene å rydde opp, og når det viste seg at det ikke virket, gikk vi videre til det som vi behandler i dag, og som regjeringspartiene nå er i ferd med å slutte seg til, nemlig at staten må ta ansvar, bl.a. gjennom Statens helsetilsyn.

presisert. Videre vil høringsnotatet tydeliggjøre kommunens ansvar for å påse at fastleger ikke reserverer seg i strid med regelverket. Tilsynets adgang til å håndheve regelverket, og at felleslister heller ikke åpner for reservasjon, vil bli klargjort. Departementet har i tillegg anmodet Statens helsetilsyn om å gjennomføre en egnet tilsynsmessig oppfølging høsten 2016. Dette skal omfatte kommunenes og fastlegenes tilbud til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd, og eventuelt lovstridig reservasjon av samvittighetsgrunner. Jeg mener at det er tilsynsmyndighetene som har best kompetanse til å planlegge og vurdere hva som er en egnet tilsynsmessig oppfølging i 2016. Et slikt planlagt tilsyn skal selvsagt komme i tillegg til tilsynsmyndighetenes ordinære tilsyn og behandling av tilsynssaker som gjelder ulovlig Regjeringen vil også foreslå at det blir opprettet en tjeneste med grønt telefonnummer for kvinner som ønsker råd og veiledning om abort. Tjenesten skal kunne sette kvinnene over til aktuelle sykehus eller rådgivningstjeneste dersom hun ønsker det. Regjeringen vil også, etter avtale med Kristelig Folkeparti, nedsette et offentlig utvalg som skal utrede de etiske og praktiske under utøvelse av arbeidsoppgaver i arbeidslivet generelt. Dette er tiltak som rydder opp i en praksis som i mange år ikke har fungert tilfredsstillende, og som vil sikre kvinnene rask og tilgjengelig helsehjelp på viktige områder. Etter min mening ivaretar dette også forslagsstillernes ønske om en tydeligere presisering av at loven må håndheves. Det eller Stortinget hadde kommet opp med økte ressurser til Helsetilsynet, ville tilsynet kunne starte tidligere enn planlagt, etter statsrådens syn? Det er veldig viktig at vi ikke går for langt i å og måten tilsynet jobber på. Det har med viktigheten av tilsynets selvstendighet og tilsynets tillit i samfunnet å gjøre. Det kommer også fram i det brevet som tilsynet sendte til departementet, for det er viktig å avstemme disse forholdene. Så er det også min oppfatning at det å ha et tilsyn høsten 2016 er et godt tidspunkt fordi da har det nye regelverket fått virke, det har fått satt seg, kommunene har blitt klar over fastlegene har blitt klar over det. Det vil være et egnet og godt tidspunkt for et sånt tilsyn. Men forstår jeg da statsråden rett i at det ikke er mangel på ressurser som gjør at man må gjøre dette først i 2016? Og jeg gjentar spørsmålet: Er det slik at dersom ikke Stortinget overprøver eller instruerer, men skaffer mer ressurser, kunne dette tilsynet vært gjennomført allerede fra høsten eller starten av

ganske viktig når det gjelder gjennomføringen av et sånt tilsyn. Så det er relevant å spørre helseministeren om han ikke synes 2016 er lenge til når det faktisk gjelder å få ryddet opp i den siden av dette, som jeg vet at helseministeren også har et engasjement for å få slutt på. Det er ikke korrekt at endringene ikke vil omtale disse forholdene. Som jeg også sa i mitt innlegg, vil regelverket bli presisert når det gjelder muligheten til å reservere seg, også på disse områdene. Det vil også bli tydeligere hva som er kommunens ansvar i den sammenhengen. Tilsynet har ikke bare ansvar overfor den enkelte lege, de har også et tilsynsansvar for hvordan kommunene utøver sin rolle. Det vil også bli presiseringer knyttet til dette som har vært et sentralt tema, nemlig leger som har felleslister. Disse endringene, som nå sendes ut på høring, og som forhåpentligvis vil bli gjennomført neste år, vil også Disse endringene, som nå sendes ut på høring, og som forhåpentligvis vil bli gjennomført neste år, vil også omfatte de forholdene som representanten tok opp i replikken.

har tenkt å gjennomføre det, og at det derfor er utilstrekkelig? Nå skal jeg være forsiktig med å uttale meg på vegne av regjeringspartienes medlemmer i komiteen, men jeg vil bare si at tradisjonelt sett har regjeringspartiene selvfølgelig tillit til at regjeringen følger opp det som regjeringen har sagt at den skal følge opp. Det er også helt klart og tydelig at hvilken form for reaksjoner som skal gjøres ved regelbrudd, vil være en del av den diskusjonen som er i høringen. Så det som skal gjøres ved regelbrudd, vil være en del av den diskusjonen som er i høringen. Så det vil jeg tro er regjeringspartienes grunnlag for at de ikke stemmer for et forslag som de mener går på forhold som vil bli godt ivaretatt av regjeringen. Replikkordskiftet er avsluttet. Under valgkampen i 2013 sa nåværende statsminister Erna Solberg til Verdens Gang at folk ikke har peiling. Saken gjaldt om

Vi hadde rekordoppmøte på kvinnedagen, der man demonstrerte for kvinners rettigheter til selv å velge og styre over egen kropp. Da svarte nåværende statsminister Solberg at folk ikke har forstått. La meg få lov til å starte med å si at jeg er glad for at helseministeren har forstått. Jeg er glad for at helseministeren har snudd i saken, at han også mener at kvinners rettigheter til å bestemme over egen kropp, er viktigst. Det er det dette handler om. Det handler om utsatte unge kvinners trygghet, det handler om forutsigbarhet. La meg få lov å rose representanten Bollestad. Jeg aksepterer at vi har en prinsipiell uenighet knyttet til samvittighetsfrihet for leger, men i den anledning fremmer representanten Bollestad et meget godt forslag for å gripe fatt i noe av kjernen i problemet: høye aborttall. Det mener jeg er en form for politisk utøvelse det står respekt av – at man er konstruktiv, at man griper fatt i kjernen av problemet, og ikke tar opp hva som skjedde i 2011, eller innskjerpelse av regler, eller hvem som har den slags skyld, hvem som har satt fokus på det, og om det er SVs forslag eller ikke, men at man setter seg ned og utøver praktisk politikk for å sikre tryggheten for jenter. Det mener jeg er et eksempel til etterfølgelse.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

Jeg vil få sitere Anders Skuterud, som er fagsjef i Norsk psykologforening. Han sier: «Det er fortsatt dype hull i kunnskapen om hva slags tilbud som gis for å hjelpe personer med psykiske lidelser». Samtidig sender han en utfordring til sine egne medlemmer om å bidra til å tette hullene. Særlig gjelder det tilbudet til dem med lette psykiske lidelser, og hvor mye av innsatsen kan gjøres lokalt og nær den enkelte. Det er bra at stadig flere aktører er opptatt av å få fram mer kunnskap om psykiske lidelser, og særlig om tilbudet lokalt, for det er svært varierende. Jeg er glad for at komiteen har hatt to forslag nokså parallelt om psykisk helse. Det er bred enighet i komiteen om behovet for å styrke særlig den kommunale førstelinjetjenesten innenfor psykisk helse, og at dette må skje gjennom varige og langsiktige tiltak. Komiteen framhever at det er særlig viktig med tiltak rettet mot barn og unge og helsearbeid i skolen. I tillegg er det viktig å styrke tilbud i kommunene med lav eller ingen terskel. Formålet med lavterskeltilbud er at alle kommunens innbyggere lett og raskt kan komme i kontakt med helsepersonell som har kompetanse på forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser. En styrking av lavterskeltilbudet vil også avlaste En samlet komité har videre klare forventninger til stortingsmeldingene om primærhelsetjeneste og folkehelse samt nasjonal helse- og sykehusplan, som skal legges fram i Stortinget i 2015, og er tydelig på at psykisk helsearbeid og psykisk helsevern må få sin rimelige plass i disse planene, både i form av å omtale kapasitet, struktur og organisering. Når det gjelder hvordan man skal bygge opp kapasiteten i førstelinjetjenesten, er det noe uenighet i komiteen. Flertallet viser til at det er ulike utfordringer i kommunene, og at det derfor er viktig med en differensiert tilnærming. Noen kommuner har allerede bygd ut et godt førstelinjetilbud på området, mens andre knapt har kommet i gang. Min egen kommune, Gjøvik kommune, med 30 000 innbyggere og nesten 4 000 studenter, har først nå i 2014 søkt om statlig tilskudd til å ansette sin første kommunale psykolog, mens Fjell kommune utenfor Bergen, med 23 000 innbyggere, har jobbet målrettet siden 2006, og har i dag fem ansatte psykologer og et bredt og helhetlig tilbud som er særlig rettet mot barn, unge og familier. Flertallet viser til at det i praksis skjer en opptrapping i det psykiske helsearbeidet nå, og at det i påvente av de kommende planene på området ikke er riktig tidspunkt for å vedta en opptrappingsplan nå. Det er enighet om behovet for en langsiktig og varig satsing. Flertallet mener da at en prosjektbasert opptrapping på fem år ikke er den beste løsningen nå, når vi står midt oppe i viktige planprosesser. Komiteen er samstemt i behovet for styrking av tilbudet for barn og unge – og da særlig økte ressurser til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Det er imidlertid også viktig å trekke fram den pedagogisk-psykologiske tjenesten i kommunene som en særlig viktig aktør som har en annen mulighet enn førskolelærere og lærere til å følge opp og lede det helhetlige oppfølgingsarbeidet rundt elever som trenger forsterket innsats tidlig. Mange aktører sitter på virkemidler og bidrar til tiltak, men ofte blir det lange ventetider på både utredning og tiltak i påvente av koordinering mellom aktørene. Her trengs det mer forskning og kunnskap rundt hvordan vi bedre kan organisere innsatsen så tidlig som mulig, og best mulig rundt den enkelte. er det også viktig å peke på den sosialfaglige kompetansen som sosionomer og barnevernspedagoger har. Ettersom psykiske lidelser er blant folkesykdommene, er det også naturlig at dette i større grad reflekteres i folkehelsearbeidet. Jeg er derfor glad for at regjeringa nå inkluderer og likestiller psykisk helse i folkehelsearbeidet i den varslede folkehelsemeldinga. Jeg vil også få legge til

både i Fjell, Kongsvinger og Tromsø, og har fått høre mye bra og litt bekymringer for ulike tilbud i kommunene, det gjelder særlige utfordringer for ungdom. I Tromsø fikk jeg høre om at helsestasjonen i Tromsø har åpent sommerstid. De bruker psykologistudenter og legestudenter for å holde helsestasjonen åpen. De sier det er et stort behov. Forslagsstillerne til Dokument 8:54 S for 2013–2014 viser til at psykiske lidelser er
Audun Otterstad

Komiteen påpeker også at Samhandlingsreformens intensjoner om samordning av helsetjenester er spesielt viktig for mennesker som i en periode har psykiske problemer. Det vises til at disse har behov for sømløse overganger mellom tjenestenivåene for å unngå unødvendig ventetid og forverring av plagene. Videre mener en samlet komité at samlokalisering og tverrfaglig samarbeid er goder for dem som trenger hjelp, og viser til den og tverrfaglig samarbeid er goder for dem som trenger hjelp, og viser til den varslede meldingen om fremtidens primærhelsetjeneste som sentral for å utvikle samlokaliserte tjenester for innbyggerne – herunder at helsesentre, der fastleger deler lokaler med psykologer, helsesøstre og psykiatriske sykepleiere, vil kunne være et viktig tiltak for å hindre fragmentering. Det er altfor mange med psykiske helseutfordringer som blir for syke før de får hjelp og havner i spesialisthelsetjenesten. Da statsministeren løftet fram psykisk helse i sin nyttårstale, hadde det stor betydning for å få vekk fordommer og skape åpenhet. Samtidig var det et klart uttrykk for en politisk prioritering som denne regjeringen har lagt seg på. I budsjettbehandlingen for 2014 gjeninnførte derfor regjeringen øremerking av midler til rus- og psykiatribehandling på 340 mill. kr, og vi bevilget et ekstra tilskudd på 200 mill. kr til det samme i revidert budsjett. Til sammen utgjør det 540 I sin sykehustale la helseministeren stor vekt på at veksten innen psykisk helsevern og rusbehandling skal ha større vekst enn somatikken, og i sin tale på årets helsekonferanse viste helseministeren til SINTEF-rapporten fra i fjor høst, som slår fast at én av fire innleggelser i spesialisthelsetjenesten kunne vært unngått dersom tilbudet hadde vært bedre i kommunene.

Regjeringen har styrket helsesøstertjenesten og psykisk helsetjeneste i skolen. Den har varslet at det vil komme en stortingsmelding om primærhelsetjenesten, en folkehelsemelding, en ungdomshelsestrategi, en egen helse- og sykehusplan – og nå sist fritt behandlingsvalg, der psykisk syke og rusavhengige skal prioriteres først.

det er altfor mange som må bli alvorlig syke før de får hjelp. Regjeringen jobber derfor som beskrevet – på kort og lang sikt – både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten for å styrke tilbudet Komiteen, med unntak av medlemmet fra Senterpartiet, står samlet om et forslag der «Stortinget ber regjeringen utrede en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester med fokus på kvalitet, forebygging og samhandling med spesialisthelsetjenesten og med en særlig prioritering av barn og unge». Jeg vil fremme det forslaget fra
Da har representanten Linda C. Hofstad Helleland tatt opp forslaget

Det er også store forventninger, for vi har fått en helseminister som har et stort og ekte engasjement for mennesker med psykiske lidelser. Da er det godt å se at forslag fra Venstre og fra Arbeiderpartiet blir behandlet på lik linje, og at vi sammen kan stå opp for gode forslag, stå opp for å styrke førstelinjen, og for å sette dem som jobber nærmest våre innbyggere – de som sette dem som jobber nærmest våre innbyggere – de som jobber nærmest menneskene i kommunene – i stand til å gjøre en enda bedre jobb. Noen av de store utfordringene man blir klar over når man jobber med helsepolitikk i Norge, er etter representantens oppfatning alle de dalene vi har i helsevesenet. Det er et stort, stort behov for flere bruer – flere bruer som binder kompetanse, enheter og sentre sammen. I spesialisthelsetjenesten er det en enorm kompetanse som kunne hjulpet mang en kommune med å lage planer, sette i stand skoler og barnehager og gjøre livet – der helse skapes – enda bedre. Den lille uenigheten som ligger i noen av disse forslagene, dreier seg om hvor strenge krav man skal stille til barnehager, til ansatte og til kompetanse. Men la oss ikke fokusere på det i dag. I denne salen har vi sammen stått opp for å komme med tiltak for å hjelpe dem som har gått lengst ned på den mørke stien man kan havne på med I dag skal vi sammen sy sammen et sikkerhetsnett som skal redde enda flere fra å gå ned den stien, og som skal få flere tilbake i jobb. Rett og slett hele komiteen er enig om at alle sammen skal med. Noe av det som gleder meg aller mest, er at vi har fokus på tidlig innsats, på å hjelpe barn og unge, på å se dem som ikke har en egen stemme, og dem som ofte blir nedprioritert i systemet – dette også ifølge uttalelser fra politiet bl.a. ved overgrepssaker. Det å sørge for at barn og unge – nemlig framtiden – blir prioritert, er viktig også for å kunne ha noe å bygge på framover. Nok en gang: Vi i Arbeiderpartiet er veldig glade for at det er mulig å skrive seg sammen, og for at vi kan se forbi politiske skillelinjer for å ta Norge og Kommune-Norge noen skritt i riktig retning. Skal representanten ta opp forslaget?

eller nær familie og venner. Uansett årsak: Den nye regjeringen tar psykiske lidelser på det aller største alvor. Det er også grunnen til at regjeringen har utpekt psykisk helse som et av sine viktigste satsingsområder. Det er nødvendig når psykiske lidelser er en av våre store folkesykdommer og en lidelse som veldig mange en eller annen gang i livet vil stifte bekjentskap med, enten gjennom selv å bli rammet eller at noen man står nær, blir det. Psykiske lidelser er den mest kostbare av alle sykdomsgrupper i Norge. Det gjør behovet for å styrke det forebyggende arbeidet og lavterskeltilbudene i kommunene særdeles viktig. Derfor er det gledelig at regjeringen har varslet opptrapping for psykisk helse i kommunene, noe som vil synliggjøres i meldingene om folkehelse, fremtidens primærhelsetjeneste og den varslede nasjonale helse- og sykehusplanen. Det er også betryggende at regjeringen i kommuneproposisjonen for 2015 varslet 400 mill. kr ekstra til styrking av helsestasjoner og skolehelsetjeneste samt tiltak innen psykisk helse i kommunene. Regjeringen satser også 20 mill. kr på psykiatriambulanser i revidert budsjett. Det er et tiltak som Fremskrittspartiet har arbeidet for i lang tid. Mange opplever frustrasjon i møtet med helsevesenet når de rammes av psykiske lidelser. De blir kasteballer, sendt fra sted til sted. Det underbygger behovet for styrking av det psykiske helsetilbudet i kommunene gjennom at det etableres sømløse overganger mellom tjenestenivåene for å unngå unødvendig ventetid og forverring av plagene. Mange mennesker med behov for psykisk helsehjelp søker også vekk fra fritidsaktiviteter, samvær med venner og annen sosialisering. Man føler kanskje skam over ikke å være i jobb, men man har en diagnose som ikke er synlig for alle. Det er lettere å få aksept for å være hjemme fra jobb med brukket ben – det er rimelig synlig. Derfor er det viktig at vi alle er medmennesker når en kollega, en venn eller et familiemedlem rammes av psykisk sykdom. Trygghet og stabilitet er nøkkelord for at mange psykisk syke kan returnere raskere til skole eller arbeid.

Allerede er det etablert et lavterskeltilbud i samarbeid mellom kommunen og Modum Bad, som sikrer lokalbefolkningen psykisk helsehjelp omtrent på dagen – når behovet oppstår. Det viser at det er mulig, og modellen kan gjerne kopieres av andre kommuner med tilgang til et psykiatrisk tjenestetilbud i sin nærhet. Når det gjelder forslaget om en femårig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, vil en slik slå veldig ulikt ut for kommunene, fordi mange av dem er på helt forskjellige nivåer i sin utbygging av det psykiske helsetilbudet. Med regjeringens allerede solide satsing på området mener Fremskrittspartiet – sammen med flertallet i komiteen – at det ikke er grunn til å vedta en egen plan for de kommende fem årene på det nåværende tidspunkt. Et område som for lett glemmes når vi snakker om psykisk helse, er både inkludering av – og omsorg for – pårørende. Når noen rammes av psykisk sykdom, påvirker det også ens nærmeste. Det bør i større grad gis tilbud om kurs og tilrettelagt arbeid hos arbeidsgivere som stimuleres til å se positivt på å finne løsninger for pårørende. Egne pårørendesentre kan også være noe å vurdere. Både syke og pårørende skal møtes med forståelse, ikke fordømmelse. Psykisk sykdom oppleves fortsatt av mange som skamfullt og tabubelagt. Slik bør det ikke være. Psykiske plager og psykiske sykdommer er
Antallet psykisk syke øker stadig, og vi kan stille oss spørsmålet om hvorfor i et land som Norge. For Kristelig Folkeparti er det viktig å se hele mennesket – psykisk, fysisk, åndelig og sosialt.

bor. De bør være en del av Samhandlingsreformen, og i de oppgavene som kommunene får, må også psykisk helse inkluderes. Det er også viktig å finne en god ansvarsfordeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helse. Hva skal være DPS-enes ansvar, og hva skal være kommunens? Kristelig Folkeparti er også opptatt av at kommunene ofte får ansvar

at kommunene må få definert hva som er deres ansvar, at vi faktisk må få kunnskap og kompetanse inn i kommunen til å ivareta akkurat disse, og ikke minst ressurser – fordi det er dyre pasienter. Hvordan kommunene skal kunne møte utfordringen med å heve kompetansen, blir også en viktig del av det å kreve ressurser til kommunene. Kristelig Folkeparti mener at det er viktig å se psykisk helse i sammenheng med de planene som allerede er meldt for primærhelsetjenesten og folkehelsetjenesten, nettopp fordi vi henger sammen som mennesker. Vi kan ikke ta vekk bare den psykiske biten, vi må være hele mennesker der vi er. Vi må integrere psykisk helse som en viktig del både i forebyggende arbeid og sentralt i primærhelsetjenesten, hvor vi derved definerer ansvar, syr sammen gode tiltak og følger opp pasientene på en helhetlig måte. Allikevel ønsker vi å ta til orde for noe som jeg ser blir en problemstilling akkurat nå, og det er tverrfaglig samarbeid, for det er sendt ut et brev fra HELFO om hvem som skal få refusjoner for tverrfaglig samarbeid. Sosionomene får ikke det per i dag. Det er ikke godt nok hvis vi skal få til tverrfaglig samarbeid omkring de psykisk syke, og jeg ber ministeren ta tak i akkurat den

fekk ein høgare prioritet og ei betydeleg utbygging av tenestetilbodet i den perioden. Årsverksinnsatsen i kommunalt psykisk helsearbeid auka sterkt i perioden, men det er òg vist at etter opptrappingsplanen er det framleis eit udekt behov for kommunale tenester på feltet psykisk helse. Det er òg store forskjellar mellom kommunane. Årsverksinnsatsen i kommunane har ikkje auka sidan 2007, og det er For mens pasientar i dag vert skrivne ut raskare enn tidlegare frå spesialisthelsetenesta, brukar altså bustadkommunane samla sett ikkje fleire årsverk til kommunalt psykisk helsearbeid. Ein kommunal opptrappingsplan må omhandla førebygging, diagnostisering, tidleg hjelp og behandling elles, rehabilitering, oppfølging,

Senterpartiet vil at ein kommunal opptrappingsplan særleg må fokusere på barn og unge og innehalda ei forpliktande styrking av helsestasjon og skulehelseteneste. Også alderspsykiatrien og den psykiske helsa til innvandrarar må få særskild merksemd. Senterpartiet viser i representantforslaget til rapporten «Bedre føre var» frå Folkehelseinstituttet, der det er ei samla framstilling av tiltak som kan fremma psykisk helse og førebyggja psykiske plagar og dreier seg m.a. om høg sysselsetting, helsefremmande skular, høgkvalitets barnehagar, førebyggjande tiltak på eldresenter, heimebesøk til førskulebarn, styrking av foreldreferdigheiter, arbeid med støtte, grupper, kurs og program for meistring av angst og depresjon – mellom anna. Vi understrekar at ein ny kommunal opptrappingsplan må ha særleg merksemd på kvaliteten i tenestene og omhandla ein ny

viser at årsverksinnsatsen i kommunalt psykisk helsearbeid auka sterkt gjennom opptrappingsperioden, men at han ikkje har auka sidan 2007, trass i at vi har hatt fleire meldingar og lovforslag som skulle bidra til å styrkja kommunehelsetenesta, også psykisk helse, slik som samhandlingsreform, folkehelselov og ny helse- og omsorgstenestelov.

går inn for ein 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, finansiert gjennom nye, øyremerkte midlar. Senterpartiet meiner det ikkje er nokon som helst grunn for ikkje å ha ein opptrappingsplan òg på dette feltet. Når regjeringa varslar ei opptrapping på rus og på rehabilitering, meiner vi det òg må koma på psykisk helse. Eg forstår ikkje motargumenta. Det er eit uforpliktande forslag som vert fremma i Venstre sitt representantforslag. Senterpartiet kjem til å stemma på det forslaget subsidiært, slik at det får stemmene frå alle

de gruppene som gjerne lett faller mellom alle stoler i velferdsstaten – de som ofte ikke prioriteres av kommunepolitikerne, de som har en stemme som altfor sjelden høres, f.eks. barnevernsbarn, psykisk syke og rusavhengige. Det kan også gjelde barn og unges helsebehov generelt.

Erfaringen fra det barnevernsløftet som forrige regjering gjennomførte, er veldig tydelig på det – det har forandret hverdagen i barnevernstjenesten i mange kommuner: 1 000 nye stillinger. Vi trenger noe tilsvarende innenfor psykisk helse. Jeg frykter også at den satsingen som regjeringen på sett og vis har forpliktet seg til når det gjelder helsesøstre, kommer til å ende opp i noe av et mageplask, nettopp på grunn av mangelen på øremerking og vilje til å legge klare føringer for pengebruken. Det er også en av de viktigste forebyggende innsatsene vi kan gjøre når vi snakker om psykisk helse – å bygge en god helsetjeneste for barn og unge ute på skolene, ute i lokalsamfunnene, der barn og unge er. Derfor vil jeg vise til behandlingen av kommuneøkonomiproposisjonen, der SV kommer til å foreslå å øremerke et løft som vil gi 1 500 nye stillinger til helsestasjoner og skolehelsetjeneste rundt om i landet. Det er også grunn til å frykte hva de nye rammene for kommuneøkonomien vil ha å si for de tjenestene vi nå diskuterer. Det vil – gjennom behandlingen av denne kommuneøkonomiproposisjonen – varsles nye tider med en klart lavere inntektsvekst for kommunene enn det de har vært vant til i de rød-grønne årene. Det vil selvfølgelig ha noe å si for hva slags tjenester som leveres til innbyggerne, og vi vet at den typen tjenester vi nå diskuterer, vil ha en tendens til å tape når det blir tynnere med kroner ute i Kommune-Norge. Selv om det nå spesielt er kommunale tjenester vi diskuterer, tror jeg at det både innenfor kommunene og innenfor spesialisthelsetjenesten er behov for mer tillit og større rom for den kreativiteten som kan utløses når vi utfordrer de ansatte til å finne mer fornuftige måter å løse oppgavene på. Og da vil jeg vise til Nordfjord distriktspsykiatriske senter, som greide å eliminere ventelistene etter at de ansatte ved senteret satte seg ned sammen og spurte seg: Er det andre måter å løse våre oppgaver på til beste for våre pasienter? De klarte det – både å sørge for at alle fikk behandling raskere, og at alle fikk en umiddelbar kontakt med senteret, som de ikke hadde fått før, i stedet for å bli satt på venteliste. Dette er et eksempel på hva som kan skje med mindre detaljstyring ovenfra og mer tillit til faglighet lokalt, og det er det vi i SV legger i «tillitsreform», som vi ønsker skal gjennomføres bl.a. innenfor psykisk helse, både i kommune og stat.

venner og familier. Mange grupper får ikke et godt nok tilbud i dag. Forslagene peker på barn og unge, voksne med lettere og moderate lidelser, eldre og personer med rusproblemer. Det er behov for bedre forebygging for å hindre at folk blir syke og bedre oppfølging og opplæring for å kunne leve godt med sin sykdom og unngå forverring. Jeg er enig i at det er behov for mer ressurser, og denne regjeringen har startet opptrappingen. Men andre tiltak er også viktige. Vi må tenke nytt om arbeidsformer og hvordan vi organiserer tjenestene. Først til temaet organisering: Jeg er helt enig i at det psykiske tjenestetilbudet må være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten. Vi er hele mennesker. Våre fysiske og psykiske helseutfordringer og eventuelle rusproblemer har ofte en sammenheng. Gjennom den varslede meldingen om framtidens primærhelsetjeneste skal vi vise hvordan vi kan skape en mer helhetlig og samordnet tjeneste. Leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, vernepleiere, sosionomer og andre må jobbe tverrfaglig for et bredt spekter av tilbud. I tillegg til vanlige helsetjenester med god tilgjengelighet og lav terskel er det behov for sosiale treffsteder og aktivitetstilbud. En god psykisk helse skapes ikke i helsetjenesten. Derfor må flere sektorer bidra. Psykisk helse må være en sentral del av det brede folkehelsearbeidet. Hvordan dette kan skje, vil være et viktig tema i den varslede folkehelsemeldingen. I saken som kommer etter denne, vil Stortinget be om at en skal jobbe med en egen ungdomshelsestrategi i forbindelse med stortingsmeldingen om primærhelse. Det vil også være viktig i dette arbeidet. Det er også behov for nye arbeidsformer. Brukerorganisasjonen Mental Helse påpeker at tjenestene må legge mer vekt på den enkeltes ressurser – på det friske og mindre på symptomer. Brukerne må få hjelp og opplæring til å leve med sykdom og til å unngå forverring. Tjenesteyterne må spørre brukerne, slik Unge funksjonshemmede foreslår: Hva er viktig for deg, i ditt liv, akkurat nå og framover. Det leder meg over til det viktige temaet «barn og unge». Vi er helt enige om at helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten må rustes opp når det gjelder både kunnskap og personell. Barneombudet forteller at barna etterspør en mer tilgjengelig skolehelsetjeneste, der de treffer helsesøstre som vet mye om psykisk helse, og som jobber sammen med psykologen. Denne tjenesten må utvikles på barnas og de unges premisser. Også her er det behov for nye arbeidsformer. Men helsetjenesten kan ikke møte utfordringene alene. Det må skapes gode oppvekstmiljøer for barn. Ansatte i barnehage og skole, som ser barna hele dagen, må ha kunnskap om og oppmerksomhet på psykisk helse. Det er tiltak som er viktige i folkehelsearbeidet. I tillegg må sektorene samarbeide bedre bedre for tidlig å fange opp de barna som er i fare for å utvikle problemer, og følge dem opp. Regjeringen har startet arbeidet med å styrke tjenestene innen psykisk helse og rus. Vi har også varslet 400 mill. kr mer til kommunene til neste år, for at kommunene skal komme i gang med å bygge opp en bedre skolehelsetjeneste og helsestasjonstjeneste og et bedre tilbud innenfor psykisk helse og rus. I tillegg vil vi legge fram tre meldinger i 2015, der det psykiske helsetjenestetilbudet skal stå sentralt: én melding om primærhelsetjenesten, én om folkehelsearbeidet og én nasjonal helse- og sykehusplan. Sammen med de to varslede opptrappingsplanene for rus og rehabilitering, skal vi skape nettopp brukernes helsetjeneste – i tråd med det som er våre mål. Vi har alle sammen en psykisk helse. Derfor er det også viktig at vi bidrar bidrar til å bygge ned barrierene for å søke hjelp også for psykiske helseutfordringer. Altfor mange av dem som i dag har begynnende psykiske helseutfordringer, opplever fortsatt at terskelen for å søke hjelp er for høy. For mange av oss spør ikke om hverandres psykiske helse. Det er fortsatt vanskelig å snakke om. Men vi er også nødt til å bygge opp tilbudet, slik at når en ber om hjelp, får en tidlig hjelp og må ikke bli sykere for at hjelpen skal stille opp. Det blir replikkordskifte.

til psykisk helsearbeid, som regjeringa har på rus og rehabilitering. Eg kan ikkje forstå at helseministeren kan skilja rus og psykiatri på den måten, for veldig ofte er dette folk med dobbeltdiagnose. Dette heng i hop. Spørsmålet mitt er: Kvifor vil ikkje helseministeren innlemma ein opptrappingsplan for psykiatri i opptrappingsplanen han har varsla på rusfeltet?

tilbudet i kommunene når det gjelder helsestasjon, skolehelsetjeneste og flere psykologer i kommunene. Det trenger vi ikke å lage en egen opptrappingsplan for å gjøre. Det må vi gjøre i det arbeidet som nå er i gang, gjennom de årlige budsjettene, som regjeringen også har varslet, og gjennom stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. Det vil representere den opptrappingsplanen som blir tatt opp i dette forslaget. Det er opptrappingen vi har behov for. Vi har behov for det ikke minst når det gjelder primærhelsetjenesten.

et bedre tilbud i et geografisk større område. Men noe av det de sliter med, er implementering i bl.a. kommunehelsetjenesten, og at takst- og refusjonssystemet ikke premierer å ta i bruk teknologi og nye, standardiserte programmer. Kan helseministeren si noe om hvorvidt han tenker å gå igjennom takst og refusjonssystemet for kommunene, slik at en får litt fart på den teknologiske

på tvers. Den problemstillingen som representanten tar opp, går rett inn i en del av de utfordringene som også vi mener er problemer i dagens

og vi er særleg glade for at ein prioriterer barn og unge. Vi treng eit lyft på området, og det er i kommunane at behova er størst. Det er likevel viktig å understreke at det er gjort mykje godt arbeid på området rundt om i kommunane allereie. I min eigen heimkommune, Eid, som også representanten Lysbakken var innom – gledeleg nok – har ein i samarbeid med Nav og Nordfjord Psykiatrisenter fått på plass eit heilskapleg tilbod til pasientane der ein legg til rette for utdanning, aktivitet og meiningsfulle fritidsaktivitetar. Her har ein òg fått til ei ordning med brukarstyrte plassar på det psykiatriske senteret, som brukarane det gjeld, kan nytte ved behov. Det er viktig at det i den vidare satsinga blir mogleg å byggje vidare på dei gode løysingane mange kommunar allereie har fått på plass. Kommunar er ulike, og den enkelte kommune må ha rom for lokale tilpassingar med grunnlag i dei utfordringane den enkelte har. Venstre meiner det er viktig å leggje til rette for eit mangfald av tilbod og gje rom for fleire lokale prosjekt i regi av ulike aktørar. Livsmestringssenteret på Skei i Jølster kommune er eit eksempel på eit slikt prosjekt. Her driv ein førebygging, behandling og rehabilitering for pasientar med lettare psykiske plager. Senteret har plass til 20 pasientar og er både eit supplement og eit alternativ til den offentlege helsetenesta. Senteret blir drifta av Bergen Diakonissehjem, som driv både sjukehus, høgskule og andre senter.Vi treng meir sosialt entreprenørskap og fleire aktivitetsbaserte tilbod og håpar at dette blir ein del av utgreiinga som Stortinget no ber om. Til slutt er det viktig at ein får til ei betre integrering mellom det fysiske og psykiske helsetilbodet. Vi treng ein tverrfagleg innsats og koordinering av ulike hjelpetiltak. Det gjeld særleg barn og unge. Det er helsestasjonane og skulehelsetenesta som er viktige her, men vi må heller ikkje gløyme den viktige rolla som PPT kan spele i samhandling med skule, barnehage, foreldre og barn.

Psykiske plager og lidelser utgjør en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge. Nesten halvparten av innbyggerne utvikler psykiske helseproblem en gang i løpet av livet og det i en slik grad at de trenger kvalifisert hjelp. Hver sjette nordmann har til enhver tid en psykisk lidelse. Psykiske lidelser oppstår ofte i ung alder og er den viktigste årsaken til uhelse i aldersgruppen 20–30 år. Mellom 15 og 20 pst. av barn og unge barn og unge i Norge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Alvorligheten av dette blir understreket av Verdens helseorganisasjon, som anslår at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. Samtidig som utfordringene bare vokser og flere trenger hjelp, ser vi at det offentlige tilbudet ikke klarer å holde tritt. De siste tallene viser at av dem som er innlagt innenfor psykisk helsevern og rus, og som er utskrivningsklare, venter på et kommunalt tilbud. Samtidig viser tallene at årsverksinnsatsen i kommunalt psykisk helsearbeid ikke har økt de siste årene. Fagmiljøet og brukerorganisasjonene er klare: Det trengs et løft når det gjelder forebygging og behandling av psykiske lidelser. Det er bred enighet om at dette løftet må komme i kommunene. Det er der proppen sitter per i dag.

Den nåværende regjeringen har vært frisk i omtalen av satsingen på psykisk helse i både valgkamp og regjeringserklæring. Med dette forslaget har de muligheten til å vise handlekraften som trengs. Hittil har det vært lite handlekraft, stort sett bare flytting av midler, som har gått på bekostning av andre kommunale tjenester. Det er ikke måten å gjøre det på. En reell satsing krever friske midler. Derfor foreslår vi nå nye øremerkede midler til kommunene for å styrke arbeidet med psykisk helse. Disse midlene bør selvsagt bli en del av kommunens ramme etter opptrappingsplanens utløp, slik at kommunene fremdeles kan levere gode tjenester uten at vi igjen skal ta et steg tilbake.

kan bli et «mageplask». Jeg har lyst til å minne om at vår regjering gjeninnførte øremerkingen av 343 mill. kr til kommunene i statsbudsjettet for 2014, en øremerking som de rød-grønne fjernet i sitt siste budsjett, og at «mageplasket», som Lysbakken kaller det, kan bety opptil 700 nye fagfolk som møter barn og unge og dem som trenger rask hjelp i kommunene.

Styrkingen vil jo bl.a. kunne gjøre at skolehelsetjenesten er mer tilgjengelig og mer tilstedeværende sånn at elevene nås lettere. Det er slik at de midlene – 200 mill. kr til forebyggende arbeid på helsestasjon eller i helsestasjonstjenesten – vil fordeles til kommuner ut fra antallet innbyggere i alderen 0–19 år. Det betyr også at det er dedikert til helse og til helse og til barn og unge. Det samme gjelder midlene som er meldt til rus og psykisk helse, hvor 100 mill. kr fordeles til barn og unge, og 100 mill. kr fordeles etter den sosiale nøkkelen. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 6 og 7. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen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

Komiteen gir oppslutning til fleire av tiltaka som vert fremja, og gir òg tilslutning til målsettinga til statsråden, som kjem fram i brevet til komiteen, om at det skal koma ein samla strategi for god seksuell helse frå 2015. Komiteen meiner at dei konkrete forslaga som vert fremja i denne saka, må vurderast i dette arbeidet, og at tiltak for å redusera abort og uønskte svangerskap, må verta ein sentral del av ein slik samla strategi. Eit mindretal i komiteen, representantane frå Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og SV, meiner at ein må forankra ein slik samla strategi i Stortinget gjennom ei eiga stortingsmelding og fremjar forslag om dette i innstillinga. Fleirtalet i komiteen, representantane for partia Høgre, Framstegspartiet, Venstre og SV, ber regjeringa utarbeida ein Gjennom merknader i innstillinga gir komiteen tilslutning til eller positiv omtale av fleire av forslaga frå representantane. Komiteen deler synet til forslagsstillarane på behovet for seksualundervisning i skulen og behovet for gode informasjons- og rettleiingstenester. Behovet for auka helsesøstertenester og Komiteen understreker at bruk av langstidsverkande prevensjonsmetodar, forkorta til LARC, truleg er underutnytta i Noreg blant unge kvinner, og er einig med forslagsstillarane i at det trengst kompetansehevande tiltak om LARC blant fastlegar, jordmødrer og helsesøstrer. Forslaget om å utvida ordninga med subsidiert prevensjon til også å omfatta LARC er komiteen positiv til. Eit fleirtal i komiteen, partia Høgre, Framstegspartiet, Senterpartiet og Venstre, peiker likevel på at dette også er ei budsjettprioritering. Når det gjeld forslaget om å utvida ordninga med gratis prevensjon til kvinner mellom 20 og 24 år, er ein samla komité einig om at dette er ei aldersgruppe som krev stor merksemd og konkrete, målretta tiltak for å redusera abortraten. Forsøk med gratis prevensjon for gruppa har vist god effekt. Eit fleirtal i komiteen, partia Høgre, Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og Senterpartiet meiner at det likevel må vurderast om det er rett prioritering av ressursar å gi gratis prevensjon til denne gruppa av unge, vaksne kvinner. Ein samla komité er opptatt av at tiltak som dette ikkje må vurderast isolert, men at ein ser det i samanheng med seksuell helse generelt og tiltak for førebygging av seksuelt overførbare sjukdomar. Komiteen meiner det er viktig med gode økonomiske ordningar for kvinner som føder barn. Eit fleirtal i komiteen ønskjer at dette må skje gjennom ei opptrapping av eingongsstønaden. Eit fleirtal i komiteen viser til at representantforslaget i hovudsak omhandlar prevensjon og tiltak for å hindra uønskte svangerskap og abort, utan å omhandla eller setja krav om tiltak for å Fleirtalet meiner det er viktig med ei heilskapleg satsing på seksuell helse, der ein også har fokus på førebygging, partneransvar og reduksjon av smittsame kjønnssjukdomar, f.eks. førebygging av Klamydia ved kondombruk. Komiteen er samla om at forskrivingsretten til helsesøstrer og jordmødrer bør utvidast til å gjelda all hormonell prevensjon, og er positiv til at forskrivingsretten for helsesøstrer og jordmødrer bør gjelda for kvinner i alle aldersgrupper. Senterpartiet kjempa for ei eiga stortingsmelding om seksuell helse og førebygging av abort, og hadde håpa på at Venstre ville støtta dette, for då hadde vi faktisk hatt fleirtal i Stortinget. Vi meiner at det er viktig å få dette som ei eiga stortingsmelding, og Venstres alternativ er at dei har valt å be om ein strategi for ung

spesielt det å befinne seg i livets heftigste fase, nemlig ungdomstida. Jeg vil først starte med å si at Arbeiderpartiets holdning i disse spørsmålene bygger på to like viktige forutsetninger. For det første deler vi fullt og helt forslagsstillernes mål om å redusere antallet uønskede svangerskap i Norge og å redusere aborttallene. Svært mange sannsynligvis de aller fleste – kvinner som kommer i den situasjonen at man velger å ta abort, vil oppleve dette som en påkjenning både fysisk og psykisk. Arbeiderpartiet stiller seg derfor bak mange av de forslagene som er formulert i saksframlegget, som god veiledning og informasjon og lett tilgang til prevensjon, særlig for ungdomsgruppen. For oss hviler engasjementet i denne saken på en forutsetning til – at vi er kompromissløse i forsvaret for kvinners rett til selvbestemt abort. Abortloven har gitt norske kvinner muligheten til å bestemme over egen kropp og eget liv og har derfor vært et stort framskritt. Det tror jeg særlig min generasjon av kvinner veit bedre enn noen andre, vi som hadde ei ungdomstid både før og etter at abortloven blei vedtatt. Derfor er det så viktig at kvinner som velger å bruke den retten loven gir dem, blir møtt med respekt, omsorg og forståelse. Derfor mener Arbeiderpartiet at begge disse to perspektivene må tas med i den debatten vi skal ha i dag om temaet. Vi trenger en politikk som forebygger uønskede svangerskap blant unge kvinner, og vi trenger et lovverk som sikrer at de som velger abort, blir ivaretatt og møtt med omsorg og empati. Arbeiderpartiet deler oppfatningen til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om at vi trenger en samlet strategi for bedre seksuell og reproduktiv helse,

høy. Da dreier det seg om god veiledning og informasjon om og tilgang til prevensjon. I komitémerknaden har vi også trukket fram FAFUS, familieplanlegging og forebygging av uønsket svangerskap og abort blant ikke-vestlige innvandrerkvinner, som er et prosjekt i regi av Oslo Universitetssykehus – spesielt rettet inn mot kvinner med minoritetsbakgrunn. Det var flere i høringa som trakk fram FAFUS-modellen, blant annet Norsk Sykepleierforbund, som et eksempel til etterfølgelse og som bør vurderes utvidet. En god og tilgjengelig helsetjeneste i lokalsamfunnene er selve nøkkelen for å lykkes med å nå de viktige gruppene, særlig de unge. Da står økt satsing på skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom veldig sentralt. For mange unge er helsestasjonen et mye brukt lavterskeltilbud, der en kan søke kunnskap om prevensjon og seksuell helse. I Tromsø har man f.eks. lenge hatt et tilbud om helsesøstertjeneste knyttet til det populære ungdomshuset Tvibit. Det tilbudet er så godt innarbeidet og nyter så stor tillit at det ofte blir framstilt som et mønster for hvordan man kan nå unge mennesker med et målrettet helsetilbud. Derfor er det viktig at regjeringa følger opp bevilgninger til skolehelsetjenesten og helsestasjonene, slik at vi er sikker på at pengene faktisk brukes til det de er ment. Vi kan frykte at andre presserende oppgaver i kommunene prioriteres på bekostning av disse tjenestene. Vi veit at kommunene kan komme i skvis når det gjelder å oppfylle lovpålagte oppgaver som f.eks. tilstrekkelig med barnehageplasser, all den tid dette beviselig er underfinansiert fra regjeringa. Arbeiderpartiet mener derfor at det i en opptrappingsperiode må vurderes å øremerke penger til helsestasjon og skolehelsetjeneste, inntil vi ser at utviklinga går i riktig retning. Jeg tar opp de forslagene som Arbeiderpartiet fremmer sammen med forslagsstillerne og i ulike mindretallskonstellasjoner. Representanten Tove Karoline Knutsen har tatt opp

Noen medieoppslag de siste dagene har også skapt inntrykk av at det kanskje er større uenighet enn det faktisk er i denne saken. Det er tverrpolitisk enighet om at antallet aborter i Norge er for høyt, og at det er behov for en ytterligere innsats på det forebyggende feltet. Et bredt flertall ber regjeringen utarbeide en ungdomshelsestrategi som skal se helhetlig på hele spekteret av utfordringer knyttet til ungdoms og unge voksnes helse. Vi hadde nok håpet at en samlet komité ville ønsket en slik strategi velkommen, men vi er selvfølgelig glad for et solid flertall bak bestillingen. Forslagene fra Kristelig Folkeparti retter seg i stor grad mot unges seksuelle helse. De dreier seg om viktige tiltak som seksualundervisning, studenthelsetjenester og lettere tilgang på prevensjon – gode forslag som vi ser som en naturlig del av en helhetlig ungdomshelsestrategi. Kristelig Folkepartis forslag om gratis prevensjon for kvinner opp til 24 år får ikke støtte av et flertall. Selv om Høyre og Fremskrittspartiet er klar over at det er i aldersgruppen 20–24 år det forekommer flest aborter, er vi ikke sikre på at det er riktig prioritering av ressurser å tilby gratis prevensjon til denne gruppen. Da er vi heller opptatt av at kvinner i denne aldersgruppen skal kunne få lettere tilgang på prevensjon ved at helsesøstres og jordmødres forskrivningsrett utvides. Slik kan unge studenter få resept på prevensjon på helsestasjoner over hele landet eller hos studenthelsetjenesten. Kristelig Folkepartis forslag har mest fokus på unge kvinners seksuelle helse. Det er også naturlig når overskriften er å redusere uønskede svangerskap og aborter. Men vi ønsker også å ansvarliggjøre gutter når det gjelder prevensjon, og vi ønsker å synliggjøre behovet for prevensjonsmetoder som også kan redusere smitten av seksuelt overførbare sykdommer. Vi mener seksuell helse bare er ett av flere viktige områder som virker inn på ungdoms helsesituasjon. Frafall i skolen, psykiske helseutfordringer, selvskading og selvmord, inaktivitet og overvekt og et bedre tilbud til ungdom med kronisk og langvarig sykdom og/eller funksjonshemminger er elementer som vi ønsker å se i en helhet. Særlig unge funksjonshemmede har vært for en helhetlig strategi for ungdomshelse. De etterlyser mer helhet i tjenestene – på tvers av sektorer, på tvers av tjenestenivåer og på tvers av innsatsområder. Vi mener det er viktig å lytte til de unges kamp gjennom mange år for å få dette belyst nærmere i en helhetlig strategi. En ungdomshelsestrategi kan også se nærmere på helseutfordringer som unge voksne står Den nasjonale undersøkelsen om studenters helse og trivsel fra 2010, utført av TNS Gallup på oppdrag av de største studentsamskipnadene, viste at 10–15 pst. av de norske studentene sliter psykisk. God tidlig innsats er viktig for å forebygge at små problemer vokser til store utfordringer. Skolehelsetjenesten er det viktigste lavterskeltilbudet vi har, og her skal Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen satse mer i årene framover. Men vi må også sørge for å gjøre skolehelsetjenesten og studenthelsetilbudet mer tilgjengelig og relevant også for gutter, for i dag er det for få gutter som oppsøker helsesøster eller helsestasjon. Også gutter trenger å snakke med en fagperson innimellom, og da må vi sørge for at helsesøsters dør virker like åpen for gutter som for jenter. Vi ønsker alle å sørge for at våre unge voksne rustes til å møte livets utfordringer. En ungdomshelsestrategi vil i større grad sikre at vi ser på ungdoms utfordringer mer helhetlig. Målet er å skape unge voksne som er trygge på seg selv, også på sin seksuelle helse. Da kan vi også målrette tiltak i en slik strategi for å nå målsettingen som Kristelig Folkeparti deler med oss alle – en reell reduksjon av antallet uønskede svangerskap som ender i aborter.

Men selv om kvinner lett kommer til hjelpen, vet vi mye om at avgjørelsen kvinnene må ta, ofte oppfattes som krevende, og at kvinner i forskjellig grad blir preget av det de har vært igjennom. Derfor vil det være et gode å få ned antall aborter. Handlingsplanen for forebygging av uønsket svangerskap og abort som ble lansert i 2010, gjelder fortsatt. For 2014 ble det bevilget 32,3 mill. kr til oppfølging av denne. I statsrådens brev av 23. mai står det at han har som målsetting å få på plass en samlet strategi for god seksuell helse fra 2015. Formålet er en samordning og spissing av virkemidler og tiltak. Flere av de forslagene som fremmes i representantforslaget, vil det være naturlig Jeg velger å ikke gå gjennom alle forslagene som ligger i saken. Jeg deler intensjonen i flere av forslagene, som økning av engangsstønaden, bedre seksualundervisning og utvidelse av forskrivningsrett til prevensjonsmidler også for jordmødre og helsesøstre. Andre forslag mener jeg er ivaretatt i andre sammenhenger, i forbindelse med andre planer og meldinger som er varslet. Når man leser gjennom alle de forslag som ligger i saken, kan man få inntrykk av stor uenighet. Leser man derimot merknadene som ligger i saken, synes jeg de vitner om stort engasjement og svært mye enighet på tvers av partigrensene. Komiteen står i denne saken ganske samlet om problemstillinger, utfordringer og også tiltak. Opp gjennom mine år på Stortinget har jeg syntes at mye av det vi jobber med, er fragmentert. Problemstillinger og utfordringer knyttet til barn og unge ligger under flere komiteer, og jeg har ofte fått høre på høringene at man savner et fokus på ungdom. Det meste er delt inn i barn eller voksne. Særlig når det gjelder overgangen mellom barn og voksen innen helse – med tanke på både rus, psykisk helse, behandling og rehabilitering – har man en tendens til ikke å ta inn over seg at ungdom trenger noe annet enn barn, og også noe annet enn voksne. Det er svært mye å hente innenfor alle saksområder om vi greier å bygge sterke og trygge ungdommer. Ikke minst innen seksualitet, uønsket svangerskap og abort handler det om trygghet knyttet til egen kropp, egen helse og egen seksualitet. Det å bygge selvtillit slik at de kan stå oppreist mot press og vite grensen mellom frivillighet og tvang, vil være viktige grep å ta. Jeg er en stor fan av helsestasjoner for ungdom. I min kommune har vi hatt dette i svært mange år. Mine samtaler med de ansatte der som kommunepolitiker, ga meg mye kunnskap om hvor mye usikkerhet, utrygghet og mangel på selvtillit som preger altfor mange ungdommer. Selv de tøffeste ungdommene har en sårbarhet og utrygghet som gjør at mange opparbeider seg andre problemer, slik som spiseforstyrrelser, selvskading og å nå ungdommene med god og relevant informasjon, er med på å styrke dem som mennesker, men da må dette skje på deres premisser og på deres arenaer. Alt henger sammen med alt. Da vi satt og drodlet litt om alle forslagene som ligger i denne saken, slo det meg at det ville være fint å kunne diskutere dette i et større perspektiv. En handlingsplan for å forebygge uønsket I tillegg har vi strategier for bedre seksuell helse og Aksept og mestring – nasjonal hivstrategi. Det vi mangler, er rett og slett en egen ungdomshelsestrategi som kan romme alt det som er ekstra krevende ved å være ungdom, ved det ikke å være barn, og ikke være helt voksen. God helse skaper styrke og trygghet. Jeg er glad for at også andre partier
Olaug V. Bollestad

Når aborttall er så høye i den aldersgruppen, må vi innse at det er noe som ikke fungerer. Når forsøksordninger viser signifikant nedgang i abortraten i denne aldersgruppen ved tilbud om gratis prevensjon, bør det etter Kristelig Folkepartis mening prioriteres. Kunnskapsoppsummeringen herunder sier at LARC-metodene er de som er sikrest og mest kostnadseffektive. Vi vet at lett tilgjengelig og gratis, subsidiert, prevensjon bidrar til å utjevne sosiale ulikheter når det gjelder kvinners reproduktive helse i Norge. Ved innføring av gratis prevensjon må også andre relevante tjenester inkluderes – som f.eks. opplæring i og f.eks. opplæring i og veiledning om hvordan vi skal bruke prevensjonsmiddel. Det betyr at vi må sikre god kunnskap og kapasitetsbygging hos de instansene som skal formidle prevensjonsmidlene og gi veiledning. Det gjelder fastleger, det gjelder helsepersonell på ungdoms- og helsestasjoner, og det gjelder studenthelsetjenesten. Det bør etter fem år gjøres en følgeevaluering når en har delt ut gratis prevensjon til dem under 25 år, Informasjon og veiledning er viktig. Vi er også opptatt av at guttene skal være med. Det å tilby Internett- og telefontjenester, helsestasjoner for ungdom, studenthelsetjenester og fastleger en viktig rolle i dette, sammen med tilgjengelige opplysninger på nett, kan være med og fange opp den måten gutter går inn i dette på. Det at kvinner i alderen 20–24 år er de som har størst antall aborter, er ofte fordi de er noen av de mest mobile i befolkningen. De flytter ofte i forbindelse med utdanning. De mister kontakten med den helsestasjonen de gikk til, de mister kontakten med den fastlegen de hadde. De er avhengige av å bygge et nytt kontaktnett på det studiestedet de kommer til. Det er de jentene vi her snakker om, som ofte blir gravide, og som oftest tar abort. Da nytter det ikke med fine ord. Da nytter det med tiltak og lavterskeltilbud for å hjelpe akkurat disse. Det blir en viktig del Norsk Sykepleierforbund påpekte under høringen at helsestasjoner for ungdom opplever stor pågang fra akkurat gruppen i alderen 20–25 år. Det er derfor viktig for Kristelig Folkeparti å utvide aldersgrensen på helsestasjonene til 25 år, og det er viktig for oss at jordmødre og helsesøstre får tilgang til å skrive ut alle typer prevensjon. prevensjon. Så skal vi se til andre land. Finland og Danmark har oppnådd mye med dette. De har systematisk opplæring, de har gode tiltak for nye landsmenn – for kvinner som kommer, og som ikke har de samme tradisjonene som oss. Det er ikke til å stikke under stol at økonomiske faktorer vil spille inn. Kristelig Folkeparti er opptatt av å øke engangsstønaden til 2 G.

Hvis vi tror at vi skal få redusert aborttallet med en tredjedel, må vi være villige til å legge penger på bordet. Dette ber jeg partiene tenke igjennom. Det nytter ikke å ha en strategiplan hvis det ikke er tiltak i strategien. Da som Kristelig Folkeparti har sammen med andre, og de forslagene som vi har alene. Dem vil vi fortsatt stå på. Så vil vi meddele at vi i tillegg støtter forslag nr. 8, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Representanten Olaug V. Bollestad har tatt opp de forslagene hun refererte til.

den virkeligheten som er, synes jeg er viktig for å komme videre. En god del av de tiltakene som Kristelig Folkeparti foreslår, er det – som representanten Bollestad sier – knyttet stor nysgjerrighet til. For Venstres del deler vi en god del av forslagene når det gjelder å se på og å utvide tilgangen til subsidiert prevensjon til flere, knyttet til alder, og å ta i bruk langtidsvirkende prevensjon i større grad enn i dag. Det er også behov for å se på aktørene og myndighetsutførelsen når det gjelder å skrive ut prevensjon, som vi langt på vei deler at helsesøstre og jordmødre får økt adgang til. Når det kommer til forpliktelsene – som representanten Bollestad var inne på i sitt innlegg – handler det om respekt for en samarbeidsavtale som Venstre og Kristelig Folkeparti har med hvor det står at store økonomiske – la oss kalle det – reformer skal inngås knyttet til budsjettavtaler. En av utfordringene ved disse forslagene er at det ikke er beregnet hva det vil koste. Anslagsvis snakker vi her om en del hundre millioner kroner for bare å utvide aldersspennet når det gjelder subsidiert prevensjon. prevensjon. Hvis den i tillegg skal være gratis, er det antakelig en del mer vi snakker om. Det er ikke tvil om at dette er økonomiske forpliktelser som Venstre synes det er vanskelig å ta gjennom et representantforslag, slik som i dette tilfellet. For Venstres del har vi fremmet et representantforslag om studenthelse og studentvelferd som tar opp i seg noen av de forslagene som som Kristelig Folkeparti her fremmer, knyttet til aldersgruppa 20–24 år. Vi går ikke så langt som å si at det skal være gratis prevensjon for denne gruppa, men vi vil se på subsidiert prevensjon. Forslaget har også i seg en del andre tiltak, som særlig handler om samhandling mellom helseaktører som er knyttet til et studiested. Derfor er vi godt fornøyd med at det er flertall for å få en ungdomshelsestrategi der en ser på mange virkemidler knyttet til ungdom, og på mange utfordringer som vi ser at ungdommer møter – som i sum på mange vis kan være med på å forebygge aborter. En annen del av debatten – som jeg nok savner i Kristelig Folkepartis forslag – er knyttet til guttene, som også har et betydelig ansvar. Her kommer informasjon, forebygging og det å ta ansvar inn. Når jeg har vært rundt på helsestasjoner og blant utekontakter og andre knyttet til ungdom,

fordi vi ser at de kanskje er den første heldigitale generasjonen som vokser opp og i stor grad benytter seg av slik teknologi, men som også har et særlig ønske om kanskje å beholde sin anonymitet og sin identitet.

en konstruktiv inngang til debatten om abort, ut fra den debatten vi har hatt de siste månedene, og som – slik jeg oppfatter det – tar utgangspunkt i det som er realiteten i Norge i dag, nemlig at kvinnens rett til selv å velge er en selvfølge. Innenfor den rammen er det mye som kan gjøres for å redusere aborttallene og fremme det jeg vil kalle seksuell frihet og ansvarlighet. Det handler om å unngå uønskede svangerskap, og det handler om å gjøre det mulig å bære fram et barn som mor ønsker, men som hun er usikker på om hun makter. I SV er vi som kjent varme forsvarere av abortloven. Den har betydd frihet og trygghet for norske kvinner. Det er likevel sånn at vi som er tilhengere av loven, synes det er et mål å få ned aborttallene, for bak mange aborter er det uønskede svangerskap og vanskelige valg som den enkelte kvinne kanskje skulle ønske at hun ikke hadde måttet ta. En del av de forslagene Kristelig Folkeparti har fremmet, kan bidra til en sunn bevissthet rundt seksualitet og seksuell frigjøring for unge mennesker. Derfor støtter vi forslaget om å utvide ordningen med gratis prevensjon. Der har det vært flere vellykkede lokale forsøk som viser at det er et tiltak som ønskes veldig velkommen av unge kvinner, og som fungerer, så vi støtter forslaget om å utvide ordningen til å bli gratis prevensjon fram til 24 år. Vi er også opptatt av å sende et signal knyttet til seksualundervisningen. Det handler om de samme tingene. Den er fortsatt på et altfor dårlig nivå mange steder i landet, selv om dette varierer veldig ikke bare fra kommune til kommune og fra skole til skole, men kanskje først og fremst ofte fra lærer til lærer. Det er stort behov for økt oppmerksomhet rundt dette. Vi vil også støtte Kristelig Folkepartis forslag som er knyttet til engangsstønaden. Det skal sies at SV egentlig har et annet forslag. Vi ønsker å legge om modellen for denne stønaden sånn at den kan bli en del av foreldrepengesystemet. Sånn vil vi oppheve den forskjellsbehandlingen som i dag er av foreldre i og utenfor arbeidslivet,

og bidra til at alle skal ha best mulig utgangspunkt for å planlegge svangerskap og et trygt seksualliv. Sentrale indikatorer peker i riktig retning med tanke på å nå disse målene. Flertallet i komitéinnstillingen har sagt at en ønsker at en utarbeider en egen ungdomshelsestrategi. Dette har også vært veldig tydelig etterspurt av brukerne, bl.a. av Unge Funksjonshemmede. Brukernes stemme er det viktig å lytte til, og vi ønsker selvfølgelig å følge opp dette forslaget og utarbeide en ungdomshelsestrategi. Det er derfor veldig viktig at vi i det arbeidet også involverer ungdom i å lage strategien. En sånn strategi vil kunne ta for seg hele spekteret av utfordringer knyttet til ungdoms og involvering vil være viktig i det arbeidet. Lett tilgang til prevensjon er et sentralt tiltak for å redusere aborttallene. I 2002 fikk jordmødre og helsesøstre som var ansatt ved helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, adgang til å rekvirere p-piller til jenter i alderen 16–19 år, og i 2006 ble rekvireringsretten utvidet til å omfatte alle korttidsvirkende Fortsatt er det bare leger som kan rekvirere langtidsvirkende prevensjonsmetoder. Regjeringen mener at personellressursene i kommunene kan utnyttes på en bedre og mer hensiktsmessig måte enn i dag. Vi vil derfor gjøre det som et av forslagene inneholder, nemlig foreslå å utvide rekvisisjonsretten for langtidsvirkende prevensjon til også å gjelde jordmødre og Vi vil sende et utkast på høring om dette i løpet av høsten, sånn at endringen kan tre i kraft i løpet av første halvår 2015. Det vil også være en del av forslagene som er oppe her, som det vil være aktuelt å komme tilbake igjen til i legemiddelmeldingen, som skal legges fram for Stortinget våren 2015. Eventuelle forslag om å utvide dagens bidragsordning må selvfølgelig tas i de ordinære budsjettrundene. Informasjon om seksuell helse må være lett tilgjengelig for at unge mennesker skal få tak i den og ha nytte av den. Nettbaserte tjenester som Klara Klok og Helsenorge.no er gode informasjonskanaler for ungdom. Særlig viktig er nettbaserte tjenester for unge som av ulike grunner ikke ønsker å oppsøke helsestasjonen personlig. Vi vet bl.a. at rundt en tredjedel av dem som stiller spørsmål til mens kun 10 pst. av guttene personlig oppsøker helsestasjonen med spørsmål. En fortsatt satsing på nettbaserte tjenester er derfor viktig for å møte unges behov. Ved noen helsestasjoner for ungdom har en etablert egne grupper for innvandrerungdom. Nettbaserte informasjonstjenester kan være et nyttig tilbud for mange med bakgrunn også fra andre kulturer. I regjeringsplattformen ønsker regjeringen å øke engangsstønaden ved fødsel. Satsene har derfor økt fra i år, bl.a. som følge av budsjettforhandlingene i Stortinget. Jeg vil også påpeke at det blir stadig flere foreldre som opptjener rett til foreldrepenger, og at det også er mulig å opptjene foreldrepenger i svangerskapsperioden. En god og tilgjengelig helsetjeneste er viktig for å møte de unges behov. Regjeringen vil derfor følge opp det allerede bredt anlagte arbeidet, og vi vil også følge opp nye tiltak, som utvidelse av rekvisisjonsretten for jordmødre og helsesøstre, og vi vil utarbeide en egen ungdomshelsestrategi der en rekke av de forslagene som omtales her, har muligheten til å bli med. Det er en del av forslagene vi allerede også jobber med, og så er det andre forslag her som har store budsjettmessige konsekvenser, som vi må komme tilbake til i budsjettprosessen. Der har både Kristelig Folkeparti og Venstre en spesiell mulighet til å prioritere dette i de budsjettforhandlingene de har med regjeringen. Det blir replikkordskifte. Ministeren sier at han vil utarbeide en egen strategiplan for ungdomshelse. Hvor mange av de tiltakene som er

som er tatt opp i representantforslaget, som det er helt naturlig også å diskutere i forbindelse med den strategien, og så er det en del av forslagene som vil kreve budsjettinnsats, og da vil det komme til Stortinget uansett.

I komiteens innstilling er Høgre- og Framstegsparti-representantane med på ein merknad om at «økonomiske ordninger for kvinner som føder barn, er en viktig del av det abortforebyggende arbeidet». Høgre og Framstegspartiet i komiteen er òg med på ein merknad om at «dette skjer gjennom en opptrapping av engangsstønaden». No forstår kanskje statsråden kvifor eg er opptatt av å få denne saka tilbake igjen til Stortinget, for kva meiner eigentleg Stortinget om eingongsstønaden når til og med Høgre i i komiteen og statsråden signaliserer så vidt forskjellige ting om eingongsstønaden? Jeg kan garantere at endringer i engangsstønaden er det ikke mulig å gjennomføre i strategier, det må gjennomføres i statsbudsjett. Det kommer en tilbake til i Stortinget, uansett, så den bekymringen trenger ikke representanten Toppe å ha. Vi har økt engangsstønaden som en del av budsjettarbeidet sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er en del av regjeringens politikk. Når Dokument 8-forslag blir oversendt, må jeg også svare tilbake på et faglig grunnlag. Og på et faglig grunnlag har ikke Helse- og omsorgsdepartementet grunnlag for å si at en økning av engangsstønaden vil være et vesentlig virkemiddel i et abortforebyggende arbeid. Det er det min oppgave å svare Stortinget. Så kan en politisk fra Stortingets side mene at dette er ønskelig, det er regjeringens politikk. Men det er noe annet enn også å gi et faglig grunnlag for de beslutningene som Stortinget skal ta. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Som flere har nevnt – aborttallene gir grunn til bekymring. Ingen mener at høy abortforekomst er bra. Ingen kvinner ønsker å bli ufrivillig gravid, eller komme i en situasjon der abort er et alternativ. Det burde derfor være mulig å etablere en bred politisk enighet om å støtte tiltak om forebygging av uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd. Det har vi muligheten til i dag. Mange er positive, men det kreves handling og i neste omgang midler. Men er det vilje, får vi det til. Forebygging av uønskede svangerskap handler i stor grad om å gi ungdom og unge voksne styrket handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og god informasjon om prevensjonsmidler. For å oppnå dette må kvaliteten i skolens seksualundervisning heves, og ideelle organisasjoner som arbeider med ungdom og seksualitet, må involveres sterkere. Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom må sikres ressurser til å følge opp hver enkelt ungdom, samtidig som fastlegene må ansvarliggjøres sterkere i det abortforebyggende arbeidet, bl.a. ved å styrke deres kompetanse om prevensjon.

slik at ikke ansvaret for bruk av prevensjon bare dyttes over på jentene. Kristelig Folkeparti mener det er avgjørende at det forebyggende arbeidet overfor dem mellom 20 og 24 år må styrkes. Det er et paradoks at aldersgruppen med den høyeste abortforekomsten kanskje er den delen av den unge befolkninga med det svakeste Mange av disse er studenter eller unge arbeidsinnvandrere som ikke har noen fastlege i byen. Abortforebygging handler også om å gi kvinner reelle valgmuligheter. Forskere peker på at mange unge kvinner velger abort av økonomiske årsaker. Det er derfor på høy tid at Stortinget øker engangsstønaden ved fødsel og bedrer permisjonsrettighetene til studenter. Det er også viktig å bedre økonomien til aleneforsørgere. Forebygging av svangerskapsavbrudd dreier seg om å ha to tanker i hodet på en gang. For det første må vi forebygge at kvinner som ikke ønsker å bli gravide, likevel blir det, og for det andre må vi sikre at ingen kvinner velger abort fordi de føler at de blir tvunget til det. Eg vil berre gi ei lita stemmeforklaring frå Senterpartiet. Det er

Eg vil berre gi ei lita stemmeforklaring frå Senterpartiet. Det er mange som har vore inne på at det er levert inn mange forslag i denne saka. Det har jo òg som bakgrunn at det var ti forslag i saka då forslaget vart levert frå Kristeleg Folkeparti. Eg vil òg få seia at det er eit veldig bra representantforslag som Kristeleg Folkeparti har levert inn. Det er på ein måte synd at vi ikkje får det tilbake til Stortinget til ein skikkeleg debatt. Men

der vi ber om at desse forslaga vert bakte inn i ei stortingsmelding om seksuell helse og førebygging av abort, der vi konkretiserer kva den stortingsmeldinga skal omhandla. Eg er veldig glad for at Kristeleg Folkeparti signaliserer at dei òg stør det forslaget i dag. Vi har eit forslag som vi står aleine om, og det gjeld eingongsstønaden. Vi meiner mykje av det same som SV og Kristeleg Folkeparti, men vi konkretiserer det opp mot statsbudsjettet for 2015, at eingongsstønaden skal aukast til 1 G i statsbudsjettet for 2015. Så har eg lyst til å kommentera ein merknad Senterpartiet står heilt aleine om. Eg synest han er litt viktig òg. Vi viser til innspel frå Den norske legeforening om at det ikkje er eit mål i seg sjølv at alle kvinner skal nytta hormonell prevensjon. Som andre legemiddel kan ulike prevensjonsmiddel ha betydelege biverknader, og bruken må tilpassast individuelt. Eg synest kanskje det òg må nemnast i ei sak der vi elles er veldig opptatt av at vi må få fleire til å stå på ulike hormonelle prevensjonsmiddel. For all del, det er viktig, men eg trur de skjøner kva eg meiner.

dag. Det er sant, som Venstres representant sa, at dette vil koste penger. Samtidig har jeg lyst til å si at de store aborttallene koster enormt mye menneskelig lidelse – før valget er tatt og etter at inngrepet er gjort. Det koster sykehuspenger i tillegg. Dette må vi ta med oss i regnestykket. Så er inderlig klar over at guttene også må informeres om å få lov til å ta ansvar, og ta ansvar for det de har gjort og vært med på. Samtidig er det jentene som faktisk må ta belastningen med abortinngrepet. Kristelig Folkeparti har ikke sagt at vi ville hatt alle de ti forslagene igjennom med en gang, men vi skulle ønske at vi kunne sagt at det kunne vært en opptrappingsplan. Når vi nå går inn og støtter forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er det i håp om at ikke disse tiltakene skal forsvinne ut i det store intet, men at det faktisk skal kunne bidra til å få en plan som kan ansvarliggjøre oss for å få ned aborttallene, som alle har

har som formål å opprette eit overordna program for investeringar i infrastruktur i EU fram mot år 2020. Ved å fokusere på smart, berekraftig og fullt samankopla transport, energi og digitale nettverk er det tenkt at dette skal bidra til å styrkje Europa sin indre marknad. Den grunnleggjande tanken ved dette programmet er at det skal gje incentiv til investering. EU-kommisjonen har anslått at for kvar investerte euro i infrastrukturnettverket vil innovativ finansiering kunne stimulere til ei ny investering på 6–15 euro, rekna saman til ein verdi av 50 mrd. euro. EU har til liks med den norske regjeringa sett klare mål for breiband med 100 Mbps til heile landet innan 2020. Krevjande innsats og koordinering står framfor oss for å nå målet, og forventningane knytte til det digitale samfunnet er store. Pengane knytte til CEF-prosjektet vil bidra til utbygging av nødvendig infrastruktur, som igjen vil gjere teknologiske løysingar innan ulike sektorar tilgjengelege. CEF-forordninga kan bidra til forenkling, effektivisering og ikkje minst til ei minsking av det digitale klasseskiljet. EØS-komiteen si avgjerd legg opp til at EØS/EFTA-statane berre skal delta i telekommunikasjonsdelen av ordninga for eit samankopla Europa. Noreg si finansielle deltaking vil derfor vere avgrensa til Deltakinga i CEF gjer det òg mogleg for norske offentlege etatar, med samarbeidspartnarar, å søkje midlar til etablering av den norske delen for dei aktuelle digitale. Kort samanfatta vil eg vise til at det er svært viktig for Noreg å vere aktivt med i ordninga for eit samankopla Europa. Det er gledeleg å sjå at denne regjeringa følgjer opp

NSB er i ferd med å gjennomføre en stor jernbanereform med to viktige elementer: en omfattende endring av grunnrutene og en betydelig økning av togmateriellet. Dette har ført til økt frekvens på sentrale togruter med en maksimal utnyttelse av sporkapasiteten. Som eksempel kan det nevnes at det daglig går nær 900 tog gjennom Oslotunnelen. Passasjerveksten for NSB i 2013 var 7,3 pst., som er langt høyere enn tidligere, og viser at NSB har tatt gode grep. Men innføringen av grunnrutemodellen har ikke vært uproblematisk. Nye togtider og frekvenser fører til store endringer også i busstilbudet. Flere togstasjoner og busstopp er blitt lagt ned. Veldig mange passasjerer måtte endre sine reisevaner. Dette gjaldt også ved Steinberg stasjon i Nedre Eiker kommune i Buskerud. Stasjonen ble midlertidig stengt fra og med desember 2012, men i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S for 2012–2013 vedtok Stortinget at stasjonen skulle oppgraderes og gjenåpnes i desember 2014. I forbindelse med Innst. 13 S for 2013–2014 vedtok Stortinget gjenåpning av Steinberg stasjon med en beregnet kostnadsramme på 200 mill. kr. I dag er kostnadene for gjenåpning og oppgradering med utgangspunkt i fortetting rundt stasjonen steget til 300 I forbindelse med budsjettvedtaket for 2012 ble det tatt et forbehold om at Jernbaneverket skulle gjennomføre en trafikksimulering av den detaljerte ruteplanen for å sikre at løsningene er robuste. Trafikksimuleringene tyder på at gjenåpningen av Steinberg stasjon byr på store utfordringer. I brev av 7. april 2014 til komiteen påpeker Samferdselsdepartementet ved statsråden at en opprettholdelse av Steinberg stasjon medfører risiko for at: «– Det lokale ønsket om to tog i timen Drammen-Hokksund kan bli dyrere å realisere enn dersom Det aksepteres at en allerede dårlig punktlighet på strekningen kan bli ytterligere svekket og robustheten reduseres. – Det vil ikke være mulig å innføre jevn totimersfrekvens på Sørlandsbanen, et tilbud som er anslått å generere 100 000 nye passasjerer årlig.» Jeg er glad for at komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, viser til at Samferdselsdepartementets uttalelse er grundig og redegjør godt for fordeler og ulemper ved gjenåpningen. I og redegjør godt for fordeler og ulemper ved gjenåpningen. I denne sammenheng vil jeg også peke på at departementet så sterkt understreker viktigheten av at lokalsamfunnet fortsatt skal ha et godt kollektivtilbud. Jeg vil berømme det sterke engasjementet som lokalbefolkningen har vist. Det har ført til at konkrete tiltak blir satt ut i livet allerede i høst. Det vil bli utført tiltak for å legge til rette for at to innsatstog – to mot Oslo om morgenen og to fra Oslo om ettermiddagen – kan stoppe på stasjonen fra august 2014. Det skal gjennomføres planlagte punktlighetstiltak og deretter settes i gang prøveordning med ordinære stopp på Steinberg stasjon. Den praktiske erfaringen fra prøveordningen vil da være et viktig moment for den endelige beslutningen. Dette vil være en effektiv måte for å prøve ut om Jernbaneverkets trafikksimuleringer er i samsvar med praksis. Regjeringen foreslår også omfattende tiltak på investeringssiden og foreslår at det bør gjennomføres sikringstiltak som gjerder, gangbru, enkle plattformtiltak og planovergang på stasjonen. Det foreslås også at det blir utført tiltak i spor og sikringsanlegg i Hokksund for å få en mer effektiv togkryssing der, samt fjerning av planovergangen i Rødgata ved Gulskogen stasjon i Drammen. Dette arbeidet vil bli gjennomført i 2014–2015, og aktuelt tidspunkt for prøveordning med stopp på Steinberg stasjon vil derfor være ved ruteomleggingen i 2015. Samferdselsdepartementet har igangsatt et arbeid for å bedre kollektivtilbudet i tilknytning til Steinberg stasjon – bl.a. dialog med lokale myndigheter, stopp for ekspressbuss og planovergang på Steinberg. Departementet ønsker også å opprette dialog med fylkeskommunen for at lokalbuss fortsatt skal kunne frakte passasjerene til Mjøndalen og Hokksund stasjoner som ligger 3–4 km unna i hver retning. Som det framgår av departementets brev, har Jernbaneverket tatt oppgaven alvorlig og arbeidet med en rekke alternativer for å identifisere løsninger Jernbanen er et integrert system der selv små endringer kan få uante følgekonsekvenser. Dette gjelder spesielt på strekninger med mye trafikk på høy grad av enkeltsporet bane.

der Samferdselsdepartementet varslet at stasjonen skulle oppgraderes og gjenåpnes i desember 2014, til en kostnad på 100 mill. kr. Senere har kostnadsanslagene økt, og ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 ble Steinberg stasjon med tilhørende tiltak planlagt gjennomført til ruteendring i desember 2014. Tiltakene skulle I sum var kostnadene for alle tiltak nå foreløpig beregnet til omtrent 200 mill. kr, der Samferdselsdepartementet foreslo å bevilge 130 mill. kr til selve Steinberg stasjon. Saken vi i dag har til behandling, er i utgangspunktet en noe merkelig sak. Hvorfor var det nødvendig å fremme representantforslag om at regjeringen måtte følge opp Stortingets vedtak om å gjenåpne Det var jo vitterlig det som var vedtatt av Stortinget ved to statsbudsjettbehandlinger. Vel, da regjeringen la frem Prop. 97 S for 2013–2014, som vi skal debattere nå etterpå, slapp regjeringen katta ut av sekken, vil kanskje noen si. Her sier nemlig regjeringen i klartekst

i forbindelse med behandlingen av representantforslaget framhevet at en opprettholdelse av Steinberg stasjon vil medføre risiko for at: «Det lokale ønsket om to tog i timen Drammen–Hokksund kan bli dyrere å realisere enn dersom Steinberg stasjon legges ned. Det aksepteres at en allerede dårlig punktlighet på strekningen kan bli ytterligere svekket og robustheten reduseres. Det vil ikke være mulig å innføre jevn totimersfrekvens på Sørlandsbanen, et tilbud som er anslått å generere 100 000 nye passasjerer årlig.» Slike forhold tar selvsagt Arbeiderpartiet på det største alvor. Men det er her jeg kommer til poenget om hvorfor saken om Steinberg stasjon og Sørlandsbanen, som stasjonen er en del av, skurrer. Vi dersom den er opptatt av å styrke Sørlandsbanen – som den selv sier – ikke har foreslått økte midler til Sørlandsbanen når de nå foreslår å omprioritere midler som er bevilget til tiltak i tilknytning til Steinberg stasjon. Midlene blir i stedet omdisponert til Vestfoldbanen. Men la det være helt klart: Det så vi støtter selvsagt økt bevilgning dit, når det nå ikke er flertall for gjenåpning av Steinberg stasjon, men det er argumentasjonen som ikke holder mål. Så vil jeg understreke at vi selvsagt er opptatt av å bedre tilbudet på både Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Avslutningsvis vil jeg framheve at Arbeiderpartiet generelt mener at vi skal være varsomme med å behandle åpning og stenging av enkeltstasjoner i jernbanenettet.

Derfor er også Steinberg stasjon i en særstilling. Det er altså Stortinget som har vedtatt at stasjonen skal gjenåpnes, og så mye kan ikke ha endret seg siden budsjettbehandlingen for et halvt år siden. Arbeiderpartiet støtter derfor forslagsstillerne og fremmer forslag sammen med Senterpartiet om at Steinberg stasjon må gjenåpnes for trafikk som planlagt i desember 2014, og at de øvrige tiltakene må ferdigstilles i 2015. Og så er jeg spent på å høre hvorfor Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti går imot et slikt forslag, all den tid det er vedtatt av Stortinget tidligere. Helt til slutt vil jeg ta opp forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i innstillingen. Representanten Sverre Myrli har tatt opp

Så kan vi bare undres over hvorfor de rød-grønne først legger ned Steinberg stasjon i 2012, når de så vil gjenåpne den nesten før den i det hele tatt er lagt ned. Men tilbake til kostnadene: Nå viser det seg at man ikke akkurat hadde tatt for hardt i når det gjaldt å sette en pris på hva dette ville koste, og kostnadene er allerede steget til 300 mill. kr for en eventuell gjenåpning. Så så feil går det an å ta. Departementet har satt i gang et arbeid for å bedre kollektivtilbudet i tilknytning til Steinberg stasjon, f.eks. med stopp for ekspressbuss og planovergang på Steinberg. For selv om dette er en vanskelig sak, er det viktig, uansett hva som skjer her, at kollektivtilbudet for lokalsamfunnet blir godt. Gjenopprettelse av Steinberg stasjon kan, ifølge Samferdselsdepartementet, bl.a. føre til at en allerede dårlig punktlighet på strekningen kan bli ytterligere svekket og robustheten redusert. Vi vet også at det lokalt er et ønske om at det skal settes opp to tog i timen mellom Drammen og Hokksund, men vi vet også at det kan bli dyrere dersom Steinberg stasjon blir gjenåpnet, og mulighetene for to tog i timen på nevnte strekning kan dermed falle bort. Et tredje argument er at det heller ikke vil være mulig å innføre jevn totimersfrekvens på Sørlandsbanen, et tilbud som vil genere ca. 100 000 passasjerer Jeg vet at Samferdselsdepartementet allerede har jobbet grundig med denne saken, og at planen har vært å komme til Stortinget med en plan for hvordan de ser for seg et godt kollektivtilbud for lokalsamfunnet. Det er verdt å merke seg at selv om stasjonen ble nedlagt i 2012, er den ikke gått i glemmeboka. Regjeringen har nå signalisert at de skal gjennomføre de planlagte punktlighetstiltakene, og at de i den forbindelse vil ha en prøveordning med ordinære stopp på Erfaringer herfra vil være viktige å ta med seg før man eventuelt tar en endelig beslutning i saken. Det legges opp til to tog fra Steinberg til Oslo om morgenen, og to tog i retur på ettermiddagen. Går alt etter planen, kan man kanskje starte opp med denne forsøksordningen allerede i august 2014. Dersom dette får negative konsekvenser for kapasiteten og driftsstabiliteten i togtrafikken, må Det kan slå uheldig ut, særlig mellom Drammen og Oslo, men vi krysser fingrene for at dette går bra. Dette handler vel egentlig om hvordan vi skal forvalte og bruke en meget knapp sporkapasitet til det beste for folk flest. Vi ønsker at flest mulig skal bruke toget, og da er det viktig å finne ut hva Norges befolkning er best tjent med. En avveining vil være om vi skal øke frekvensen på Sørlandsbanen til det dobbelte, eller om vi skal åpne Steinberg stasjon igjen. Slik det er nå, ser det ikke ut til at vi klarer begge deler. Jeg er ikke i tvil om hva jeg tror er det beste for landsdelen, dersom disse to sakene ender opp med å bli satt opp mot hverandre når prøveordningen er ferdig. Dersom valget vil stå mellom å øke trafikktilbudet på Sørlandsbanen eller å åpne Steinberg stasjon, vil det å øke trafikktilbudet på Sørlandsbanen veie tyngst for meg. Det har ikke manglet på engasjement i denne saken, og det er bra. Vi liker at folk engasjerer seg i saker, og det er viktig for oss å få innspill. Disse innspillene blir tatt med når saken blir vurdert, både av oss på Stortinget og av departementet. Men det er regjeringens lodd å gjøre avveininger mellom ulike hensyn før det legges fram for oss igjen. Derfor er jeg enig i komiteens forslag til vedtak om at saken vedlegges protokollen. Så kommer regjeringen med sin konklusjon når arbeidet er ferdig. vedlegges protokollen. Så kommer regjeringen med sin konklusjon når arbeidet er ferdig. Dette har vært en sak det fra Nedre Eiker kommunes side har vært knyttet forventninger til at skulle bli løst fra desember 2014, i samsvar med det Stortinget vedtok i budsjettet for inneværende år. I Nedre Eiker som pendlerkommune og i Steinberg som boområde er det viktig og nødvendig med gode kollektivtilbud for å opprettholde og, ikke minst, styrke bosettingen i området. Kommunen har, sammen med en aktiv aksjonsgruppe, arbeidet hardt for å få til en gjenåpning fra desember 2014. Fra Kristelig Folkepartis side har det hele tiden vært viktig at det ikke er økonomien som skal sette en stopper for gjenåpning av Fra vår side har det vært, og er fortsatt, viktig å få til en gjenåpning av stasjonen, men ikke på en måte som truer stabiliteten og forutsigbarheten i regionen og det totale jernbanetilbudet på Sørlandsbanen. Når saken om oppgradering og gjenåpning av Steinberg stasjon har vært mer krevende enn først antatt, handler det om hva gjenåpningen eventuelt kan få av konsekvenser for resten av togtilbudet, som per dags dato, etter vår oppfatning, ikke fullt ut er avklart. Blant annet handler det om usikkerheten om hva dette vil føre til når det gjelder punktligheten for togtilbudet i regionen og på Sørlandsbanen i sin helhet, med bl.a. utfordringene som allerede er nevnt, med å få til en løsning med to tog i timen mellom Drammen og Hokksund og problemene det vil kunne få for den planlagte innføringen av totimersfrekvensen på Sørlandsbanen. Det er nødvendig at det blir stilt tilstrekkelige midler til rådighet, slik at trafikk ved Steinberg stasjon kan innpasses i øvrig trafikk uten at helheten blir skadelidende. De planlagte sikringstiltakene på Steinberg stasjon og investeringene som gjelder gangbro, gjerder, enkle plattformtiltak og planovergang på stasjonen, skal og må gjennomføres. På den måten skal det ikke være manglende sikringstiltak eller andre typer tiltak som skal hindre gjenåpningen av Steinberg. Når det gjelder en av Jernbaneverkets innvendinger, nemlig punktligheten, er vi gjort kjent med at det har vært levert en alternativ analyse fra Trafikkonsept AS. Vår oppfordring til departementet er at en tar et initiativ for å koordinere Jernbaneverkets gjennomgang med den fra Trafikkonsept AS for tungt å gå inn og se på hva det er mulig

Gjennom denne utprøvingen vil en kunne danne seg et endelig bilde av situasjonen med hensyn til hva stopp på Steinberg stasjon vil få av betydning for punktligheten for resten av togtilbudet i regionen og langs Sørlandsbanen. Fra Kristelig Folkepartis side ønsker vi å få til en robust og langsiktig løsning for Steinberg stasjon, og at trafikken ved stasjonen kan innpasses i øvrig togtrafikk, slik at helheten blir styrket. Det bør alle være opptatt av.

Det kan vel heller ikke være slik at man i denne saken setter sin lit til vurderingene et privat konsulentselskap har gjort, mens en i alle andre saker stoler på Jernbaneverket? Etter Kristelig Folkepartis oppfatning må det være riktig først å gjennomføre sikringstiltakene, samtidig som en koordinerer de to ulike analysene om hva som er sjekke ut i praksis hva som fungerer, gjennom en prøveordning, og i mellomtiden setter en i gang to innsatstog, morgen og ettermiddag. Ulempen er at man klart utsetter gjenåpningen. Men det blir likevel et opplegg som er kvalitetssikret, på en langt tryggere måte enn hva en gjenåpning allerede i 2014 vil kunne innebære.

veldig sterk kritikk fra bl.a. Fremskrittspartiet for at stasjonen ble stengt. Det var et sterkt folkelig engasjement fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet både lokalt og her fra Stortinget, og det førte til at en lyktes med å få regjeringa med på å gjøre vedtak om at Stortinget skulle investere 130 mill. kr i 2014 for gjenåpning i 2014 og endelig ferdigstilling i 2015.

Det skjedde også forsøk på omkamp under statsråd Arnstad fra Senterpartiet. Det ble avvist av statsråd Arnstad. Det er spesielt og alvorlig at en etat ikke følger opp stortingsvedtak, og det er spesielt at en statsråd, hvis parti utøvde svært hard kritikk mot de rød-grønne under den perioden, følger opp Jernbaneverkets Det er ganske vesentlig å følge opp Stortingets vedtak, herunder bevilgninger, slik at det skal skje. Derfor fremmet vi representantforslaget om å gjenåpne stasjonen i desember 2014 – fordi konflikten med grunnruta og stopp på Steinberg stasjon allerede var avklart. Men det er en rekke argumenter som er framført i lang tid tilbake fra Jernbaneverket, og det er stadige endringer. Det startet i 2012. Nedleggelsen av Steinberg stasjon ble fremmet før den såkalte stasjonsstrukturrapporten ble sendt på høring, og her er nok rota til debatten. Jernbaneverket har hatt en skiftende argumentasjon og strategi for å sikre nedleggelse av stasjonen – ny argumentasjon som kontinuerlig er blitt tilbakevist, det gjelder perronglengde, spart reisetid, kostnader, to tog i timen, økt frekvens på Sørlandsbanen, punktlighet og robusthet. I 2013 vendte Jernbaneverket seg fra å kommunisere med lokale myndigheter, og de forskjøv et lovet møte med aksjonsgruppa med et halvt år i tid. tid. Jernbaneverket, som er part i Buskerudbysamarbeidet, gjennomfører en splitt-og-hersk-strategi ved å hevde at to tog i timen er uforenlig med Steinberg stasjon – det samme Buskerudbysamarbeidet som storting og regjering bruker svært store midler på, fordi det er det største kollektivsamarbeidet i området, hvor ikke minst økt bruk av jernbanen er noe av det mest sentrale.

Det er argumentert med punktligheten i saken, at punktligheten er for dårlig på strekninga Eidsvoll–Kongsberg. De siste fem månedene har punktligheten vært over kravet på 90 pst., slik at det, sett fra vårt synspunkt, er tilfredsstilt. Det som nå er forslaget fra regjeringa, er en prøveordning med ordinært stopp på Steinberg fra 2015, samtidig som en gjennomfører investeringene på Rødgata og fra 2015, samtidig som en gjennomfører investeringene på Rødgata og Hokksund. Så må en gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på jernbanen i Steinberg med gangbru, bedre plattform, gjerde og det hele, så alt ligger til rette for at en nå kan gjøre det. Når forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke blir vedtatt, så alt ligger til rette for at en nå kan gjøre det. Når forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke blir vedtatt, er det i hvert fall vesentlig at statsråden instruerer om lojalitet fra Jernbaneverket for å følge opp det som nå skjer av investeringer, nettopp for å sikre bruk av jernbanen i større grad enn i

om at vi ikke skal ha et godt reisetilbud på Steinberg stasjon; det er ganske enkelt en avveining av hva som gir det beste jernbanetilbudet. I avveiningen mellom ett stopp, som gir usikkerhet, opp mot det å få et tilbud om to tog i timen mot og som vanskeliggjør en totimersfrekvens på Sørlandsbanen, er det helt klart for oss riktig å prioritere et bedre tilbud mellom Drammen og Hokksund og et bedre tilbud på hele Sørlandsbanen. Så er vi lar seg gjøre, at det er mulig, å få til to innsatstog med stopp på Steinberg stasjon, at det også vil bli satt i gang en prøveordning med ordinære tog etter hvert, og at de nødvendige investeringene gjøres for å få det til.

i og med at den er på Stortinget – er at når en skal planlegge for jernbane, og Stortinget også skal støtte opp under driften på jernbanen, må vi ha en systemtenkning liggende til grunn, der vi planlegger for så god rutefrekvens og så godt tilbud som mulig, som mulig, og at det er det som er drivkraften i utviklingen av jernbanen, og ikke en kamp om hvert enkelt prosjekt. Da får vi ofte et problem med å lage et godt nok totaltilbud. Grunnproblemet er kapasiteten på en jernbane som er gammel, og hvor man har et ensporet tilbud, med de kapasitetsproblemene som ligger i

ikke fordi vi ikke har den største sympati med dem som slåss for et bedre tilbud. Hadde dette vært en sak hvor det bare handlet om en vilje til å bruke ressurser for å få til et bedre jernbanetilbud, ville vi definitivt vært med på det, men her er det en avveining. Den løsningen som nå blir, sikrer et bedre totaltilbud for hele Sørlandsbanen og et bedre totaltilbud også på kort sikt

Vi merker oss at det finnes betydelige penger til å ettergi bompenger – i statsrådens prioriteringer – men ikke penger til å gjennomføre den oppgraderingen, den satsingen, på Steinberg stasjon som vi mener er riktig, og som Stortinget har vedtatt. Hvordan en legger opp jernbanelinjer, skinnegående transport, hvor en legger stasjoner som skal ha et tilbud, er avgjørende for den helhetlige politikken for utvikling av areal, fordi det er der det er stasjoner, vi ønsker oss fortetting. Det er der kommunene legger opp til fortetting. Det å skape usikkerhet på den måten som jeg oppfatter at stortingsflertallet gjør i dag, er ikke bra

Jeg tror bare vi skal tenke på hvor mye juling daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fikk i media på grunn av konstante forsinkelser på jernbanen på Østlandet. Den nye rutetabellen har åpenbart vært en suksess også for å bedre det. Dessverre gikk det med noen jernbanestasjoner i den forbindelse, nettopp for å ha en robusthet i systemet. En del steder er de fortsatt stengt, men Bakgrunnen er at den rød-grønne regjeringen ombestemte seg etter at de hadde vedtatt stasjonen nedlagt, og vedtok å åpne den igjen. Jeg konstaterer – til tross for det vedtaket – at det ikke ble gjort en eneste ting under daværende regjering for å gjøre forberedelser for å åpne stasjonen. En hadde ti måneder, og en hadde selv bevilget penger til tiltak. De ble ikke påbegynt. Å fraskrive seg ethvert ansvar for det er litt historieløst. Dagens regjering har brukt mye tid på denne stasjonen. Vi sier at vi skal bruke 65 mill. kr i år på tiltak som har å gjøre med punktlighet, med sikkerhet og med det å sette inn innsatstog på stasjonen. Det vil allerede i år begynne å stoppe tog igjen på Steinberg stasjon – sannsynligvis tidligere enn de rød-grønne hadde lagt opp til. Men en får ikke et fullgodt rutetilbud, og det handler ikke om vilje, det handler ikke om det handler rett og slett om at det var én forutsetning i det vedtaket som ble gjort, én forutsetning fra den rød-grønne regjeringen som ingen av de rød-grønne politikerne har tatt seg bryet med å nevne i denne debatten. Derfor bør de rød-grønne lytte når de får høre hva de selv skrev. Det står i proposisjonen for 2014 fra den rød-grønne regjeringen: «Jernbaneverket vil gjennomføre en trafikksimulering av den detaljerte ruteplanen for å sikre at løsningene er robuste.» Det ble gjort løsningene var ikke robuste. Jernbaneverket sa at gjenåpning av stasjonen i 2014 med de grepene som var gjort – altså knapt noen – ville medføre store forsinkelser på banen. Da er det ikke ansvarlig bare å gjenåpne stasjonen, slik som de rød-grønne vil, i hvert fall når de selv ikke har bidratt til å gjøre tiltak. Det er nettopp de tiltakene denne regjeringen nå skal gjennomføre, slik at vi får en robust løsning på denne linjen. Det er derfor vi sier at vi kan ha innsatstog nå det gir et tilbud i rushtiden, samtidig som en opprettholder bussrutetilbudet som er der. Men vår målsetting er at når grepene er gjort, skal man allerede fra sommeren 2015 ha en prøveordning der en har regulær stopp igjen. Det er handlekraft, selv om det ikke skjer så fort som den rød-grønne regjeringen ville, men det er rett og slett fordi forutsetningen til den rød-grønne regjeringen for å åpne ikke er innfridd. Det må en ta med seg i dette. Jeg skulle gjerne likt å høre de rød-grønne partiene forholde seg til helheten i det de skrev, da de satt i regjering. Så synes jeg forholde seg til helheten i det de skrev, da de satt i regjering. Så synes jeg det er litt spesielt når de rød-grønne partiene sier at uavhengig av hva som skjer med alle andre stasjoner, all annen punktlighet på linjene, skal Steinberg stasjon åpnes, uansett. Det synes jeg er uansvarlig. Denne regjeringen vil gi et reisetilbud til flest mulig. Det betyr at vi må sikre fleksibilitet, forutsigbarhet, på det er det ene hensynet en må ta. Det andre er at vi vil gi et bedre tilbud på mange av disse linjene. Derfor har vi foreslått at vi fra desember 2014 skal doble kapasiteten på Sørlandsbanen. Det kommer til å ligge i budsjettet for 2015. Det har altså vært kjent i media – representanten Myrli har åpenbart ikke fått det med seg, men det betyr ikke at det ikke eksisterer, det har vært behørig omtalt mange ganger denne våren. Der ligger denne regjeringens satsing, og jeg er veldig glad for at vi har fått støtte i media også fra Kristelig Folkeparti og Venstre for å gjøre dette. Det at de rød-grønne partiene sier at Sørlandsbanen ikke er viktig fordi en heller skal prioritere Steinberg stasjon hvis det blir konflikt, synes jeg er feil prioritering. Denne regjeringen skal prøve å få til begge deler, men hvis det betyr at Steinberg stasjon må vente et halvt år for å være sikker på at en har gode rutetider og robusthet i systemet, venter vi det halve året. Men Steinberg stasjon jobber vi for å åpne. Jeg minner om at også når det jobber vi for å åpne. Jeg minner om at også når det gjelder de 65 mill. kr til Farris- og Porsgrunn-strekningen, er det for å få en raskere og bedre løsning også på den jernbanestrekningen. Det er rett og slett fordi vi ikke hadde klart å bruke alle de pengene som var avsatt i år, slik som vi skulle ønske. Derfor sier vi at vi må bruke dem på andre jernbanestrekninger, der vi kan opprettholde framdriften. framdriften. Det er altså ikke Sørlandsbanen som trenger investeringer i spor. Det er snakk om å kjøpe mer tjenester, og de pengene foreslår vi å bevilge. Det blir replikkordskifte. Det er

Når det nå skal investeres i samtidig innkjør på Hokksund og i å sikre planovergangen i Rødgata, hvor mye tid vil spares med dette, og hvorfor kan ikke den tida brukes til å stoppe på Steinberg stasjon? Det er nettopp det som skal gjennomføres, samtidig innkjøring på Hokksund og å sikre planovergangen vil gjøre at en får akkurat de minuttene ekstra som sannsynliggjør at en bør ha en prøveordning. Jeg tror en prøveordning nå vil være positiv. positiv. Derfor er nettopp de grepene som vi gjør her, det som trengs for å sikre at Steinberg stasjon kan gjenåpnes. Men det som er forskjellen på dagens regjering og flertallet i Stortinget og det de rød-grønne foreslår, er at uavhengig av om tiltakene er gjennomført i 2014, uavhengig av hva simuleringene viser, skal en åpne Steinberg stasjon i 2014. Det betyr altså at en ikke får en dobling av kapasiteten på Sørlandsbanen, og det betyr at en kan risikere betydelige forsinkelser på øvrige strekninger inn mot Oslo S. Det vil jeg fraråde. En ser på øvrige strekninger inn mot Oslo S. Det vil jeg fraråde. En ser på de simuleringene Jernbaneverket har gjort, at sannsynligvis vil i hvert fall ett tog per dag få en forsinkelse på mer enn 5 minutter utover det som er forsinkelsene i dag. Punktligheten er god på store deler av Østlandet, men akkurat på denne banen er den ikke fullt så god.

Det betyr at sammenlignet med i dag vil sannsynligvis minst ett tog per dag være mer enn 5 minutter forsinket utover det som er tilfellet i dag. Det gir ikke det tilbudet som jeg ønsker. Derfor er det viktig at vi gjør investeringer som gjør at folk kan stole på at togene til og fra Steinberg går når de skal, at folk langs øvrige deler av linjen er fornøyd, og at en ikke også får en forsinkelse som forplanter seg til resten av østlandsområdet. Jeg har allerede signalisert i det som er skrevet til Stortinget, og det jeg har sagt nå, at vi jobber for å få en gjenåpning av stasjonen. Vi vil allerede nå sette inn innsatstog. Det er raskere enn det de rød-grønne ville. Men for å få en fullverdig gjenåpning som er robust, vil jeg først vite om det virker. Simuleringene tyder på at det ikke ville det, og derfor må tiltakene på plass først.

Jeg husker at Fremskrittspartiet lokalt i Buskerud var veldig for gjenåpning av Steinberg stasjon. Jeg mener bestemt at Fremskrittspartiet og Høyre i Stortinget også var enig i det ved behandlingen av statsbudsjettet, og det er altså, som jeg sier, ikke lenger sida enn bare noen måneder, under behandlingen av statsbudsjettet for Samferdselsdepartementet i desember 2013 av budsjettet for 2014. Så spørsmålet mitt er rett og slett: Hvorfor endret Høyre og Fremskrittspartiet syn i saken på så kort tid? Hva var det som skjedde i løpet av vinteren som gjorde at Høyre og Fremskrittspartiet endret oppfatning? Et replikkordskifte hadde vært bedre om en faktisk hadde fulgt med på de svarene som har blitt gitt, for jeg har allerede sitert hva den rød-grønne regjeringen selv skrev i budsjettproposisjonen for inneværende år. Der står det: «Jernbaneverket vil gjennomføre en trafikksimulering av den detaljerte ruteplanen for å sikre at løsningene er robuste.» robuste.» Den konklusjonen de kom til etter at de hadde gjennomført simuleringen, var at denne løsningen ikke er robust, altså bare å gjenåpne stasjonen uten at tiltakene er ferdigstilt. Det er forskjellen her. Over bordet i Stortinget foreslår de rød-grønne at stasjonen skal gjenåpnes i år, selv om tiltakene ikke er ferdigstilt. De hadde altså ikke igangsatt fysisk disse tiltakene da de selv satt i regjering. Det vi sier, er at tiltakene må på plass. Vi skal allerede nå sette inn innsatstog, fordi det gir et visst tilbud innenfor det som er robust. Men når det gjelder å få en permanent stopp, vil det skje fra sommeren 2015, for da er også tiltakene ferdig. Jeg registrerer at de rød-grønne heller prioriterer å si nei til dobling av kapasiteten på Sørlandsbanen inntil videre. Det synes jeg er feil. Etter våre hoder er det ikke slik at man setter ulike tiltak innenfor samferdselssektoren kollektivtrafikken opp mot hverandre. Man kunne droppet noen av bompengeprestisjeprosjektene til Solvik-Olsen eller skattekuttene osv. Det er ganske små penger vi snakker om i den store sammenhengen. Men det var ikke det som egentlig var poenget mitt. Jeg lurte på om statsråden hadde noe å si til eller dele med dem som har opplevd dette på aller nærmeste hold. De sier nemlig at de synes det er vanskelig å forstå at det ved gjentatte anledninger kommer opp nye momenter som er den egentlige årsaken til at stasjonen ikke kan gjenåpnes. Det er penger, så var det Sørlandsbanen, så var det at det ikke var teknisk mulig, og så var det forsinkelser – hver gang det har kommet opp et nytt moment, har i hvert fall mange på Steinberg et inntrykk av at de var ikke bra nok de svarene som man klarte å levere, og så kom det nye momenter opp i saken. Hva slags beskjed synes du

men som åpenbart ikke var så viktig for den rød-grønne regjeringen. Dette er altså ikke et problem med hensyn til penger i seg selv, men det handler om at selv om en har aldri så mye penger, tar det en viss fysisk tid å gjennomføre en del prosjekter. Det er derfor vi har sagt at de prosjektene som kan gjennomføres nå, de setter vi i gang med nå og finansierer nå. Men noen prosjekter tar rett og slett tid, og det er naturlig at de ferdigstilles i 2015, og da vil det komme en bevilgning som gjør at de kan ferdigstilles. Men vi har vist all god vilje. Vi har vist den handlekraften som trengs for at vi allerede nå kan sette inn innsatstog, at vi kan sette i gang en gjenåpning av Steinberg stasjon i 2015. Men det tar dessverre tid, for vi begynner i stor grad på scratch. Samferdselsministeren har tillært seg en debatteknikk som ikke er særlig ærefull, der han tillegger stortingsrepresentantene motiver og

og slutte å tillegge stortingsrepresentanter motiver og synspunkter de ikke har. Spørsmålet mitt er: Kan ministeren belegge hvor han har synspunktet sitt fra om at de rød-grønne ønsker å redusere tilbudet på Sørlandsbanen? Det jeg har sagt gjentatte ganger, er at denne regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å doble kapasiteten på Sørlandsbanen ved å bevilge mer penger fra Vi har også gått ut i media og sagt at vi har bestilt en utredning og en vurdering fra både Jernbaneverket og NSB av om det er teknisk mulig og om man har materiell. Alt tyder på det så langt. Jeg veldig glad for at Kristelig Folkeparti og Venstre har signalisert støtte til dette. Det er da jeg sier, når en vet kapasiteten på det sporet som Sørlandsbanen går på gjennom Buskerud, at en vil ha problemer hvis Steinberg stasjon gjenåpnes i den stand den er i i dag. Da vil en ikke kunne doble kapasiteten. Jeg sa ikke at de rød-grønne foreslår å redusere sammenlignet med i dag, men de er imot den doblingen hvis det kommer i konflikt med Steinberg. Da prioriterer de rød-grønne Steinberg. Vi vil prioritere dobling av kapasiteten på Sørlandsbanen. Fra sommeren 2015 håper jeg at begge deler er på plass, men i valget mellom Steinberg stasjon og Sørlandsbanen velger jeg Sørlandsbanen for det halve året. Replikkordskiftet er over. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Passasjerer er en brysom ting – særlig de som vil av og på. For da

Togpendlerne fra Steinberg dannet en aksjonsgruppe som kjempet for å beholde stasjonen sin. De har aksjonert lenge, men ikke bare ved å protestere. De har nedlagt et betydelig arbeid i å dokumentere og skissere alternativer til nedlegging av stasjonen. De har ikke tegnet et luftslott. Profesjonelle tog- og ruteplanleggere har vært engasjert. Forslagene deres lar seg gjennomføre. De har vært på mange møter i departement og storting. I forrige periode fikk vi på Buskerud-benken hyppige besøk av aksjonsgruppa. De viste plansjer og forklarte. Alle partier lyttet og nikket. Hele Buskerud-benken lovte å stille opp med det vi kunne. Det påhvilte oss rød-grønne et spesielt ansvar. Vi hadde flertall og regjering, og i budsjettproposisjonen for 2013 ble de hørt. «Helomvending» av den forrige regjeringa, skriver statsråd Solvik-Olsen i sitt svarbrev til komiteen, i et forsøk på å snakke saken ned. Å lytte til folk, pleier jeg å kalle det, men la gå, for det var en helomvending av det gode slaget. Penger kom i budsjettet for 2014. Stasjonen overlevde til og med regjeringsskiftet – trodde vi, for pengene ble stående. Folk på Steinberg var fornøyde, alle partiene på Buskerud-benken, daværende statsråd Arnstad, alle var glade – alle unntatt Jernbaneverket. Problemfokus framfor løsningsorientering er en fin ting for den som ikke vil. Sett gjerne folk opp mot hverandre Sørlandsbanen og Hokksund opp mot Steinberg f.eks. Jeg har opplevd noe lignende før, da flytoget skulle til Drammen. Stortinget hadde bevilget 50 mill. kr, statsråden hadde proklamert 1. mai 2009 som startdato. Flytoget trengte P-hus. Jernbaneverket mente det skulle gode grunner til for at de skulle engasjere seg i P-hus i Drammen. Så 31. oktober 2008 spurte jeg statsråden om vedtak i storting og regjering var grunn god nok. P-hus kom, men det var takket være kommunen. Steinberg ligger midt i Buskerudbyen, kollektivsatsinga til stat, fylke og fem kommuner, og er pekt på som et gunstig sted for utvikling på grunn av godt kollektivtilbud, som kan styrkes ytterligere. Men Fremskrittspartiet og Høyre har snudd, eller nei, helomvending heter det visst – eller var det gjennomføringskraft? Uansett, vi skulle ikke behøve å foreslå at stortingsvedtak gjennomføres. Men vi har altså ennå mulighet til å vise hvem det er som styrer, ved voteringa seinere i kveld. Steinberg er et lite og Steinberg er et lite og sjarmerende tettsted i Nedre Eiker kommune i Buskerud. Der bor det ca. 2 000 mennesker, og drøyt en tiendepart av dem brukte toget daglig da det fortsatt stanset ved stedets stasjon. Steinberg er egentlig prototypen på et sted der vi ønsker at toget skal stanse. Stedet er på en måte en liten drabantby til Drammen. Høsten 2012 ble stasjonen stengt, til stor fortvilelse for mange pendlere. Og høsten 2012 hadde landet en rød-grønn regjering. Da den nye regjeringen tok over mer enn ett år senere, var det heller smått med føringer å finne i Samferdselsdepartementets skuffer for når en gjenåpning av stasjonen skulle finne sted. Det er det kanskje verdt å minne personene bak dagens Dokument 8-forslag om. Det var flere av oss Buskerud-politikere – uavhengig av partifarge – som var høyt på banen og krevde gjenåpning av stasjonen da vi kjempet om velgernes gunst i fjor. Men det viste seg, dessverre, at det ikke er så enkelt som bare å gjenåpne stasjonen og la togene stanse. Det står absolutt ikke på vilje fra regjeringen i denne saken. Det er faktisk ingen sak våre folk i Samferdselsdepartementet har brukt mer tid på etter regjeringsskiftet enn nettopp Steinberg stasjon. Det viser hvor vanskelig saken er. En driftig aksjonsgruppe, som kjemper for togstopp, setter stadig spørsmålstegn ved flere av Jernbaneverkets argumenter for stenging. På flere områder har det vist seg at aksjonsgruppen har hatt rett. Men på ett område må jeg som politiker støtte meg til Jernbaneverket. Det er når det kommer til simuleringer av togstans, som viser at det kan føre til forsinkelser som forplanter seg til togtrafikken på Sørlandsbanen og lokaltrafikken inn til Oslo. Jeg er ikke ruteplanlegger og må velge å stole på fagekspertisen. For denne regjeringen skal ingenting være uprøvd. Vi avhjelper pendlerproblemene på Steinberg ved at vi allerede 18. august innfører to innsatstog til Oslo med stopp på Steinberg i morgenrushet, likeså to innsatstog i motsatt retning og med stans på ettermiddagen. Det vil gi de aller fleste med normal arbeidstid muligheten til igjen å bruke toget fra og til Steinberg. Fordi denne regjeringen liker å være sikker i sine saker, etableres det et prøveprosjekt med togstans hver time. Det skjer etter en del utbedringsarbeider på strekningen Drammen–Hokksund, og startes opp neste sommer, som statsråden orienterte om i sitt innlegg. Da vil vi få det endelige og riktige svaret på om Jernbaneverkets simuleringer av togtrafikken virkelig holder vann. Gjør de ikke det,

Vi bygger ut veldig mye jernbane i dette landet for å sikre at den tar mange passasjerer og utnytter det som er jernbanens store forse: kapasitet, punktlighet og hastighet. Punktlighet er et utrolig viktig element for jernbanen. Når vi har samtale med dem som transporterer gods på jernbane – det fins faktisk noen av dem fortsatt – er det én ting de påpeker, og det er punktlighet, punktlighet, at varen kommer fram til rett tid på rett sted. Punktlighet er også viktig for dem som skal på arbeid, at man faktisk kommer på arbeidsplassen til rett tid. Så er det slik at i et trafikkert sentrumsområde som Oslo-regionen, er det utrolig mange tog. 70 pst. av togtransporten foregår i vårt område. Vi er nødt til å stole på at de som sitter med fagkompetansen, greier å styre denne trafikken gjennom en oslotunnel som er nesten sprengt. Vi har et problem allerede i dag med punktlighet på en rekke strekninger. Man kan ikke undervurdere det elementet. Det vi må satse på, er å få et bedre samspill mellom tog og buss – hvor skal toget stoppe, og hvor skal bussen bidra? bidra? I forbindelse med ruteendringene i 2012 var jo noe av suksessen at man snudde bussrutene og matet til toget, slik at toget kunne bli fullt. Og veksten kom. 7,3 pst. er mye mer enn NSB noen gang har vokst; det har stort sett vært på null. Men de frakter 67 millioner reisende totalt sett, altså Det skal mye til å kunne ha oversikt over hvordan det skal gjøres, med det materiellet man til enhver tid har. Man er avhengig av godt materiell, man er avhengig av mannskap, og man er avhengig av at man har et stoppmønster som bidrar til at jernbanen faktisk kan være en konkurransedyktig aktør.

Det som er problemet i denne saken, er ikke punktligheten, men rapporten om stasjonsstruktur, en såkalt markedsbasert stasjonsstruktur med færre stasjoner. I Buskerud har vi erfaringer med Darbu stasjon. Den skulle også nedlegges – en mindre stasjon enn Steinberg. Den ble sikret i en tidlig fase og er i dag et glitrende eksempel på en vellykket stasjon som tiltrekker seg stadig flere kunder. Og det er et suksesstiltak det som der skjedde. Så har vi Hallenskog stasjon i Røyken i Buskerud, som er midlertidig åpnet igjen, som også er i samme kategori. Når statsråden snakket om Steinberg kontra dobling av kapasitet på Sørlandsbanen, var vel det en forsnakkelse. Jeg regner med at det statsråden mente, var to tog i timen til Kongsberg, altså Men det er jo helt andre investeringer enn for Steinberg stasjon. Det er en helt annen sak, både i tid og i penger. For å få til det må en utbedre stasjoner som i dag kjøres på dispensasjon fra Jernbanetilsynet, en må sikre krysningsspor, og en må sikre planoverganger. Vi står sikkert overfor investeringer langt over 1 mrd. kr, langt fram i tid, noe helt annet enn Steinberg i 2015. Så det må være en misforståelse. Det er to ulike saker. Det som nå er saken, er Steinberg stasjon. To tog i timen ligger fram i tid. Det innebærer store investeringer som følge av at en ikke investeringsmessig har holdt tritt gjennom mange, mange år, noe de rød-grønne startet på og gjorde en kjempeinnsats for, og som skapte optimisme for de mange som kjører tog i ulike sammenhenger. Jeg skal bare oppklare et par momenter. For det første: De rød-grønne representantene har sagt at stasjonen overlevde under de rød-grønne, og så har den plutselig nå blitt stengt. Nei, den ble faktisk stengt under de rød-grønne. Det stoppet ikke et tog der i 2013 det siste året de rød-grønne styrte. Og så snakker de som om det nå er avgjort at stasjonen skal stenges. I hele denne debatten har jo både Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkepartis representanter sagt at de jobber for å åpne den. Sågar er det nå ca. to måneder til de første innsatstogene begynner å stoppe på stasjonen igjen. Det er ikke å stenge en stasjon å si at togene skal stoppe der; det er poenget med stasjonen. Så sier vi også at om ca. ett år skal vi begynne prøveordningen med å ha permanent stopp igjen, for da regner vi med at vi har gjennomført de grepene som må til, som har vært etterlyst fra de rød-grønne representantene, som sparer tid i systemet, og som gjør at vi har den tiden vi trenger for å få robuste stopp. Ergo er vi i retning av å åpne stasjonen, ikke av å stenge den. Det er gjerne litt trist for rød-grønne representanter, som fremmet et forslag i troen på at de skulle ta dagens regjeringsparti. Men vi viser tvert imot at vi leverer på de løftene vi hadde. Vi var kritiske til det som ble gjort under forrige regjering. Nå er vi i gang med å rydde opp igjen. Så blir Darbu stasjon nevnt av representanten Lundteigen. Jeg er helt enig: Darbu stasjon er det en god utvikling på. Men det interessante er jo at de rød-grønne partiene viser til en uavhengig rapport som er gjort om Steinberg stasjon, der rapporten konkluderer med at Steinberg stasjon kan gjenåpnes hvis en begynner å stenge Darbu stasjon for mange avganger. Nettopp det som Lundteigen sa var en suksess, suksess, vil en altså argumentere for at en skal stoppe, for da skal en heller ha togene til å stoppe på Steinberg stasjon igjen. Jeg mener vi skal få til grep her som gjør at begge stasjonene skal kunne være åpne, men jeg vil være sikker på at det fungerer før jeg forplikter meg til det. Og da kommer Sørlandsbanen inn. For jo, vi snakker om å doble antall avganger på toget fra Kristiansand til Oslo. Det handler om å kjøpe flere avganger fra NSB. Det har vi signalisert tydelig i media; det har vært en debatt rundt det.

Jeg vil få til dette, men jeg vi få til et opplegg som fungerer. For jeg er helt enig med representanten Elvestuen i at skal man gi et godt tilbud til de reisende, skal det være attraktivt å reise med tog, hjelper det ikke at toget stadig vekk er 4, 5, 10 eller 15 minutter forsinket. Det burde ikke minst rød-grønne politikere vite, som har hatt sin egen statsråd i en storm uten like i lang tid i 2011–2012. Samferdselsministeren hevder at de rød-grønne jobber imot økning av kapasiteten på Sørlandsbanen. Det er

I dag er det fire avganger gjennomgående mellom Oslo og Kristiansand. Nå har samferdselsministeren i debatten i dag lovet at han skal doble togtilbudet på Sørlandsbanen. Det er veldig bra. Jeg har aldri hørt at han har vært så konkret før. Jeg håper det ikke var en forsnakkelse. Dobling av fire – han har da lovet åtte avganger mellom Oslo og Kristiansand. Det er som sagt veldig bra. Men det står ingenting i de dokumentene vi har fått, verken i Prop. 97 S for 2013–2014 eller i korrespondansen mellom komiteen og departementet ved behandlingen av representantforslaget, at Steinberg stasjon vil umuliggjøre å doble kapasiteten på Sørlandsbanen. Det det står, er at en gjenåpning av Steinberg stasjon umuliggjør totimersfrekvens på Sørlandsbanen. Det skriver og dobling av kapasiteten – det er riktignok et totall i begge uttrykkene, men dobling og totimersfrekvens kan da ikke være det samme. Altså skal antall tog økes med fire mellom Oslo og Kristiansand, fra fire til åtte, og da må jeg virkelig si at jeg tror saken om Steinberg stasjon gis uante dimensjoner og konsekvenser. Hvis gjenåpning av Steinberg stasjon umuliggjør å øke togtilbudet med fire tog i døgnet mellom Oslo og Kristiansand, må jeg si jeg er ganske tvilende til om viljen til å prøve å finne løsninger på dette i det hele tatt har vært til stede. Jeg liker ikke at vi behandler enkeltforslag om jernbanestasjoner i jernbanenettet, men her er historien helt spesiell, for her har Stortinget ved to anledninger, først i 2012, vedtatt at Steinberg stasjon skulle gjenåpnes. Og det er ikke riktig som representanten Godskesen sa tidligere, at det ble vedtatt i valgåret 2013, det ble vedtatt i 2012. Først ble det vedtatt ved budsjettbehandlingen for 2013, i 2012, og så ble det vedtatt ved budsjettbehandlingen for 2014, i 2013. Som sagt: Jeg liker ikke at vi må gå til det skrittet at vi tar opp enkeltstasjoner på denne måten, men jeg liker heller ikke at Stortingets vedtak ikke følges opp. Det hørtes ut som presidenten håpet at det forble den sist inntegnede også – men det var egentlig et spørsmål til statsråden jeg hadde, så vi får se hva som

Jeg skal prøve å holde meg for god til det, men bare minne om at statsråden for kort tid tilbake besøkte Steinberg stasjon sånn litt utpå kveldsleite en lørdag, hvor det ikke var noen der, og la ut en på Facebook med seg selv smilende foran skiltet på Steinberg stasjon. Jeg la all godvilje til, så jeg svarte på det bildet da det begynte å dukke opp i andre medier, i nettaviser og sånn, og så la jeg ut at det ser ut som vi har en positiv sak i vente. Når vi attpåtil hørte at det skulle være pressekonferanse, var vi jo helt sikre. Så da la jeg ut en melding til om at ja da, jeg hadde rett, her er det store ting på gang. Så ble ikke bare jeg skuffet, men andre også. Det skyldes jo bl.a. det som står i den saken vi skal behandle senere her i dag. Der, etter at Der, etter at det står om innsatstog som kan stoppe på stasjonen, står det at etter at disse tiltakene og de andre ruteendringene er gjennomført, kan det være aktuelt med en prøveordning med ordinære stopp på Steinberg stasjon. Om prøveordninga blir satt i verk, må den kunne stoppes dersom det oppstår negative konsekvenser på kapasiteten og driftsstabiliteten som fører til forsinkelser osv. Og så står det at Jernbaneverket i samarbeid med Statens vegvesen vil vurdere om det senere kan etableres et stopp for ekspressbuss osv. Jeg synes at statsråden i salen her i dag har uttrykt seg mye tydeligere enn det som står i den saken Stortinget senere skal behandle, så det hadde vært få bekreftet, om de forbeholdene som egentlig ligger i den saken vi skal behandle etterpå, er vekk, fordi saken har utviklet seg underveis, og om statsråden virkelig har ment å være så tydelig som han har vært – at hans ambisjon er at Steinberg stasjon skal gjenåpnes. Hvis den ambisjonen er så klar og tydelig at det kommer til å skje, men at det bare blir en liten forsinkelse, så kanskje vi kan tilgi det. Da har statsråd Ketil Solvik-Olsen tegnet seg til innlegg. Presidenten har både kveld og natt foran seg, så vi kan holde på lenge her. Når Stortinget spør, skal Stortinget få svar. Grunnen til at en ikke gjenåpner i 2014, er at forutsetningen som de rød-grønne la inn – jeg understreker at de rød-grønne la det inn, men de har altså ignorert det fullstendig i denne debatten – var at simuleringen til Jernbaneverket skulle vise en robust Det gjorde ikke simuleringen, og derfor kan en ikke gjøre dette fra 2014, med mindre en tar risikoen på store forsinkelser. Den risikoen vil ikke jeg ha, fordi jernbanenettet på hele Østlandet handler om mer enn én stasjon. Når det gjelder dobling av Sørlandsbanens avganger, minner jeg bare om at det er ikke snakk om at to timers frekvens med avgang fra Kristiansand er to timer også om natten. Det er jo snakk om å prøve å ha en to timers frekvens når folk normalt er oppe og skal reise til jobb. Derfor vil altså ikke vi sette inn tog som går kl. 00.30, kl. 02.30 og kl. 04.30 – vi vil sette inn tog som går når folk pendler. Derfor er det der problemet er. De fleste togene har veldig mye ledig kapasitet på Sørlandsbanen om natten, så da hadde ikke Steinberg stasjon vært et problem. Men hvis en skal ha de togene til å gå når andre folk også tar lokaltogene, når det er ekstra rushtidstog, da så det er oppklart. Her burde ikke representanten Myrli se noen problemstillinger. Når det gjelder det jeg har sagt, står jeg ved det. Men jo lenger vi har jobbet med dette, jo mer robust ser vi at den løsningen regjeringen har, fungerer. Men vi har altså måttet begynne ganske på scratch med å finne de løsningene. Derfor har vi ikke vært så skråsikre på hvor vi trodde dette skulle ende til å begynne med. Men når vi ser hva som er mulig, er vi ganske trygge på at dette skal vi gjøre. Men jeg gjentar likevel det som er forutsetningen, at prøveordningen vil vise om dette er så robust som det vi tror det er. Vi vil heller se virkelighetens resultat enn bare å se på modellene. Skulle vi bare stolt på modellene her, sånn som de rød-grønne forutsatte, hadde vi ikke gjenåpnet Steinberg stasjon. Det ville også vært forutsetningen fra de rød-grønne. Vi gjør tiltak, vi skal se erfaringene, og så håper jeg at fra sommeren 2015 er Steinberg stasjon i regulær drift. Men vår vilje til å få til dette er jo fundamentert allerede fra 18. august, når togene begynner å stoppe igjen. Hvis vi ikke hadde til hensikt å ha stasjonen åpen, hadde vi heller ikke satt inn innsatstog på den stasjonen. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

en oppdatert kostnadsramme. Disse forslagene har komiteens enstemmige støtte. Når det gjelder punktet om Vestfoldbanen og Steinberg stasjon, oppfatter jeg det sånn at Stortinget gjennom den siste debatten vi hadde her i sted, har fått godt belyst partienes standpunkter, og jeg trenger ikke å redegjøre nærmere for det. Også på de punktene hvor komiteen er uenig, vil det enkelte parti komme tilbake til det. I denne proposisjonen legges frem de første statusrapportene for regjeringens arbeid med organisering av hele samferdselssektoren. En av dem er orienteringen om et veiselskap, et veiselskap som skal bygge ut vei mer helhetlig, gi mer effektiv ressursbruk og større satsing på de mest samfunnsøkonomiske og lønnsomme prosjektene. Det denne proposisjonen gir et veldig klart inntrykk av, er at nå skjer det veldig mye på samferdselsfeltet. Det er klart at det er en ny politikk, men jeg tror også vi har en regjering og en samferdselsminister som inspirerer

prosjektfinansiering. To måneder senere lanserte NAF sitt helhetlige forslag til hvordan et nytt veiselskap skulle se ut. Nylig presenterte også Flytoget hvordan de ville omorganisere jernbanen, på et møte med transportkomiteen. Det er åpenbart at den rød-grønne endringsvegringen har ført til at mange ideer har forblitt nede i skuffen, og at endringsviljen hos det nye borgerlige flertallet er helt tydelig. Det er også grunnen til at det kommer mange innspill til oss her på Stortinget. Man ser at det ikke er alt man har gjort tidligere, som har vært optimalt. Man ser at man kunne fått mer ut av hver bevilget krone. Jeg forventer ikke at Arbeiderpartiet eller de andre partiene fra den rød-grønne regjeringen skal støtte alle de nødvendige endringene vi må gjennomføre, men det forundrer meg at det gjør så lite inntrykk på de rød-grønne samferdselspolitikerne når organisasjon etter organisasjon, når ekspert etter ekspert innen transportsektoren, kommer og ber om endring, at Arbeiderpartiet har så lett for bare å se bort fra det. Et eksempel på det er en av dagens saker i NRK. Når de fire samarbeidspartiene går sammen om å ønske en helhetlig OPS-strategi, og vi har store forventninger til regjeringens arbeid med å bygge vei og bane ved bruk av OPS, er det en kontant avvisning fra Arbeiderpartiet. Representanten Sund sier: «Om man kaller det OPS, veiselskap eller fond så er dette et forsøk på å innbille folk at man skal bygge mer og billigere bare fordi man kaller det noe annet.» Jeg synes det er synd at man med en gang vi har en regjering som ønsker å gjøre ting på en annen måte, som tar aktørene på feltet på alvor, og som ønsker å bygge raskere, mer helhetlig og billigere, blir det kontant avvist, og det kommer sterk kritikk gjennom merknadene i denne saken.